kommer til å legge opp til. Jeg må også si at representanten Giske har vært veldig ivrig etter å stille spørsmål om denne saken, og det har vært veldig bra, for da så vi bl.a. at det ikke var helt presist, som representanten Giske sa, at det stod eksplisitt at det skulle være karakterkrav 2 for å komme inn. Men det sto ikke eksplisitt at man ikke kunne komme inn på forkurs med lavere karakter enn 3. Da fikk vi en sjanse til å tette det. Det er et viktig og godt bidrag fra representanten Giske til regjeringens politikk. Vi er utålmodige, vi starter dette fra 2016. Ideelt sett burde sånne ordninger settes i verk sånn at elever som starter på videregående, fra første stund vet hva man har å forholde seg til. Vi setter her forventningen om å komme i gang ved at vi får gjennomført det, og ved at vi starter med et høyere opptakskrav. Derfor starter vi i 2016, og begrunnelsen for å starte med matematikk har jeg allerede gitt.

skal tilby dette forkurset? Skal man søke på den institusjonen man skal gå på? Skal man ha en eksamen som man består? Hvis man skal ha det, hvorfor kunne man da ikke bare si til elevene at de skal ta opp igjen det faget som de har for lav karakter i og få en videregående-skole-karakter som er 4, i stedet for et et kompetansenivå som tilsvarer karakteren 4? Det er en veldig underlig måte å gjøre det på all den tid man ikke skal velge ingeniørutdanningsmodellen, med opptak først og så forkurs. Man skal faktisk ha forkurs først og så søknad om opptak. Dette begynner å minne meg om en annen sak vi hadde, hvor det også var enighet, i hvert fall mellom våre to partier, men hvor det likevel var veldig mange spørsmål. Det er i og for seg gode spørsmål representanten stiller.

Vi vurderer også om man kan kombinere det med løsninger for dem som ønsker å ta privatisteksamen. Det går an å gjøre, nettopp fordi man avslutter etter to år på videregående skole. Jeg ble litt usikker på hvorfor representanten Giske mente at dette var uklart, for som jeg oppfatter det, er nettopp forkursideen kjernen i Arbeiderpartiets politikk, som egentlig ønsker et opptakskrav om karakteren 3, men et forkurs som jeg antar skal ha nivået 4. Jeg synes det er flott at Høyre lærer, for det er ikke så mange år siden at daværende skolepolitisk talsperson, Elisabeth Aspaker, gikk til kraftig angrep på Kristin Halvorsen fordi Nesna hadde innført et forkurs i matematikk. Men la nå det ligge. Det er ikke helt uvesentlig, verken tidsfaktoren eller muligheten for dette forkurset f.eks. for elever som ikke bor på et sted hvor en høyskole er etablert, hvordan dette tilbudet faktisk skal gis. Vi har ikke i våre forslag sagt spesifikt om dette skal tas før eller etter opptak. Det kan godt hende at man skal få opptak, men så måtte gjennomføre et forkurs. Det er faktisk ganske vanlig – det er den mest vanlige måten å ta forkurs på i høyere utdanning. Nå sier statsråden at man skal lage en annen modell for dette. Da er det egentlig litt rart, siden man også understreker poenget med at det må ta et år, siden man også understreker poenget med at det må ta et år, når det er i andre man er ferdig med matte, at man ikke bare kan ta opp igjen karakteren. Men det kan hende at det har blitt for dyrt å ta privatisteksamen under nåværende regjering. Nå var det et bredt flertall på Stortinget som sa ja, og så vidt jeg registrerte, var det ingen da budsjettbehandlingen var, som protesterte mot privatistavgiftene. Men for å forklare resonnementet for representanten Giske: Det er nettopp fordi vi ønsker et klart og enhetlig karakterkrav å forholde seg til. Med andre ord: Hvis man har et forkurs som er innbakt i utdanningen, kommer man inn på lærerutdanningen med karakteren 3. Vi ønsker at det skal være et klart, enhetlig, forståelig krav. Det betyr at man kommer inn med karakteren 4 – hvis ikke kommer forkurset. Da må det forkurset ligge foran, ikke i, utdanningen. Så vil jeg når denne ordningen kommer, komme til Stortinget og gjerne svare på alle detaljer på alle detaljer og alle spørsmål om hvordan dette fungerer, men jeg ber om forståelse for at når dette kommer i 2016, har vi kommet et godt stykke lenger på vei, selvfølgelig, enn man har gjort i forbindelse med et Dokument 8-forslag. Men alle detaljer er ikke spikret ennå, og da vil det være feil av meg å spekulere mer enn jeg allerede har gjort. Replikkordskiftet er omme. Flere har ikke bedt om ordet til sak nr. 4. Etter ønske fra kirke-, utdannings- og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

Diskriminering og forfølgelse av jøder har en århundrelang historie bak seg, og nazistenes utryddelse er kanskje den verste delen av den historien. Dessverre ser vi at antisemittismen er økende i Europa i dag, på tvers av det vi alle ønsker. Hvis vi tar 2011-tall fra Osloskolen, ser vi at hver tredje med jødisk bakgrunn har minst to til tre negative opplevelser i måneden knyttet til sin religiøse bakgrunn. Sånn vil vi ikke ha det. De siste årene har vi ute i Europa også sett flere angrep der jøder er rammet bare fordi de er jøder, og et eksempel på det er angrepet i København, som vi alle kjenner til. Arbeidet med å bekjempe antisemittisme og rasisme er noe som har pågått lenge, både under denne regjeringen og under forrige regjering. Men det er åpenbart, nå som vi ser at antisemittismen er økende, at vi fortsatt trenger å ha fokus på dette, og at vi trenger å forsterke innsatsen mot dette. Komiteen har samlet pekt på skolens unike mulighet til å drive holdningsskapende arbeid, ettersom skolen er en viktig fellesarena der alle unger deltar. På vegne av komiteen vil jeg si at vi ser fram til det viktige videre arbeidet som skal skje med handlingsplanen mot antisemittisme. Det er

skal ha en skole, en oppvekst, en hverdag hvor alle elever føler seg hjemme, hvor alle føler seg trygge, hvor ingen blir diskriminert. Vi har i de siste årene sett at jødehatet har økt i Europa. Vi har sett fremmedfiendtlighet av mange slag, og også i Norge hører vi historier om unger og ungdommer som føler at de må skjule sin jødiske bakgrunn, eller som får slengt skjellsord etter seg i skolegården. La meg derfor også som komitéleder sende en tverrpolitisk beskjed fra denne talerstolen så det ikke levnes noen som helst tvil: Dette godtar vi ikke, dette skal vi stoppe, dette skal vi stå opp for og være aktive på, både i den norske skolen og i samfunnet for øvrig.

Fremskrittspartiet har tidligere fremmet flere forslag på området. I tillegg har vi støttet flere forslag rettet mot antisemittisme som Kristelig Folkeparti har fremmet. Undersøkelser i Osloskolen i 2011 viser at mobbing og trakassering av elever med jødisk tro i den norske skolen er økende. Enkelte foreldre uttaler sågar at de vurderer å flytte fra Norge på grunn av trakasseringen som deres barn utsettes for. Det kommer også fram at flere lærere ikke lenger tør å undervise om holocaust på en sannferdig måte – dette fordi lærerne frykter represalier fra elever som av ulike grunner ikke ønsker å få presentert jødenes historiske lidelser. For å motarbeide antisemittismen er det nødvendig å arbeide med øvrig. Fremskrittspartiet er positiv til statsrådens svar til komiteen, der han viser til muligheten for å utarbeide læremidler skreddersydd for lærerutdanningen. En verdensomspennende undersøkelse utført av den USA-baserte organisasjonen Anti-Defamation League viser at nesten halvparten av de spurte ikke hadde hørt om jødeutryddelsen under annen verdenskrig. Undersøkelser viser at 15 pst. av innbyggerne i Norge klassifiseres som antisemittiske. Videre viser det seg at norske menn er over dobbelt så fiendtlige overfor jøder som norske kvinner, henholdsvis 21 pst. mot 9 pst. Dette viser at antisemittismen fremdeles er utbredt i Norge, og at det er behov for å motarbeide disse holdningene i samfunnet. i samfunnet. Kunnskapsformidling er i så måte et av de beste virkemidlene for økt toleranse. Det er flere grunner er til at antisemittismen må tas på alvor. Et viktig moment er at jødene selvsagt skal bli behandlet med respekt og møtes med samme holdninger som andre. Et annet og like viktig moment er at dersom vi stilltiende godtar antisemittisme og trakassering av jøder, vil det kunne danne grobunn for at det dannes flere ekstremistmiljøer i Norge, med de fatale følgene som det kan få for samfunnet, og sånn vil vi slett ikke ha det. Norge som samfunn har en lite stolt historie når det gjelder forholdet til jødene. Mest dramatisk og skammelig er kanskje norske myndigheters Søndag 25. oktober 1942 sendte statspolitisjef Karl A. Marthinsen et iltelegram til landets politimestre og lensmenn, og telegrammet var stemplet «hemmelig». Her ble det gitt ordre om at alle norske jøder skulle arresteres. Personell fra det nazistiske statspolitiet Germanske SS og fra det ordinære politiet utførte ordren ganske så kjapt dagen etter. etter. Fremskrittspartiet er fornøyd med at det endelig er flertall på Stortinget for å utarbeide en handlingsplan mot jødehat og antisemittisme. Vi er også fornøyd med at departementet vil vurdere ulike forslag som framkommer i representantforslaget, i tillegg til andre tiltak som kan forhindre rasisme. Fremskrittspartiet ser fram til konstruktivt og godt samarbeid om dette.

og ikke nok med det, den er på frammarsj i Europa og i vårt eget land. «Jøde» er et av de mest brukte skjellsordene i norske skolegårder. Mange barn og unge skjuler identiteten sin fordi de ikke våger å være åpne om hvem de er. Mange frykter for vold og fysiske angrep, og noen ganger kommer slike hendelser ganske nær oss. De siste tre årene har vi sett flere angrep der jøder blir rammet kun fordi de er jøder. I februar ble en 37 år gammel mann skutt og drept mens han sto frivillig vakt utenfor en synagoge under en jødisk konfirmasjon i København. Stadig flere synagoger i Europa ber om politibeskyttelse fordi de frykter å bli utsatt for angrep. Dette vitner om noen holdninger i samfunnet vårt som vi er nødt til å ta på alvor, og som vi er nødt til å bekjempe. Det kan virke litt håpløst, og man kan bli litt motløs. Men samtidig skjer det noen ganger ting som kan gi grunn til håp og optimisme. Jeg synes det var sterkt å se hvordan noen bevisste, engasjerte muslimer tok et initiativ til å danne Fredens ring rundt synagogen her i Oslo. Det var en sterk og fin markering av at vi ønsker et samfunn der vi beskytter hverandre og tar vare på hverandre uavhengig av etnisk og religiøs tilhørighet. Men vi må ikke gå i den fellen å tro at antisemittisme primært handler om forholdet mellom muslimer og jøder. Det er nemlig langt fra sannheten. Vi finner fordommer og negative holdninger til jøder i alle samfunnslag blant ulike folkegrupper. Det er viktig å huske at for Norges del var ikke holocaust noe som startet i Polen eller i Tyskland. For vår del startet det her – hjemme i vårt eget land, i norske bygder og byer, med våre egne holdninger til andre mennesker. Ervin Kohn ved Antirasistisk Senter, som også er forstander ved Det Mosaiske Trossamfund her i Oslo, advarer oss mot gruppetenkning. Det er en klok advarsel. Når vi deler folk inn i grupper, tillegger dem egenskaper etter hvilken gruppe de tilhører, og dømmer mennesker kollektivt, dehumaniserer vi mennesket. Det er farlig, og det må motarbeides. Vi må jobbe for et samfunn der hvert enkelt menneske anerkjennes som individ med et ukrenkelig menneskeverd uavhengig av gruppe, uavhengig av etnisitet og uavhengig av religion. Jeg mener at skolen må stå sentralt i dette arbeidet, og skolen må også ta et ansvar for å undervise elevene om antisemittisme og om holocaust. Kristelig Folkeparti mener at denne undervisningen må styrkes i alle relevante fag, slik at elevene får god kunnskap om jødenes situasjon både i et historisk perspektiv og i et nåtidig perspektiv. For å få til dette er det viktig at også lærerne har kunnskap om antisemittisme, om jødehat og om rasisme generelt. Derfor må dette også styrkes i lærerutdanningen, både faglig og didaktisk. Kristelig Folkeparti har flere ganger tatt til orde for en handlingsplan mot antisemittisme. Vi har aldri fått flertall for det tidligere, men vi har i de to siste årene fått gjennomslag for noen midler til kampen mot antisemittisme i forhandlingene om statsbudsjettet. Jeg er glad for at det denne gangen er et flertall for en slik handlingsplan, og at det ikke bare er et flertall, men faktisk et enstemmig storting som sier at dette er noe vi trenger. Vi sier også at arbeidet med en slik plan bør iverksettes snarest, og jeg håper at den vil inneholde en del av de elementene som Kristelig Folkeparti tar til orde for i innstillingen. Representantforslaget fra Kristelig Folkeparti inneholder en rekke forslag i kampen mot antisemittiske holdninger i samfunnet vårt. Det er

Som Arbeiderpartiet, SV og Senterpartiet viser til i komiteinnstillinga, er det allerede iverksatt en rekke tiltak som har til hensikt å hindre antisemittisme, herunder tiltak som inkluderer Kristelig Folkepartis forslag. Når partiet igjen fremmer nesten likelydende forslag som for et år siden, og denne gangen får flertall, tror jeg det er fordi komiteen har samlet seg om ett forslag: å utarbeide en handlingsplan mot antisemittisme. Motviljen mot forslaga tidligere, i alle fall fra Senterpartiets side, har vært den innvendinga at det ikke kan være vi i Stortinget som er best kvalifisert til å utarbeide tiltak som vil være mest formålstjenlige i en slik plan. Det er altså ikke slik det kan se ut i avisen Dagen i dag, at Kristelig Folkeparti får tilslutning til sine enkeltforslag, men som representanten Tyvand sjøl var inne på, håper han at en del av de punktene vil komme med i en slik plan. Dette er et alvorlig tema. Vi har dessverre vært vitne til en økt trussel mot det jødiske trossamfunnet. Angrepene i Paris og København minner oss på at det har blitt en liten verden der informasjon, holdninger og personer med ekstreme synspunkter beveger seg raskt over landegrensene. Arbeidet for kunnskap og forståelse er derfor grunnleggende og noe av det viktigste vi kan bidra med i skolen. Vi frykter det vi ikke forstår. Respekt kommer gjennom økt kunnskap gjennom arbeid mot rasisme og antisemittisme. I Aftenposten i går kunne vi lese et innlegg fra 16 år gamle May Helene, som skrev: «Hvorfor tuller du med Holocaust?» 70 år etter annen verdenskrig, med sin forferdelige historie, kan vi lese at det fortsatt harseleres med det fryktelige som skjedde under krigen, og at ordet «jøde» fortsatt brukes som skjellsord. Dette føles svært sårende og vondt for mange. Det er uakseptabelt å godta at det fortsetter. Når det gjelder å bruke «jøde» som skjellsord, tror jeg det er mange som ikke helt tenker over hva de faktisk gjør når de bruker dette begrepet. Vi har klart å bli kvitt skjellsord før, og jeg tror vi kan klare det igjen om vi vil – hvis vi står sammen. Jeg tror det er mulig å komme hetsing av folkegrupper og religiøse samfunn til livs, men vi mener det kommer gjennom kunnskap, kommunikasjon og refleksjon, og mener dette er uhyre viktig som en del av skolens arbeid. Antirasistisk og antisemittisk arbeid kan man imidlertid ikke bare overlate til skolene, sjøl om det er der vi finner alle ungene. Det trengs nok også opplysning og bevisstgjøring av en del av den øvrige befolkninga. Mange har problemer med å skille mellom saklig kritikk av politikken staten Israel fører, folkene som bor der, og folk av jødisk herkomst. Den rød-grønne regjeringa startet opp et viktig arbeid mot rasisme og antisemittisme i 2010. Det førte til at en rekke forslag ble foreslått i Meld. St. 22 for 2010–2011 om ungdomsskolen. annet skulle det utvikles et kursopplegg for lærere. Dette heter Demokratisk beredskap mot rasisme og antisemittisme. Holocaustsenteret er blant en av institusjonene som har bidratt til å utvikle dette opplegget. Vi er veldig opptatt av at dette arbeidet videreføres og utvikles videre. Derfor mener Senterpartiet det er bra at en samlet komité foreslår at det skal utvikles en plan mot antisemittisk arbeid, og ikke at det er vi som skal foreslå hvilke spesifikke tiltak det er lurt å iverksette i så henseende. Vi må ta på alvor at den jødiske minoriteten i Norge føler seg utrygg og under press. Da er det vår oppgave å gjøre at de føler seg trygge og velkomne i eget hjemland. Problemstillinga rundt antisemittisme er

Skulen er ein heilt sentral arena i denne samanhengen. Dette er et arbeid som har pågått over tid. I 2010 sette kunnskapsminister Kristin Halvorsen ned ei arbeidsgruppe med mandat til å fremje ulike forslag til tiltak for å kjempe mot rasisme og antisemittisme i norske skular. Og i 2011 kom Eidsvåg-rapporten Det kan skje igjen, der det blei fremja fleire forslag. Fleire av tiltaka blei også gjennomførte. Nokre blei nemnde av Tingelstad Wøien. Eg vil spesielt framheve lanseringa av Dembra, Demokratisk beredskap mot rasisme og antisemittisme. Grunntanken bak Dembra er at ekskluderande haldningar og gruppehat blir nærte av utryggleik og følelsen av

På mange måtar representerer kampen mot antisemittisme ein kamp mot menneskets mørkaste sider. Eg har lyst til å avslutte med å lese opp eit lite brev som blei funne i Auschwitz i 1945, skrive av ein uidentifisert konsentrasjonsleirfange: «Kjære Lærer! Jeg er overlevende fra en konsentrasjonsleir. Jeg er overlevende fra en konsentrasjonsleir. Jeg så det som intet menneske burde være vitne til: Gasskamre bygd av dyktige ingeniører. Barn gasset i hjel av velutdannete leger. Spedbarn drept av erfarne sykepleiere. Kvinner og deres babyer skutt og brent av mennesker med eksamener fra gymnas og universitet. Jeg er blitt skeptisk til utdannelse. Min bønn er: Hjelp elevene dine til å bli menneskelige. Ditt arbeid må aldri produsere lærde monstre, dyktige psykopater, velutdannete eichmanner. Lesing, skriving og regning er viktig bare hvis det tjener til å gjøre våre barn mer menneskelige.» Eg vil difor seie at dette arbeidet er viktig. Det er bra det fortset. Og det er viktig med brei einigheit. Jeg skal være kort. Vi er

sammen med 1 100 skoleelever. Arrangementet var i regi av Stiftelsen Arkivet i samarbeid med FN-sambandet, Kristiansand kommune og Norges Røde Kors, og jeg tror dette er Nordens største holocaustmarkering. Det var FN som i 2005 bestemte at 27. januar skulle være minnedag for ofrene etter holocaust. I 2011 fikk vi rapporten Det kan skje igjen, der det ble påvist et sterkt behov for å styrke skolenes undervisning i dette arbeidet. Kunnskapsdepartementet oppfordret da alle skolene til å øke kompetansen blant lærerne og sette holocaustdagen på undervisningsplanen. Vi er enige om at vi ikke kan overse de antisemittiske holdningene i vår tid. Vi trenger et aktivt arbeid og gjennomtenkte tiltak for å bekjempe holdninger. Det handler om de verdiene og den kunnskapen vi overfører fra en generasjon til en annen, og det handler om hva slags samfunn vi vil ha. Det gjorde et stort inntrykk på elevene i Kristiansand å høre historien til Mona Levin og hennes familie. Og det gjorde et stort inntrykk å høre historien om jødene i Agder. Gjennom å kjenne den nære historien ruster vi våre barn og unge til å gjenkjenne rasisme, diskriminering og antisemittisme. og antisemittisme. Når jeg har valgt å ta ordet i denne saken, er det fordi jeg er opptatt av at i denne sammenhengen må det være mulig å utnytte den kompetansen og de ressursene som ligger hos institusjonene, som Stiftelsen Arkivet, Holocaustsenteret, Falstad, Narviksenteret, Det europeiske Wergelandsenteret og andre. Her har vi mange miljøer som allerede har en stor kontaktflate mot skolesektoren, og med muligheter for å utvikle den videre. Det er gode arenaer og kompetansemiljøer som skolene kan utnytte enda bedre. Jeg håper at det også kan være en del av det videre planleggingsarbeidet. La meg først uttrykke glede over den brede politiske enigheten i denne saken. Det er

flere ganger de senere år har løftet antisemittisme og hatefulle ytringer som tema for debatt. Det er et varmt engasjement for denne saken. Jeg vil takke Kristelig Folkeparti spesielt for å fremme forslag både i dag og gjennom lang tid for å bekjempe antisemittisme. Antisemittisme og antisemittiske forestillinger har dessverre fått ny aktualitet i Europa. I komiteens innstilling er det vist til ulike undersøkelser – og erfaringer – som dokumenterer at antisemittisme er et alvorlig problem, også her i landet. Antisemittismen i Europa går flere tusen år tilbake. Myter og forestillinger om jødene har blitt formidlet fra generasjon til generasjon. Vi kjenner alle til hvordan disse mytene har blitt brukt til å begrunne angrep på jøder og jødisk eiendom, forfølgelse og holocaust. Slike myter om jøder lever fortsatt i vårt samfunn og kommer gjerne til uttrykk gjennom antijødiske holdninger og konspirasjonsteorier. Som kommunal- og moderniseringsminister har jeg ansvar for å samordne regjeringens politikk overfor nasjonale minoriteter og dermed også for politikken som gjelder den jødiske minoriteten. Mitt departement vil også koordinere arbeidet med handlingsplanen mot antisemittisme. I vårt digitale samfunn må vi være oppmerksomme på at hatefulle ytringer, diskriminering og mobbing kan nå våre minoriteter – ja, det kan nå alle innbyggere, når som helst, dag og natt. Det gjør det ekstra viktig at vi bekjemper holdningene som Vi har et felles ansvar for å bygge opp kunnskap og bygge ned fordommer. Det er storsamfunnets ansvar å sørge for at vi er et samfunn med rom for mangfold og minoriteter. Regjeringen har satt i gang flere tiltak, bl.a. et prosjekt mot antisemittisme i skolen og kartlegging av læremidler. Det blir også en ny undersøkelse av holdninger i befolkningen. Stortinget har dessuten bevilget midler til opplysningstiltak i regi av Det Mosaiske Trossamfund. Kunnskap bekjemper stereotypier, mistro og konspirasjonsteorier. I et liberalt og åpent samfunn er kunnskap vårt fremste middel i kampen mot hat og mistro. Vi må stå sammen om verdiene vi tror på, og respekten for enkeltmennesket. Vi bygger samfunnet og politikken på en grunnleggende respekt for enkeltmennesket, uavhengig av tro og bakgrunn. Stortinget står også samlet om at det er behov for en handlingsplan mot antisemittisme. Regjeringen tar sikte på at handlingsplanen skal presenteres i 2016, og jeg ser frem til et samarbeid om utarbeidelsen av denne planen. Arbeidet med å utarbeide planen starter allerede nå før sommerferien med et større innspillsmøte 29. juni. Her vil vi invitere bredt, slik at vi får et mangfold av synspunkter og erfaringer inn i arbeidet med planen. Det er ikke minoritetenes ansvar å bekjempe fordommer, og det er ikke jødenes ansvar å bekjempe antisemittisme. Det er et felles ansvar vi bærer som storsamfunn, og der vi som politikere har en forpliktelse til å gå foran. Det er åpenbart at vi som politiske ledere har et betydelig ansvar for å stå opp for viktige verdier, og at vi også går foran i vår hverdag og viser at respekt for enkeltmennesket er avgjørende for det gode fellesskapet vi har i Norge. Vi har et felles ansvar for å skape et samfunn med likeverd og forståelse for hverandre. Hvordan vi snakker om andre – ved kjøkkenbordet, blant venner, på arbeidsplassen og på sosiale medier – er med på å forme vårt samfunn. Mitt håp er at handlingsplanen og arbeidet vi skal gjøre med å utvikle handlingsplanen, kan bidra til positiv endring i måten vi snakker om hverandre på, og til at det blir mindre antisemittisme i Norge. Flere har ikke bedt om ordet til sak nr. 5. Etter ønske fra næringskomiteen

blir gitt anledning til seks replikker med svar etter innlegg fra medlem av regjeringen innenfor den fordelte taletid. Videre blir det foreslått at de som måtte tegne seg på talerlisten utover den fordelte taletiden, får en taletid på inntil 3 minutter. – Det anses vedtatt. Første taler er representanten Mette Tønder, som nå fungerer som ordfører
Kjernen i departementet sitt framlegg er å opna for tildeling av fiskeløyve til eit fartøy til erstatning for tilsvarande løyve som vert oppgjeve for eit anna fartøy, utan omsyn til om fartøyet har same eigar. Forslaget legg altså til rette for at to reiarlag kan inngå privatrettsleg avtale om overføring av fiskeløyve, utan at dei samstundes må overdra fartøyet som fiskeløyvet er knytt til. Føresetnaden om at det Føresetnaden om at det er fiskeriforvaltinga som tildeler naudsynt fiskeløyve til fiskefartøya, ligg fast. Det same gjeld at noverande og framtidige dispensasjonar frå aktivitetskravet skal, som i dag, godkjennast av departementet. Ein slik privatrettsleg avtale er altså ikkje bindande for fiskerimyndigheitene. Lovendringa omhandlar også ei lovfesting av gjeldande reglar om tildeling av konsesjon, ved utskifting av fartøy og sal av fartøy for framleis drift, splitting og oppsamling av driftsgrunnlag. I dag er dette berre heimla i forskrifter, og komiteen er samla i synet på at det er viktig og riktig å få alt samla i ei lov. Då vil sentrale delar av tildeling av konsesjon koma fram av deltakarlova. Utgangspunktet for splittingsinstituttet er departementet sine instruksar av 15. januar 1999, 7. juli 2000 og 26. juni 2003, der formålet var å tilgodesjå eigar av fleirbåtsreiarlag med ei fleksibel løysing til sjølv å avgjera kva fartøy reiaren til kvar tid ønskjer å fiska driftsgrunnlaget sitt med. Einbåtsreiarlag må i dag gjennomføra minst tre overfor fiskeriforvaltinga og i tillegg gjennomføra kjøp og attendesal av eitt av fartøya. Det har fram til i dag vore krav om reelle transaksjonar. Det vert per i dag ikkje stilt krav til at det nye fartøyet skal nyttast til fiske av mellombelse eigarar, og heller ikkje krav til varigheit av det mellombelse eigarskapet. Hovudmålet med forslaget er å forenkla denne prosessen, der ein slepp å gjera reelle fram- og attendesal av eit fartøy for å Komiteen vil påpeika at dei forenklingsendringane som skjer her, ikkje inneber at vi lovleggjer det dersom nokon har omgått tidlegare regelverk eller brote dette. Denne forenklinga inneber heller ikkje at grunnkvotar kan splittast og overførast mellom fartøy, og vi understrekar at rekrutteringskvotar framleis ikkje er omsetjelege. Det som er nytt, er graden av omsetjelegheita. Men ein er framleis underlagd det frie skjønet til fiskerimyndigheitene for å få

ser det som viktig med lovfesting og understrekar at dette nye forslaget ikkje inneber «fri flyt» av løyve mellom ulike fartøy og reiarlag, og at det bør krevjast at den einskilde tildelinga av fiskeløyve vert gjeve ein meir permanent karakter enn det forslaget legg opp til – dette for å unngå ein ny arena Der komiteen skil lag, er i synet på aktivitetsplikt. Alle, unnateke Høgre og Framstegspartiet, understrekar at aktivitetskravet i deltakarlova skal bestå som i dag. Etter Arbeidarpartiet sitt syn er det også eit underleg standpunkt, sett i lys av at det ikkje kan garanterast at nasjonalkravet består, dersom eit så vesentleg punkt i deltakarlova endra, for det er ein samla komité som slår fast at nettopp nasjonalkravet skal bestå. Arbeidarpartiet går ut frå at regjeringa tek omsyn til at det ikkje er fleirtal i Stortinget for å endra aktivitetskravet i deltakarlova, og føreset at dette vert spegla av i det som kjem frå regjeringa si side i samband med

grunnet i et markeringsbehov med hensyn til en debatt som kommer senere, enn at det har noe reelt å gjøre med akkurat denne saken. Så da er det avklart. Derfor vil jeg skryte av statsråden, som har tatt initiativ til denne forenklingen. Det er viktig for rederiene. Jo enklere man kan få driften sin, jo bedre er det. Jeg vil skyte inn at neste steg kanskje bør være at vi ser på om det er mulig å slippe ordningen med at man må ha et kondemneringsfartøy når man skal strukturere. Strukturordningen historisk er jo begrunnet i at man ikke ville ha den gamle kondemneringsordningen, der det offentlige betalte for å kvitte seg med gamle fartøy. Man innførte strukturordningen i stedet, sånn at næringen tok alle kostnadene. Nå har vi en moderne flåte, men en moderne flåte som har behov for å strukturere seg litt for å bli effektiv og rasjonell. rasjonell. Da er det kanskje sånn at vi etter hvert ser på en ordning der man slipper kravet om at man må ha et kondemneringsfartøy. De fartøyene som finnes i flåten i dag, er i stor grad moderne og kan nok enklere settes inn i andre fiskerier enn at det skal være nødvendig å hogge dem opp, eventuelt selge dem ut av landet. Jeg kan fullt og helt slutte meg til innlegget som saksordføreren, Ingrid Heggø, holdt i denne saken. Det er

Jeg vil understreke at det er fire partier som står bak merknaden om aktivitetskravet, og et flertall i komiteen som slår fast at aktivitetskravet skal bestå som i dag. Her er en inne på det som er kjernen i – eller svakheten med – denne regjeringens fiskeripolitikk. Det er svært mye usikkerhet. Hvilke framtidige rammevilkår er det som gjelder? Etter at Tveterås-utvalget la fram sin innstilling, har det gått en debatt. Der har etter hvert alle tilkjennegitt sine standpunkter til f.eks. spørsmålet om aktivitetskravet, med unntak av regjeringen og statsråden. Jeg håper at den avklaringen som komiteen nå har gjort når det gjelder aktivitetskravet, gjør at regjeringen ikke forsøker seg på en endring av dagens aktivitetskrav, men at en leser hva som står i innstillingen fra et flertall i komiteen. Så har debatten gått høyt om Tveterås-utvalget. Jeg var til stede på årsmøtet i Fiskarlaget Vest. Der var utvalgsleder Tveterås til stede. Jeg må si at jeg synes ikke det er greit når utvalgslederen sier at en del av forslagene i NOU-en først og fremst er lagt inn for å skape en debatt, og at han er fornøyd med debatten – hvis jeg oppfattet ham rett. En NOU skal nettopp være et faglig grunnlag, den er en del av forarbeidet i en lovgivningsprosess. Den skal ikke være et dokument for å skape debatt og spissformuleringer. Det kan en heller ta i politiske debatter, i leserinnlegg og i kronikker. Jeg håper at de avklaringene som komiteen har gjort – hele komiteen når det gjelder nasjonalitetskravet, og flertallet i komiteen når det gjelder aktivitetskravet – blir lagt merke til og fulgt opp av regjeringen, slik at en slipper å ha en omkamp om dette når den varslede meldingen om oppfølging av Sjømatindustriutvalgets arbeid blir lagt fram. Med mitt kjennskap til fiskebåtnæringen er dette et godt forslag, ut fra de behov som foreligger. Takk til regjering og komité, som løfter fram og endrer en praksis, er både fornuftig og til det bedre. Det er viktig at næring og myndigheter står samlet og jobber for rimelig gode rammebetingelser. Jeg har over tid hatt gleden av å delta på årsmøter i både fiskerlag og båtlag og kjenner betydningen av denne næringen fra Vestlandet. Det er et livskraftig og levende miljø, som bidrar til bosetting og arbeidsplasser. Dersom vi politikere ønsker å beholde og utvikle fiskerinæringen, må vi sørge for at rammebetingelsene er framtidsrettede og utviklet i samarbeid med disse aktive kompetansemiljøene, som kjenner hvor skoen trykker, eller – enda bedre – hvilket farvann vi opererer i. Hvis vi vil ha en levedyktig næring, må vi gjøre vårt beste for å bidra til det. Forslaget i dag mener Kristelig Folkeparti viser vilje til det. det. Først vil jeg løfte fram at deltakerloven stiller mange vilkår for tildeling av konsesjon. Slik må det være når det dreier seg om forvaltning av en av våre viktigste næringsveier, fiskeriene. Dette må forvaltes på en bærekraftig måte. De to viktigste er nasjonalitetskrav og aktivitetskrav. Det foreligger ulike syn på dette, men Kristelig Folkeparti mener at nasjonalitetskravet i deltakerloven skal bestå. Hovedmålet i saken som behandles i dag, er å forenkle en prosess. Det er i tråd med de fleste partiers målsetting. Kristelig Folkeparti har derfor merket seg at også regjeringen karakteriserer endringen som en ren forenkling. Kloke avgjørelser vil vi gjerne være med på. I dag må nemlig rederier som ønsker å kjøpe kvoter, gjennomføre minst tre forskjellige søknadsprosesser overfor fiskeriforvaltningen: søknader om splitting og salg for fortsatt drift to rederier kan inngå en avtale om overføring av fisketillatelse, dvs. konsesjon eller deltakeradgang, uten at de samtidig må ta over fartøyet fisketillatelsen er knyttet til. Forslaget innebærer at det vil være tilstrekkelig med bare én søknad, og det vil ikke være nødvendig med kjøp og tilbakesalg av fartøyet – et stort framskritt. Saksordføreren understreket at lovendringen ikke må innebære fri flyt av tillatelser mellom ulike fartøyer og rederier. Det skal kreves at den enkelte tildeling av fisketillatelse skal gis en mer permanent karakter, gjennom en karantenetid på to år. Utleie av kvoter skal ikke være lovlig. Kristelig Folkeparti slutter seg derfor til regjeringens forslag om å forenkle overføringen av fisketillatelsene. Kristelig Folkeparti slutter seg også til de presiseringene saksordføreren tok til orde for – samt innføringen av karantenetid på to uker og videreføring av forbud mot utleie av kvoter. Kristelig Folkeparti ønsker med dette å bidra til å

holder det innlegget han gjør, vil jeg bare minne om at denne lovproposisjonen ikke innebærer noen endring i aktivitetskravet i deltakerloven. Riktignok er det berørt av noen partier i innstillingen, men Fremskrittspartiet og Høyre er ikke med på det, fordi det ikke er et relevant spørsmål i denne sammenhengen. Så er det sånn at

melding til Stortinget, som vil være en helhetlig vurdering av hva som vil gagne norske fiskeriinteresser i framtiden. Jeg synes spesielt Senterpartiet egentlig er med på å spre en unødvendig usikkerhet ut fra det som ligger til grunn i denne proposisjonen, og de normale reglene man har for behandling av NOU-er og regjeringens ansvar. For den proposisjonen vi behandler i dag, innebærer en betydelig forenkling og kostnadsbesparelse for næringslivsaktører og forvaltning, og det er en sak som har berørt mange fiskere. Ser man på høringssvarene, støtter de aller fleste fiskeriorganisasjonene, for ikke å si alle, det som regjeringen legger opp til her. Jeg konstaterer også at det er en enstemmig innstilling bak dette, så enigheten er betydelig, men noen ønsker åpenbart å spre unødvendig usikkerhet.

bak dette, så enigheten er betydelig, men noen ønsker åpenbart å spre unødvendig usikkerhet. Jeg vil starte med å takke for samarbeidet om saken i komiteen og redegjørelsen fra saksordfører Ingrid Heggø. Venstre er fornøyd med de endringene Stortinget nå gjør i deltakerloven. Vi legger til grunn at formålet med forslaget er å gjøre det enklere for et fiskebåtrederi, for en båteier, å få tildelt en fisketillatelse for sitt fartøy hvis et annet fartøy oppgir tilsvarende tillatelse for sitt fartøy. Dette er i høyeste grad en forenkling til beste for både næringsaktører og forvaltning. Der det i dag er nødvendig med minst tre forskjellige søknadsprosesser, vil en med forslaget som ligger på bordet i dag, klare seg med én søknad. Det vil spare byråkrati og næringsaktører for ekstra arbeid arbeid som heller kan gå til verdiskaping. I foreliggende innstilling blir det vist til Nærings- og fiskeridepartementet, som sier at forslaget i høringsnotatet ikke endrer koblingen mellom fartøyeier, fartøy og fisketillatelse, og at fisketillatelser fortsatt bare kan tildeles av forvaltningen, likedan at det fortsatt er nødvendig for fartøyeier å søke om tildeling av fisketillatelse til et bestemt fartøy for å kunne drive ervervsmessig fiske og fangst. Dette er viktig. Jeg trekker fram disse poengene fordi det er selve grunnelementene knyttet til forvaltningen av fisketillatelser, grunnelementer som fortsatt skal bestå. Dette er viktig for Venstre, på samme måte som det er viktig å holde fast ved dagens nasjonalitetskrav og aktivitetskrav. er viktig å holde fast ved dagens nasjonalitetskrav og aktivitetskrav. Kravene er håndtert på en god måte i innstillingen, og jeg føler meg trygg på at formålet, intensjonen, med den endringen vi nå behandler, blir ivaretatt på en god måte av fiskeriministeren. De endringer som nå gjøres i deltakerloven, hilser Venstre velkommen. Det er positivt for næringen, og det er positivt for

inneber at eit fleirtal på Stortinget no «eksplisitt anerkjenner at fisketillatelsene er gjenstand for en omsetning». Dette er ikkje mine ord, men blir slått fast av Advokatforeningen i høyringssvaret deira. Det er ein stor prinsipiell overgang eit fleirtal no er med på. Kjøp og sal av kvotar skal no i større grad skje utan innblanding frå myndigheitene si side. Departementet kan ikkje kvotar skal no i større grad skje utan innblanding frå myndigheitene si side. Departementet kan ikkje ha tatt særleg omsyn verken til føremålet i deltakarlova eller til havressurslova. Dei føreslåtte endringane kan absolutt ikkje vere i samsvar med dei. Desse forslaga er altså forslag om å gå enda lenger i å gjere fiskekvotar til eigedom som kan omsetjast. Det betyr at kvotebaronar og store svekte. Det er spesielt i kapitalsvake område med små aktørar ein vil sjå svekkinga i størst grad, og da i min region, Nord-Noreg. Det er da spesielt at vi har ein fiskeriminister frå nettopp Nord-Noreg som føreslår desse endringane. Det er også grunnen til at alle fylkeskommunane i Nord-Norge, LO, Norges Kystfiskarlag, Norsk Sjømannsforbund og Sametinget går imot dei føreslåtte endringane. Samtidig er forslaget til endringar eit svært uheldig signal om korleis Noreg stiller seg til lovbrot. Endringane inneber nemleg at ein opnar opp for aksept for det som tidlegare var ulovleg. Aksept for kjøp og sal av fiskeløyve vil gå imot måla om å tryggje busetnad i kystdistrikta og leggje til rette for at hausting av dei marine ressursane framleis skal kome kystbefolkninga til gode. Det er ganske spesielt at regjeringa framfor å kartleggje omfanget av problemet og deretter sjå på tiltak for å løyse dei, rett og slett slår fast at det er vanskeleg å gje ei oversikt. Det blir altså fremja eit forslag utan at dei nødvendige førearbeida er gjorde. Dei føreslåtte endringane vil utvilsamt føre til auka traderverksemd og Forslaget vil ytterlegare oppkapitalisere retten til å fiske og dermed trekkje verdiar ut av primærleddet i fiskerinæringa og fiskeriavhengige kystsamfunn og overføre dei til bank, finans og eventuell traderverksemd. Eg oppfattar forslaget som nok eit angrep på den sjølvtilsette småbedriftseigaren som driv fiske med eige fartøy, ved at det blir gjeve makt og høve til passive fiskarar til å drive kvoteutleige, slik at den reelle fiskaren kjem i eit avhengigheitsforhold til kvoteeigarane. Forslaget står i strid med føremålet i deltakarlova om å auke lønsemda og verdiskapinga i næringa og tryggje busetnad i kystdistrikta og at dei marine ressursane skal kome kystbefolkninga til gode. SV kjem difor til å gå imot dei føreslåtte endringane og støttar ikkje innstillinga frå komiteen.

Både fiskerinæring og forvaltning vil spare betydelige kostnader dersom forslaget vedtas. Dette er en sak mange fiskere har tatt opp med meg, og forslaget har da også bred støtte i fiskerinæringen. I dag er det slik at rederier som ønsker å splitte fisketillatelser, må gjennomføre minst tre søknadsprosesser overfor fiskeriforvaltningen og i tillegg gjennomføre kjøp og tilbakesalg av et av fartøyene. Disse kravene framstår som meningsløse for involverte parter, og det finnes etter min mening ingen fornuftig begrunnelse for at det må være slik. Lovproposisjonen legger opp til at det blir tilstrekkelig med bare én søknad, og det vil ikke lenger være nødvendig med kjøp og tilbakesalg av fartøy. Forvaltningen behandler årlig 100–200 slike saker, så det er relativt enkelt å se for seg at forslaget innebærer en betydelig Dette er forenkling i praksis. Det er viktig for meg å understreke at forslaget ikke innebærer endringer i de underliggende vilkårene for fisketillatelse. Rederiene vil ha nøyaktig samme muligheter som før til å få tildelt ny fisketillatelse til sine fartøy. Det er kun prosessen for å nå dette resultatet som nå blir enklere. Lovendringene berører ingen av de grunnleggende vilkårene for eierskap til fiskefartøy, som nasjonalitetskravet og aktivitetskravet. Heller ikke regler om eierskapsbegrensninger, regionale bindinger osv. berøres. Det vil fortsatt være slik at fisketillatelser og kvoter tildeles av forvaltningen og skal knyttes til et bestemt fartøy

Jeg er derfor glad for at en enstemmig komité er enig i at det ikke må legges til rette for løsninger som undergraver den nye ordningen. Hovedformålet med proposisjonen er utvilsomt å forenkle søknadsprosesser som er svært krevende. Men forslaget har også en annen positiv effekt ved at alle de grunnleggende reglene om tildeling av fisketillatelser nå samles i deltakerloven. Det dreier seg om sentrale regler om salg av fiskefartøy for fortsatt drift og utskifting av fartøy. Det legges imidlertid ikke opp til materielle endringer i disse reglene, som i dag er forankret i forskrifter. Det er ryddig at de mest grunnleggende prinsippene på denne måten forankres i Stortinget gjennom et lovvedtak og ikke bare i forvaltningens forskrifter og praksis. Forslaget vil også bidra til et mer oversiktlig og lettere tilgjengelig fiskeriregelverk for næringen ved at alle de viktigste bestemmelsene nå kan gjenfinnes i lovverket. Lovforslaget bør på denne bakgrunn være et betydelig bidrag til et enklere og mer brukervennlig fiskeriregelverk. Altfor mange ressurser går i dag med til unødvendig prosessarbeid. Ressursene bør i stedet brukes på mer meningsfullt arbeid til beste for utviklingen av norsk fiskerinæring og samfunnet. Jeg er svært tilfreds med at det er en samlet komité som slutter seg til dette lovforslaget. Det blir replikkordskifte. Vil fiskeriministeren respektera eit stortingsfleirtal og leggja til side tankane om å opna opp for at også industrien kan eiga båt og kvote? Jeg er

hvor vi nå drøfter oss gjennom alle de høringsuttalelsene som er kommet etter høringen om Tveterås-utvalgets rapport. Dette har ikke vært et tema i den proposisjonen som nå ligger i Stortinget, og vi vil derfor komme tilbake når regjeringen har tatt sin beslutning. Det er ikkje berre Arbeidarpartiet og Senterpartiet som står bak den den merknaden, det er ein fleirtalsmerknad frå Venstre, Kristeleg Folkeparti og dei to nemnde partia. Tveterås-utvalet er veldig usikker på om det ligg noka auka lønsemd i dette med å flytta over, slik at industrien kan eiga båt og kvote. Fiskarane kan jo dette med å driva fiske, dei er best på akkurat det. Industrien er gjerne best på industri. Ser fiskeriministeren at dette fungerer godt slik det er i dag, og at det er ein verdi vi må ta vare på, det å ha ein fiskareigd flåte? Kvifor vil du endra noko som faktisk fungerer godt? Regjeringen har ikke tatt stilling til hvorvidt vi ønsker å endre eller ikke endre deltakerloven. Det betyr at det går ikke an å tolke statsråden på den måten nå at dersom man ikke vil si om man ikke skal gjøre noe, så betyr det at man har til hensikt å gjøre det motsatte. Jeg er opptatt av at vi skal ha en god prosess nå i lys av det store antallet høringsuttalelser vi har fått inn, og jeg mener det vil være å kortslutte prosessen å frata seg selv mulighet til å se ting i en litt større sammenheng dersom man nå skulle gå inn på enkeltheter på dette tidspunktet. Tida er ikke moden i dag. Dette er ikke drøftet i denne saken. Derfor er det heller ikke naturlig å utkvittere på dette punktet i dag. Eg omformulerer litt, for ministeren forstod ikkje heilt kva eg spurde om: Ser du verdien av å ha ein fiskareigd flåte? Det har vi i Noreg, men det er det ikkje så mange andre land som har. Ser du verdien av det? presidenten. Vi har gode erfaringer med den måten man har organisert fiskerinæringen på i Norge fram til i dag. Det betyr ikke at man ikke skal ta på alvor drøftingene og forslagene som er kommet fra Tveterås-utvalget, og de må også vurderes ut fra de utfordringene som vi også må ta inn over oss at næringen har. Men jeg vil gjenta:

Jeg ønsker å stille spørsmål om en annen merknad i innstillingen, som flertallet i komiteen, alle unntatt medlemmene fra Høyre og Fremskrittspartiet, står bak. Der blir det sagt at dette «forslaget ikkje inneber «fri flyt» av tillatingar mellom ulike fartøy/rederi». Mitt spørsmål til statsråden er om statsråden er enig med flertallet i komiteen.

nå. Som påmønstret førstereis i næringsdebatten kom jeg til å gjøre en feil for Kristelig Folkeparti. Det vil jeg presisere. Vi støtter ikke karantenetid, som jeg kom til å si – jeg glemte et ord: «ikke». Jeg formulerer et spørsmål likevel: Kan statsråden antyde når denne loven blir satt i verk? verk? Vi ønsker at loven skal tre i kraft så raskt som overhodet mulig. Jeg kan ikke på stående fot si om det blir 1. juli, eller om det blir på et litt senere tidspunkt, men vi ønsker at dette skal kunne tre i kraft så raskt som overhodet mulig. Mykje av intensjonen og målet med desse endringane er

Korleis skal regjeringa passe på at det ikkje utviklar seg ein kvoteleigemarknad av dette? Det denne saken handler om, er å forenkle en praksis som har festet seg over lang tid i norsk fiskerinæring. Jeg mener at representanten tegner et bilde som ikke er

eier fiskeressursene, eier fisken i havet. Fellesskapet ved innbyggerne i Norge, ved nasjonen Norge, har råderett over og forvalter ressursene i havet. Så har vi fiskere, aktive fiskere som har fått tillatelse til å fiske, tillatelse til å fiske denne fisken. Det er noe annet enn at de har fått eierskap til fisken. De har fått tillatelse til å gå ut og være utøvende fiskere. Det er den store forskjellen. Da brister boblen til representanten Knag Fylkesnes, når han av fiskere som kvotebaroner, eventuelt potensielle kjeltringer som skal prøve å jukse til seg 25–30 pst. så snart de har fått en kvote. Sånn er ikke virkeligheten. Når Høyre er ute og treffer fiskere, treffer vi næringsutøvere som forholder seg til det regelverket som foreligger, som foreligger, som fortviler av og til fordi dette er komplisert og byråkratisk. Det er vanskelig å være næringsutøver og skape gode arbeidsplasser, trygge arbeidsplasser, moderne arbeidsplasser på kysten, sånn at man kan rekruttere de unge menneskene, de gode hodene som man trenger for å ta denne næringen videre. Så lenge SV hopper over virkeligheten, kan de reise rundt og beskrive en virkelighet som ikke finnes, der det meste av norsk fiskerinæring består av kjeltringer, unnasluntrere og svindlere. Men sånn er det faktisk ikke.

all den politikken den forrige regjeringen leverte. Her er det nedsatt et utvalg som skal levere en NOU. Alle er enige om virkelighetsbeskrivelsen. Vi har en sjømatindustri i Norge som sliter i dag, og vi har satt de klokeste hodene på dette: hva vi vil gjøre, om det er ting vi kan legge om slik at dette blir lettere, slik at vi kan ha en lang nasjonal verdikjede innenfor sjømat – fra kjølen, fra kroken og til konsumenten der ute, så nasjonen Norge kan tjene så mye som mulig på dette. Det benekter man altså i dag. Tveterås-utvalget ser ut til å være noe av det verste Arbeiderpartiet og Senterpartiet har hørt om, det burde ikke ha vært der.

den høyringsutsegna som Kystfiskarlaget har kome med. Eg ber representanten ta på alvor miljøa langs kysten, ta på alvor fiskarane langs kysten. Det er ikkje vi som stemplar dei som tuskarar og tjuvar – tvert om: Vi forsvarer plassen deira i verdikjeda i norsk fiskeri. Det er det som er kampen vår i SV. Vi vil at ressursane langs kysten skal tilkome kystsamfunnet. Vi vil at det skal vere levande distrikt. Vi vil ikkje at fiskekvotar skal samlast på færre hender, hos færre aktørar. Det er nettopp det motsette av det Høgre ønskjer. Dei ønskjer faktisk at det skal bli lettare å omsetje, ei lausare deltakarlov, sånn at Vi kjempar for kystbefolkninga, for dei små aktørane langs kysten, og utgangspunktet vårt er at norsk fiskeripolitikk skal ta utgangspunkt i kysten. Så her er det ganske store forskjellar, og kven som er nærmast kvardagen til kvar enkelt fiskar, det får ein vel kanskje spørje fiskarane sjølve om, f.eks. Kystfiskarlaget. Det er ein grunn til at ein har eit byråkrati knytt til dette.

da at ein beveger norsk fiskeripolitikk på ein heilt gal måte. Dessverre er det sånn at det som utgjer problemet, og det ein tilpassar lovverket til, det er faktisk ein bevegelse i retning av enklare omsetning, i retning av kvotebaronar, altså dei store aktørane, ikkje dei små som er langs kysten. Eg vil åtvare Stortinget mot dette, og eg synest det er trist at dette no går igjennom i denne

foreslått at de som måtte tegne seg på talerlisten utover den fordelte taletiden, får en taletid på inntil 3 minutter. – Det anses vedtatt. Første taler er representanten Mette Tønder, som nå fungerer som ordfører for sakene. Først vil jeg takke komiteen for et godt arbeid i denne saken. Det har vært en sak hvor det
en viktig dag i dag, og det er en viktig beslutning og en viktig sak for dem som bor på og har tilknytning til Svalbard – eller toppen av kloden, som noen omtaler Svalbard som. Det er iallfall gledelig at det er en enstemmig komité som støtter regjeringens forslag til løsning, og det er også i all hovedsak en enstemmig innstilling i saken. Situasjonen for Store Norske er krevende. Det er forskjellige årsaker til at Store Norske har kommet i den situasjonen som de har kommet i, og en av faktorene er at det over lang tid de siste årene blitt et betydelig fall i prisen på kull. I tillegg er det større innslag enn det har vært tidligere, av stein og grus i de forekomstene man driver på, og som følge av lav kullpris har man også store, urealistiske tap på valutasikringsavtaler. Det er noe som noen ganger vil slå positivt ut og andre ganger negativt. Dermed har man kommet i en svært krevende situasjon, og når jeg har sagt det, må jeg legge til at i løpet av de ti siste årene har det også vært tatt ut utbytte på ca. 500 mill. kr fra selskapet, så det har også vært med og bidratt. Når man står i en sånn situasjon, er det om å gjøre å finne en god løsning, både for selskapet, for banken og ikke minst for for eierne. Styret kom med en tiltaksplan til regjeringen den 16. januar, og i den lå det et lån på 450 mill. kr, inkludert 50 mill. kr til utvikling av ny virksomhet. Den løsningen som regjeringen har landet på, mener komiteen er en god løsning. Det er altså kjøp av eiendommer for 295 mill. kr, og det er et lån på

eiendommer og får direkte kontroll over dem og en del infrastruktur, er en god løsning også for selskapet, for det medfører ikke at det svekker den videre driften. Kjøpet vil selvfølgelig skje på forretningsmessige vilkår. Man kan mene mye om Svalbard, Svalbards framtid og selskapets rolle der. Det har i

trekkes inn. Men kulldrift på Svalbard har vært viktig, og det kommer nok også til å være viktig i tiden framover. Ser man på energiproduksjonen på Svalbard, er det Gruve 7 som har en viktig rolle med å levere kull til kullkraftverket der oppe. Det som er viktig i framtiden, er at Svalbard får flere bein å stå på, helt uavhengig av hvordan utviklingen går for selskapet, og at forholdene legges til rette i så måte. Til slutt: Svalbard, og driften bidrar til helårige arbeidsplasser og et livskraftig samfunn i Longyearbyen. Avslutningsvis vil jeg bare vise til at regjeringen har varslet at den kommer med en

gjennom det heleide datterselskapet Store Norske Spitsbergen Grubekompani AS. Om lag 95 pst. av produksjonen eksporteres i dag, og staten har fram til nå eid 99,4 pst. av selskapet. Målet med eierskapet er å bidra til at samfunnet i Longyearbyen opprettholdes og videreutvikles på en måte som understøtter de overordnede målene i norsk svalbardpolitikk. I eierskapsmeldingen vi behandlet i vinter, slo Stortinget fast at selskapet skal drives på forretningsmessig grunnlag. De betydelige reduksjonene i kullprisen de siste årene, kombinert med store, urealistiske tap på valutasikringsavtaler – slik saksordføreren nevnte – har satt Store Norske i en svært krevende situasjon. Samtidig er markedsutsiktene for kull dårlige. Situasjonen til selskapet krever politisk handling, og vi i Arbeiderpartiet er positive til de forslagene regjeringen har kommet med, som er oppkjøp av grunneiendommer og infrastruktur på 295 mill. kr samt et ansvarlig lån på 205 mill. kr som kan brukes til drift – det er avgjørende viktig. Vi vil gi selskapet mulighet til å kunne drive aktiviteten videre nå framover. Vi støtter også at staten innløser øvrige aksjeeiere i selskapet, da det kan gi staten som eier større fleksibilitet ved håndtering av den videre utviklingen i selskapet. Men vi registrerer også at regjeringen er tydelig på at dette ikke gir noen garantier utover 2016, noe som gjør at omstillingstempoet må opp for svalbardsamfunnet. Her er det viktig å finne økonomiske løsninger som bidrar til lønnsomhet på sikt. Utfordringen med at selskapet på den ene siden skal bidra til å understøtte de overordnede målene i norsk svalbardpolitikk og gruvedriften, har i mange år bidratt vesentlig til stabil, helårig norsk aktivitet og bosetting på Svalbard. På den andre siden skal selskapet drive på forretningsmessig grunnlag med sikte på å levere konkurransemessig avkastning. Det er positivt at svalbardsamfunnet de siste årene har fått flere ben å stå på. Både forskning og reiseliv er i dag viktig sysselsetting for svalbardsamfunnet. Vi registrerer at mange ansatte pendler til fastlandet, men at Store Norske fortsatt har stor betydning for svalbardsamfunnet. Vi registrerer at regjeringen melder at de skal komme med en stortingsmelding om Svalbard. Den vil mest sannsynlig komme våren 2016, og regjeringen melder at man i meldingen vil komme med tiltak for omstilling. Dette vil kunne gi en forutsigbar situasjon for selskapet i året som kommer, men Arbeiderpartiet ser det som viktig at omstillingsarbeidet i Longyearbyen kan starte mens det fortsatt er kulldrift på Svalbard, og at Store Norske må ha en sentral rolle i dette arbeidet. Dette er også noe vi har vektlagt i vår næringsstrategi for Svalbard, som vi har kommet med denne våren. Der fremmet vi forslag til nye satsinger som skal sikre fortsatt aktivitet og næringsutvikling på Svalbard, samtidig som vi videreutvikler vår arktiske kompetanse. Jeg håper den også kan gi nyttige innspill til regjeringen i arbeidet med denne stortingsmeldingen. Jeg har også merket meg at statsråden skal til Svalbard ganske snart, og det er veldig bra.

den. Miljøpartiet De Grønne stemmer i dag for den ekstraordinære bevilgningen på 450 mill. kr til Store Norske. Vi har lenge og tydelig argumentert for at norsk kullproduksjon på Svalbard må avvikles, og vi har poengtert at dette nettopp må skje på en planlagt måte. Situasjonen Store Norske nå har kommet i, er en solid bekreftelse av vårt poeng, nemlig at det verken har vært ansvarlig eller framtidsrettet å tviholde på en politikk som avviser alle spørsmål om kulldriftens framtid, og som har nektet å ta inn over seg de åpenbare faktorene som taler for at kullproduksjonen ikke har framtida for seg. Å bare fortsette som om ingenting har hendt, helt til konkursen plutselig står for døra, har vært søvnig næringspolitikk, inkonsekvent klimapolitikk og dårlig svalbardpolitikk. Det ville selvsagt være helt uansvarlig overfor ansatte og svalbardsamfunnet å la Store Norske gå konkurs nærmest over natta. De ansatte, selskapet, svalbardsamfunnet og Norge trenger litt tid på å planlegge det norske Svalbard etter kulldriften. Og det er fornuftig å sikre at selskapets verdier og områder ikke spres for alle vinder, som en del av et konkursbo. Men det må nå være helt klart – også for alle partier og politikere som til nå har latt som om kulldriften kan og må fortsette inn i evigheten at det nå haster sterkt med å få en planlagt og gjennomført omstilling. Norsk kulldrift på Svalbard har ikke framtida for seg. Klimaproblemet, som vi alle er enige om utgjør en av våre alvorligste utfordringer, skyldes framfor alt bruk av kull. Som kjent, og for sikkerhets skyld, er dette selve kjerneargumentasjonen i Norges aktive markedsføring av gass til EU: Norsk gass skal redde Europa og klimaet fra kull. Dermed ble norsk klimapolitikk ett hakk mindre inkonsistent da et enstemmig storting i forrige uke slo fast at det er uetisk å investere Statens pensjonsfond utland i kullgruver og kullkraftproduksjon, fordi kull bidrar til klimaendringer. Dermed ble også påstanden om at kullproduksjonen på Svalbard er uvesentlig – eller som noen har uttrykt det: en helt annen sak enda mer fornuftsstridig enn før. Men uansett hvor lave krav man stiller til egen logikk, er internasjonale kullpriser for lave til å gi lønnsomhet for Store Norske, og veldig lite taler for at prisene vil stige. I Kina, som står for halvparten av verdens kullforbruk, faller forbruket nå raskt og kraftig. Samtidig pøser USA billig kull ut på verdensmarkedet, fordi de selv legger ned kullkraftverk. Norsk kulldrift på Svalbard både kan, kan, bør og må avvikles. De Grønne er glad for at et flertall på Stortinget nylig stilte seg bak vårt forslag om at regjeringen i kommende stortingsmelding om Svalbard skal komme med en plan for omstilling til et bærekraftig svalbardsamfunn. Derfor må det nå legges en helt entydig forutsetning på den ekstraordinære bevilgningen som går til Store Norske. Store Norske, svalbardsamfunnet, Nærings- og fiskeridepartementet og andre svalbarddepartementer må bruke det neste halvannet året til å planlegge og få i gang en omlegging fra kullgruvedrift til bærekraftige virksomheter på Svalbard. Det må være en klar forutsetning at Norge ikke skal tilbake til den tida da kullgruvedriften på Svalbard var et permanent statsfinansiert underskuddsforetak. Og det må gjøres helt klart at regjeringen ikke fortsetter subsidiering i 100-millionersklassen av kullproduksjonen på Svalbard. Overgangen til et bærekraftig samfunn er ikke en trussel. Det er en stor mulighet, både for Norge som helhet og for Svalbard, til å engasjere og mobilisere til felles innsats, åpne for nye tanker og stimulere til ny satsing. De Grønne har tillit til at regjeringen bruker denne ekstraordinære bevilgningen både som økonomisk og som mental startkapital for det grønne skiftet på Svalbard. Først: Takk til komiteen for dens arbeid, og takk til saksordføreren. Venstre

Norges politikk i Arktis er basert på bærekraft og lavspenning. Spydspissen i Norges arktiske politikk har vært vår aktivitet på Svalbard og i Longyearbyen, basert på forskning og undervisning, romvirksomhet, reiseliv og kulldrift. De tre første områdene er i vekst, mens kulldriften, som denne saken viser, er på vei ut som den viktigste bærebjelken for en allsidig bosetting, med de utfordringer som det innebærer. Dette vil i løpet av kort tid få konsekvenser for Longyearbyen-samfunnet, langt utover kulldriften isolert som virksomhet. Nå gir vi oss selv noe ekstra tid på denne omstillingen, noe som etter Venstres syn er fornuftig. Men det er en omstilling, ikke et signal om at kull er framtiden på Svalbard. Klimaendringene gir oss også nye muligheter for Svalbard, samtidig som saken om kulldriften gir spesielle utfordringer, siden det nettopp er en lavere kullpris internasjonalt som nå gjør at vi får en helt spesiell utfordring på Svalbard. Det viktigste nå er å opprettholde Longyearbyen-samfunnet som et livskraftig lokalsamfunn, som et familiesamfunn der man har et variert tilbud over lang tid. Utfordringene i Store Norske gjør at Svalbard-politikken settes på prøve. Dette er en nasjonal utfordring, og den oppstår samtidig som betydningen av norsk næringsaktivitet og tilstedeværelse på Svalbard kanskje er viktigere enn noen gang. Den sterkt økende interessen for Arktis gjør betydningen av Norges posisjon viktigere i et lokalt, et nasjonalt og et globalt perspektiv. Jeg skal forholde meg til det saken gjelder, og slutter meg til det som er presentert fra saksordføreren, og det som er kommet fra komiteen.

forskning, men man skal likevel ikke snakke ned Store Norskes rolle fortsatt. Jeg synes finanskomiteens innstilling om oljefondet ble litt upresist gjengitt. Der står det at man vil ut av «gruveselskaper og kraftprodusenter som har en vesentlig del av sin virksomhet knyttet til kull som brukes til energiformål» – altså leveranser til energi. Store Norske ønsker å legge om sin produksjon og rette seg inn mot markeder med bedre betingelser, deriblant metallurgisk industri. Det behovet kommer antageligvis til å leve videre. Så vi må ta med oss de nyansene som var i finanskomiteen. finanskomiteen. Representanten Rasmus Hansson sa også at dette var et statsfinansiert underskuddsforetak. Store Norske har faktisk bidratt med ganske betydelige overskudd og også utbytter til staten. De har havnet i en vanskelig situasjon nå, av forskjellige grunner, som er godt forklart, men vi bør anerkjenne at det er et selskap som har drevet på

Bakgrunnen for proposisjonen er, som flere har vært inne på, den krevende situasjonen i Store Norskes heleide datterselskap, gruveselskapet SNSG. Som følge av sterk reduksjon i kullprisen de siste årene og store urealiserte tap på valutasikringsavtaler kan SNSG ikke drives videre uten at det Nærings- og fiskeridepartementet mottok på denne bakgrunn, og som stor eier i Store Norske, et forslag til en tiltaksplan fra styret den 16. januar i år. Etter grundige vurderinger har regjeringen nå fremmet denne proposisjonen. I proposisjonen foreslås det at staten kjøper grunneiendommer og infrastruktur som eies av Store Norske, for Det foreslås også at det gis et såkalt subordinert lån, dvs. et lån med lav prioritet, på 205 mill. kr til Store Norske. Det er inngått avtaler med konsernet og SNSGs bankforbindelse DNB om vilkårene for tilførsel av kapital, med forbehold om Stortingets samtykke. Løsningen som foreslås i proposisjonen, innebærer at staten får direkte eierskap til strategiske grunneiendommer og infrastruktur på Svalbard som i dag eies av Store Norske-konsernet. Samtidig legges det til rette for videre kullvirksomhet i begrenset omfang i 2015 og 2016, med mulighet for drift etter 2016 dersom bl.a. kullprisene utvikler seg positivt. Rammen for denne løsningen er på 500 mill. kr. Det er høyere enn det styret ba om i sin tiltaksplan. Det skyldes bl.a. at markedsforholdene har forverret seg siden departementet mottok henvendelsen i januar. Samtidig inneholder proposisjonen ikke forslag om å tilføre selskapet midler til å utvikle nye forretningsområder, slik styret ba om. Før det kan tas stilling til dette, bør det foreligge en konkret forretningsplan. Videre bør det vurderes hvilken rolle SNSK skal ha i videre næringsutvikling på Svalbard. Som det framgår av proposisjonen, vil departementet følge markedsutviklingen og selvsagt situasjonen i selskapet tett, og vi vil på egnet måte komme tilbake til Stortinget om den videre utviklingen av I tillegg til kjøp av eiendommer og lån foreslås det i proposisjonen at staten innløser alle de øvrige aksjonærene i Store Norske i tråd med aksjerettslige prinsipper. Disse aksjonærene eier til sammen 0,06 pst. av selskapets aksjer. Flere av dem har en lang historie med selskapet. Innløsning er likevel hensiktsmessig nå, fordi det vil gi staten som eier mer fleksibilitet ved håndteringen av den videre utviklingen av Store Norske-konsernet. I vurderingen av denne saken har jeg vært opptatt av at løsningen som foreslås, ikke bør svekke konsernets grunnlag for videre drift. Det legges derfor opp til at konsernet inntil videre får anledning til å leie tilbake grunneiendommer og infrastruktur som staten kjøper, på forretningsmessige vilkår. Grunneiendommer og infrastruktur som eventuelt ikke leies tilbake, kan bli forvaltet av Store Norske på vegne av staten. staten. Det er ulike hensyn knyttet til statens eierskap i Store Norske. I stortingsmeldingen om eierskap, Et mangfoldig og verdiskapende eierskap, framgår det bl.a. at statens mål med eierskapet i selskapet er å bidra til at samfunnet i Longyearbyen opprettholdes og videreutvikles på en måte som understøtter de overordnede målene i norsk svalbardpolitikk, og at selskapet drives på forretningsmessig grunnlag. Gruvedriften har i mange år bidratt vesentlig til stabil, helårig norsk aktivitet og bosetting på Svalbard. Samtidig skal selskapet drives forretningsmessig. Støtte til kullvirksomhet på ikke-forretningsmessig grunnlag kan være uheldig av en rekke hensyn, også klimapolitiske. Dette er hensyn som er blitt vektlagt i den foreslåtte løsningen. Det er ikke til å komme forbi at framtidsutsiktene for kullvirksomhet på Svalbard er usikre. Regjeringen vil bl.a. derfor komme tilbake til Stortinget med en egen melding om Svalbard, der situasjonen for svalbardsamfunnet ses i lys av også den negative utviklingen i gruveselskapet. Det blir replikkordskifte. Jeg vil si at det er viktige grep regjeringen har gjort i denne saken. Man legger nå til rette for

Så i den grad en har lov til det, vil jeg gi ros til regjeringen for håndteringen av saken. Så vil jeg utfordre statsråden litt: Det er noen uker siden denne saken ble sendt til Stortinget. Har det kommet noen nye, oppdaterte vurderinger av situasjonen på Svalbard, kanskje særlig etter 2016, siden proposisjonen ble lagt fram? Og hvordan jobber regjeringen for å følge med på i selskapet og på Svalbard? Jeg takker for støtten og rosen. Det tar vi med oss. Vi er i tett dialog med selskapet, og det handler først og fremst nå om å lande alle de avtaler vi skal lande, med bank og med selskaper knyttet til eiendomsdrift og forvaltningen videre. Så vi følger situasjonen. Prisen på kull har ikke bedret seg – tvert imot. Vi ser at det foreløpig ikke er lysere utsikter. Så er jeg også opptatt av å gå i dialog med Longyearbyen-samfunnet, med næringsdrivende og med lokale myndigheter for å se på hvordan vi skal gå videre. Det må vi gjøre samtidig som vi er i dialog med selskapet. Vi har ikke tatt noen beslutning bl.a. om den søknaden selskapet for å drive omstilling. Den må vi gå mye nøyere inn i, og vi trenger mer informasjon. Men både selskapet og vi har hatt hendene fulle nå med denne saken. Replikkordskiftet er omme. Flere har ikke bedt om ordet til sak nr. 7. Etter ønske fra familie- og kulturkomiteen vil presidenten foreslå at sakene nr. 8 og 9 behandles under ett. – Det anses vedtatt.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

EØS-komiteens samtykke til innlemming i EØS-avtalen av direktiv om en viss tillatt bruk av hitteverk. Formålet med sistnevnte er å lage et felles europeisk system for å klarere såkalte hitteverk, åndsverk hvor den som har opphavsretten, er ukjent eller ikke kan lokaliseres. Med dette direktivet vil vi fremme spredning av og dermed også styrke den europeiske kulturarven.

Hitteverkdirektivet vil bli gjennomført gjennom nye regler i åndsverkloven, og vi får dermed en felles europeisk klareringsordning og gjensidig godkjenning av hitteverkstatus i alle EØS-land. Komiteen er samstemt i at det er behov for en slik felles tilnærming både til definisjon og til klarering av hitteverk. Angående generell avtalelisens mener komiteen at en slik ordning vil gjøre det mulig å klarere rettigheter på en enkel måte der individuell klarering er upraktisk eller umulig. Det er også komiteens syn at en slik avtalelisens ikke skal være en avgrensning av opphavsretten, men en form for rettighetsforvaltning. Både når det gjelder avtalelisens og tvisteløsningsregler, er det i dag fragmenterte lovverk som er vanskelig tilgjengelige. Regjeringspartiene og Kristelig Folkeparti har i en felles merknad til saken ønsket å presisere at formålet med loven ikke er å begrense adgangen til å inngå avtaler direkte med rettighetshaver. Det er ønskelig å sikre at gjeldende prinsipper for forholdet mellom individuell klarering og klarering ved avtalelisens ikke endres. Dette betyr videre at generell avtalelisens ikke skal omfatte områder hvor individuell klarering kan finne sted. Jeg vil igjen takke komiteen for et godt arbeid, og håper at med dagens endringer vil dette komplekse området fremstå noe mindre fragmentert og utilgjengelig, slik at opphavsrettspersoner får det som tilkommer dem, samtidig med at vi kan være trygge på at norske produksjonsmiljøer fortsetter å lage godt norsk innhold, og at distributører og tv-kanaler kan servere godt innhold også i

For tv-distribusjon er avtalelisensreglene i dag begrenset til samtidig og uendret videresending. Danmark fikk allerede i 2008 en avtalelisenshjemmel for ikke-lineære tjenester, som f.eks. tidsforskjøvet tv-bruk, Start forfra, Ukesarkiv osv. Disse tjenestene har i flere år vært tatt i bruk av tv-distributørene uten at det har eksistert en lovhjemmel for å klarere slike rettigheter.

gjelder tvisteløsning og betraktninger rundt EUs hitteverkdirektiv, viser jeg til saksordførerens innlegg og slutter meg til det. Så langt er komiteen enstemmig, og det er gledelig. Så vil jeg komme med noen utfordringer til flertallet, som har en tilleggsmerknad, som vi gjerne vil få avklart betydningen av. For det første skriver flertallet følgende: de gjeldende prinsippene for forholdet med individuell klarering og klarering ved avtalelisens skal ikke endres.» Hva menes med dette? Det Det kan være harmløst, men ikke hvis det trekker i retning av at man ikke skal kunne utvide områdene for kollektiv forvaltning under de nye avtalelisensreglene. Det kan nemlig velte hele balansen i saken. Vi har hørt om eksempler på at distributører tilbyr nye tilleggstjenester uten at rettighetene for slik bruk er avklart direkte med kunstnerne, kanskje nettopp fordi lovhjemmelen om generell avtalelisens har latt vente på seg. Videre skriver flertallet: «Flertallet vil understreke, som det fremgår i proposisjonen, at avtalelisens ikke skal omfatte områder hvor individuell klarering kan skje. Det kan for eksempel gjelde områder hvor det i dag er klarering ved individuelle avtaler med rettighetshaverne eller deres organisasjoner.» Dette kan tyde på at flertallet ikke mener at utvidet hjemmel også skal bety utvidede rettigheter til kollektiv forvaltning. Spørsmålet blir da: Hvor ligger det til rette for individuell klarering, og hvordan fungerer det i dag? Vi får meldinger om at opphavsmannen/-kvinnen presses til individuell klarering av alle rettigheter eller avtaler som kringkastere og distributører påstår omfatter også nye og ukjente utnyttelsesformer, selv om opphavsmannen ikke ønsker dette. Ligger det da til rette for Det vil dessuten være å vanne ut den nye ordningen dersom rettigheter skal kunne klareres bakover i verdikjeden i ettertid. Dersom f.eks. Norwaco tar kontakt med en distributør om manglende rettighetsklarering, er det med Norwaco distributøren må forhandle, ikke ved å gå tilbake og klarere i ettertid. Jeg vil gjerne utfordre statsråden til i sitt innlegg å bekrefte at det er slik det skal forstås. mot Norwaco sett at videresendingsbegrepet spises opp fordi kringkastere og distributører uten å spørre opphavsmannen eller Norwaco i forhåndsavtaler seg imellom definerer videresending som kringkasting. Dermed blir opphavsmannen fratatt retten til å få penger for videresending. Vi kan med andre ord risikere at flertallets tilleggsmerknad fører til at minst mulig endres,

Hovedregelen er at bruk av åndsverk skal klareres med den enkelte rettighetshaver. For bruksområder der en slik klarering er upraktisk eller umulig, har vi i Norge og Norden etablert lovregler som gjør det mulig å klarere bruk – altså inngå en avtale – med en organisasjon som representerer en vesentlig del av rettighetshaverne på området og er godkjent av Kulturdepartementet. Dette systemet kalles avtalelisens og har fungert bra gjennom mange år, f.eks. for Kopinor-ordningen og for videresending av kringkastingsprogram i kabel. I dag kan avtalelisens bare brukes på enkelte områder. Forslaget innebærer at ordningen utvides, slik at den gjelder generelt. Dette gjøres ved innføringen av en bestemmelse om generell avtalelisens. Hvis rettighetshaverorganisasjonen og brukeren er enige om det, kan de inngå slik avtale på nye bruksområder. Forutsetningen er imidlertid at det er upraktisk eller umulig å klarere rettigheten på annen måte enn ved bruk av avtalelisens. Tilsvarende regler er tidligere innført både i Danmark og i Sverige. i Sverige. Dette vil kunne være bra for alle aktørene på området: Brukerne vil få rettslig sikkerhet for at alle rettigheter er klarert, rettighetshaverne vil få vederlag for ny bruk av åndsverk, og forbrukerne vil kunne få økt tilgang til åndsverk ved nye tjenester. Det foreslås også visse endringer i tvisteløsningsreglene for avtalelisens. Nemndsordningen på området for videresending av kringkastingssendinger, Kabeltvistnemnda, foreslås opphevet, bl.a. på bakgrunn av EU-direktivet om satellitt- og kabelsendinger. På undervisningsområdet foreslås det at tvister knyttet til avtaler om bruk av åndsverk i undervisning skal kunne avgjøres av en nemnd. Dette vil kunne hindre at kopiering av åndsverk til bruk i undervisningen stoppes i konfliktsituasjoner. Den andre hoveddelen av forslaget gjelder gjennomføring av hitteverkdirektivet i norsk rett. Direktivet skal løse problemene med å klarere digital bruk av verk i bibliotek der man ikke finner opphavsmannen eller andre rettighetshavere til verket. Her viser jeg til at det i Prop. 126 S for 2014–2015 og i tilhørende Innst. 321 S for 2014–2015 er foreslått at Stortinget gir samtykke til at hitteverkdirektivet innlemmes i Formålet med hitteverkdirektivet er å fremme bruk av hitteverk som et ledd i spredning og styrking av den europeiske kulturarven, samtidig som rettighetshavernes interesse ivaretas. Kulturarvinstitusjoner i hele Europa er i gang med å digitalisere samlingene sine for å lage digitale bibliotek. Uten en felles klareringsmetode for hitteverkene blir det hull og mangler i dette viktige arbeidet. Det å ha store bibliotek tilgjengelig for elektroniske søk gir bedre forhold både for forskere og for oss vanlige brukere av kulturarven. Direktivet innfører altså en felles europeisk klareringsordning. Ordningen bygger på at det skal gjennomføres et omfattende søk etter rettighetshavere og påfølgende gjensidig godkjenning av et verks hitteverkstatus i alle EØS-land. Opplysningene om søket skal altså en felles europeisk klareringsordning. Ordningen bygger på at det skal gjennomføres et omfattende søk etter rettighetshavere og påfølgende gjensidig godkjenning av et verks hitteverkstatus i alle EØS-land. Opplysningene om søket skal framgå av en felleseuropeisk database over hitteverk, der Nasjonalbiblioteket er Norges kontaktpunkt. Dersom en rettighetshaver til et annet hitteverk skulle melde seg på et senere tidspunkt, vil verket ikke lenger være et hitteverk, og bruken må opphøre. Det foreslås at de nye hitteverkreglene skal fungere i bibliotekene i Norge. Lovproposisjonen inneholder også enkelte mindre forslag. Blant annet foreslås det at reglene om Det sakkyndige råd for åndsverker oppheves. Rådet har ikke vært i funksjon på mange år. Det åpnes for replikkordskifte. Jeg har opplevd at det var stor tilslutning til den lenge etterlengtede meldingen fra statsråden. Likeens har jeg registrert en viss uro over tilleggsmerknaden fra flertallet, og jeg vil derfor benytte replikkordskiftet til å utfordre statsråden på hennes syn på om hvorvidt det flertallet skriver her, kan være med på å vanne ut intensjonen med meldingen fra statsråden.

også skal bety utvidede rettigheter til kollektiv forvaltning? Det er faktisk slik at for å kunne inngå avtalelisens, må det være upraktisk eller umulig å ikke bruke avtalelisensene når man har anledning til det.

men i merknaden fra flertallet skrives det at avtalelisens ikke skal omfatte områder hvor individuell klarering kan skje, men statsråden viser til at det er der det er umulig eller upraktisk. Det er nettopp her det blir definisjonsspørsmål, og hvor kunstnerne er redde for at særlig distributørene bruker markedsmakten og økonomien som brekkstang for å svekke rettighetene. Det er behov for at statsråden som er ansvarlig for gir uttrykk for at det flertallet skriver i sine merknader, ikke skal være med og vanne ut det som fra statsrådens side er de gode intensjonene i meldingen. I proposisjonen er det veldig klart presisert at forslaget ikke er ment å endre forholdet mellom individuell klarering og klarering Utgangspunktet er at bruk av åndsverk skal klareres i direkte avtale med rettighetshaverne eller deres organisasjoner. Avtalelisens kan bare benyttes dersom slik klarering er upraktisk eller umulig. Det sies veldig klart og tydelig i proposisjonen, og jeg legger til grunn at det også ligger i denne merknaden. Jeg er enig med statsråden og er glad for den presiseringen. En siste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

vektlegges. Høringsinstansene som argumenterer mot lovendringen, mener at bruksnavn er felleseie og felles kulturarv, ikke eiendom til en enkelt grunneier. I mange tilfeller vil bruksnavn tape kulturminneverdi når grunneier skal kunne avgjøre skrivemåten. Grunneieren vil kunne velge en skrivemåte som formidler det private etternavn. Komiteen understreker at bruksnavn er viktige kulturminner og en del av den immaterielle kulturarven i Norge. Komiteen understreker videre at dette gjelder bruksnavn og ikke stedsnavn. Komiteen deler seg i synet på hvem som skal bestemme hvordan skrivemåten på bruksnavn skal være i offentlig bruk. Arbeiderpartiet kommer til å stemme mot lovendringen i dag på bakgrunn av at vi ønsker at dette skal være en offentlig oppgave mer enn den enkeltes rett. Det er allikevel grunn til å påpeke at Arbeiderpartiet mener at grunneiers synspunkt bør tillegges særskilt vekt, og at kommunenes synspunkter tas med når vedtak fattes.

Her har vi heldigvis et godt rettsvern i landet vårt. Stedsnavnloven har som formål å «ta vare på stadnamn som kulturminne, gi dei ei skriftform som er praktisk og tenleg, og medverke til kjennskap til og aktiv bruk av namna». Det offentlige har ansvaret på dette området. Kommunen vedtar skrivemåte av offisiell adresse og navn på tettsteder, grender, kommunale gater, veier, torg, bydeler Fylkeskommunen bestemmer hvordan navnet på fylkeskommunale anlegg skal skrives. Skrivemåten på andre stedsnavn blir vedtatt av Statens kartverk. Av og til oppstår det imidlertid uenigheter, også om skrivemåten. For to tiår siden reiste Østre Toten kommune navnesak om skrivemåten for en rekke lokale stedsnavn. For eksempel skulle «Hoel» skrives uten «e» på et skrives uten «e» på et sted, og «Hveem» skulle bli til «Kvem» på et annet. For naboer, for andre folk i Østre Toten og for Statens kartverk betyr ikke disse sakene så mye. Men det gjør det for dem som har fått sitt etternavn fra gården de bor på. Hoel med «e» vil ikke bo på Hol uten eller motsatt. Derfor burde han og de 100 andre grunneierne i Østre Toten, eller de om lag 900 andre grunneierne på landsbasis med uavklart navnesak, også få bestemme hvordan navnet skal skrives. Departementet har nå tatt de nødvendige grep, og endret loven slik at grunneier kan bestemme skrivemåten på bruksnavnet om denne skrivemåten kan dokumenteres å ha vært i offentlig bruk tidligere. Denne endringen er god av flere grunner. For det første er endringen konfliktdempende. Den delegerer ansvar nedover og gir ikke overordnede etater hjemmel til å overprøve brukernes ønsker. Dette bør også sees på som en styrking av grunneierretten. Det ønsker vi i Høyre velkommen. For det andre medfører dette en styrking av kulturminneforvaltningen,

loven gjennom dette understreker hensynet til identitet og tilhørighet. Loven vil, etter endringen, i større grad enn før ivareta det usynlige båndet som forener mennesket med sitt hjem. Jeg skal ikke holde noe langt innlegg i denne saken. At dette er

ca. 20 bind. Her finner vi uttaler, skriftformer og tolkninger. Det er et verk som for øvrig andre land misunner oss. Vi velger, sammen med Arbeiderpartiet, ikke å støtte proposisjonen. Hovedargumentet for Kristelig Folkeparti er at vi mener bruksnavn er kulturminner og historiske minnesmerker, som hører stedet og fellesskapet til. Slektsnavn er privat eiendom og må skrives slik eieren bruker dem. Bruksnavn, derimot, er vårt felleseie og må vernes mot forvanskninger. En grunneier kan ikke ha råderett over bruksnavn mer enn over andre vernede kulturminner. Vernet må gjelde nedarvede, gamle navn, uten hensyn til at navnet er gårdsnavn, bruksnavn eller andre stedsnavn. På samme måte som med fysiske kulturminner må også bruksnavn vernes mot å ødelegges. Vernede bygninger og gjenstander har lovfestet vern, noe bruksnavn også må ha. Da må skrivemåten være sånn at nedarvet lokal uttale blir brukt. Formålet med lov om stadnamn er å ta vare på navn som kulturminner. Måten en gjør det på, er selvsagt å bruke bruksnavnet, slik at en ikke glemmer Den offentlige bruken av bruksnavn krever at navnene må skrives ned, og loven inneholder regler for hvordan en skal skrive navnene. Hovedprinsippet i gjeldende lov er at skrivemåten av navnet skal ta utgangspunkt i den nedarvede lokale uttalen, og så skal en skrive navnet med en form innenfor norsk rettskriving – nynorsk eller bokmål – som ligger tettest opp til den lokale uttalen. Det er også mulig å avvike fra denne rettskrivingen og velge regionale former som ikke finnes i bokmål eller nynorsk. Eksempler på slike former er «tjønn» eller «tjenn» istedenfor «tjørn» eller «tjern». Vi mener en best ivaretar bruksnavnet om en ser på det som en kollektiv eiendom som skal sikres, ved at en sakkyndig instans tar ansvar for normering av navnet i samråd med dem som har rett til å uttale seg om dette. En normeringsinstans må ha kunnskap om og innsikt i hvordan et bruksnavn kan ivaretas og vedlikeholdes gjennom skiftende tider. Det er på bakgrunn av dette at Kristelig Folkeparti går imot forslaget. Representanten

Statens kartverk har en sentral funksjon i forvaltninga av loven gjennom rollen som vedtaksinstans for skrivemåten av navn på alle fjell, åser, vatn, elver osv. Etter revidering av loven i 2005 har kartverket gått igjennom og fattet vedtak i mange tusen saker, i tråd med lovens krav om at skrivemåten skal følge gjeldende rettskrivingsprinsipper. Mange gårdsnavn er opp mot 2 000 år gamle, og skrivemåten har gjerne endret seg opp gjennom tidene. Mange gårdsnavn som i dag fungerer som familienavn, skrives etter rettskrivingsregler fra 1700- og 1800-tallet. Og det er her vi kommer til stridens kjerne. Mange grunneiere har i disse årene fått seg en overraskelse når den offisielle skrivemåten på bruksnavn til gårdsbruket er blitt endret uten at eierne har vært klar over det. Jeg har vært i samtaler og møter både med dem som representanten Harberg nevnte, og med mållaget på Toten, så begge er blitt hørt. hørt. Navn er for de fleste av oss nært forbundet med egen identitet. Sjøl om denne saken ikke dreier seg om retten til å bestemme verken familienavn eller skrivemåten av disse, knytter det seg følelser og identitet til skrivemåten til bruksnavn og gårdsnavn. Slik gjeldende lov har vært praktisert, har det i flere tilfeller ført til at slektsnavn og gårdsnavn er blitt atskilt ved at gårdsnavnet er gitt ny skrivemåte. Dette føler mange grunneiere som et overgrep mot identiteten knyttet til deres. Et annet forhold er at gårder i historisk tid ofte har vært delt opp i flere gårder og bruk. Ofte finnes det derfor flere bruksnavn på hver gård som helt eller delvis er identisk med gårdsnavnet. Ikke sjelden er grunneierne uenige seg imellom om skrivemåten, slik at det har utviklet seg ulike skrivemåter for det opprinnelig samme gårdsnavnet på underbrukene. For Senterpartiet er det viktig at det i lovforslaget slås fast at grunneieren må kunne dokumentere at skrivemåten en ønsker, faktisk har vært i bruk som bruksnavn. som bruksnavn. Sjøl om gjeldende skrivemåte ble innført på et seinere historisk tidspunkt enn navnets opprinnelse, er det likevel av relativt eldre dato og i henhold til datidas skrivenorm. I et slikt perspektiv ligger det en historisk verdi i fortsatt å tillate skrivemåten fra den tida en begynte å fastsette stedsnavn i skriftlig form. Disse har over noen hundre år blitt innarbeidet og er i dag en del av den lokale

Neste taler er representanten Erlend Wiborg, som er ordfører for saken, deretter statsråd

Stedsnavnloven har en lang forhistorie. Den første spiren til offentlig normering finner vi i forbindelse med matrikkelrevisjonen i 1838, og siden da har offentlige myndigheter hatt ansvar for å normere gårds- og bruksnavn. Endring i stedsnavn, i forståelsen tettsted, kommunesenter eller kommune, er i liten grad tema for lovendringa vi behandler her i dag. Saken gjelder bruksnavn, som representanten Tingelstad Wøien og flere har vært inne på, eller enda mer presist – det gjelder stavemåten for gård og grunn. Særlig etter at vi fikk veinavn og lokale vei- og adressenummer, har skrivemåten for enkelte bruk og gårder skapt debatt. Det er da vi kommer til at vi må se disse to lovene – personnavnloven og stedsnavnloven – i sammenheng. Jeg hørte representanten for Kristelig Folkeparti Jeg har vokst opp på Tjernet og heter Kjenseth. «Kjenn» er det vi sier på folkemunne der jeg er fra. Vi har egentlig ikke reflektert noe særlig over det, og jeg tror ikke noen av oss verken har tenkt å endre personnavnet eller gå inn og endre gårdsnavnet. Når det gjelder lovendringa her i Når det gjelder lovendringa her i dag, så støtter Venstre den. Vi mener at det vi gjør her i dag, ikke er å gi grunneier retten til å bestemme skrivemåte uten videre. Vi endrer jo også § 3 og ikke bare § 6. Det må dokumenteres at det er en skrivemåte som har vært i bruk. For Venstre, ble dannet i opposisjon til embetsmannsstaten, er kanskje det viktigste vi gjør i dag, å gi grunneier anledning til å anke og være i dialog med de forvaltningsorganene som i dag forvalter dette – Statens kartverk og Språkrådet. I en sak som kan være litt følsom, som angår både personnavnet – som gjerne er til en moderne skrivemåte – og et gårdsnavn som har lange kulturhistoriske tradisjoner med seg, synes vi det er en viktig endring. Det er kort sagt bakgrunnen for at Venstre støtter dagens forslag. Stedsnavn er

stedsnavn kan være en liten fortelling om hvordan vi bosatte landet, eller et glimt inn i våre forfedres levesett, gjøremål og tro. Stedsnavnene er også en høyst levende del av vår eldste språklige arv. De er muntlig overlevert fra generasjon til generasjon og best bevart i talemålet på stedet. Formålet med stedsnavnloven er å gi stedsnavnene vern. Rikdommen av navn skal videreføres når det offentlige tar dem i bruk. Opplysningene som stedsnavnene kan Vi er alle fortrolige med hundrevis av stedsnavn. De er en del av dagligtalen og lokalkunnskapen vår. Vi blir kjent med dem i oppveksten. De knytter oss til steder, til en grend, til en gård, til en slekt. De lager forbindelser til etternavnet vårt. Mange nordmenn har etternavn som opprinnelig var stedsnavn. Lovforslaget forsøker å kombinere to ulike tilnærminger til stedsnavn. Det anerkjenner både grunneierinteresser og samfunnsinteresser. Stedsnavn har kulturminneverdi for storsamfunnet og er på den måten et felleseie. Samtidig mener vi at slektsfølelse og personlig identitet knyttet til et konkret bruksnavn er et helt legitimt hensyn, som loven må ivareta. Lovforslaget går derfor ut på at grunneiere skal få rett til å fastsette skrivemåte av navn på egen eiendom og eget gårdsbruk. Kartverket vil fortsatt være formelt vedtaksorgan i sakene. Men dersom grunneieren kan dokumentere at skrivemåten han ønsker på gårdsbruket sitt, har vært i offentlig bruk som bruksnavn, skal skrivemåten kunne vedtas uten videre. Etter forslaget vil det ikke være et krav at skrivemåten må følge norske rettskrivningsprinsipper, slik forutsetningen er i dagens lov. Jeg er glad for at komiteen har merket seg at endringsforslaget bare gjelder bruksnavn, altså navn på privat eiendom eller gårdsbruk. Endringen gjelder ikke omgripende gårdsnavn eller andre stedsnavn. Forslaget innebærer en liberalisering som tilgodeser grunneieren på sin lille teig, men den eierfastsatte skrivemåten skal ikke gis innflytelse på skrivemåten av den mengden av stedsnavn som kommunen, fylkeskommunen og staten vedtar skrivemåten for. For å være konkret: Dersom bruksnavnet skal inn i en gateadresse som kommunen vedtar, legges offentlig normering til grunn. Vi har fulgt opp en innstilling som en enstemmig kulturkomité ga i 2008. Stortinget ba om at reglene for skrivemåten av bruksnavn skulle mykes opp. Oppdraget var å endre loven slik at et bruksnavn som er identisk med et gårdsnavn, ikke må skrives som gårdsnavnet. Dersom en grunneier vil skrive bruksnavnet Vik med W, skal han etter forslaget få lov til det, selv om Kartverket vedtar V for gårdsnavnet som bruksnavnet er utledet av. Om kommunen vil vedta gatenavnet Viksveien, vil det skrives med V, slik vi ellers skriver det norske ordet «vik». Skrivemåten formidler direkte hva ordet betyr. Offisiell normering skal altså fremdeles råde grunnen når stat og kommune gjør sine vedtak om skrivemåte. Stedsnavn skal fremdeles ha en skrivemåte som ikke bidrar til å skjule det språklige opphavet eller hva navnet forteller oss om natur og menneskelig aktivitet. Offentlig forvaltning av stedsnavn, f.eks. i kartproduksjon, har en viktig, praktisk tilleggsdimensjon til kulturminneforvaltningen. Vi skal ha en sikker stedfesting av steder og hendelser. Det er f.eks. viktig i en beredskapssammenheng. Også av disse grunnene skal Kartverket fremdeles være formelt vedtaksorgan for bruksnavnene. De aller fleste stedsnavn som det offentlige skal bruke på kart og skilt, eksisterer allerede på folkemunne. Men stedsnavnene trenger ofte et vedtak om skrivemåte når navnet skal brukes av det offentlige. Derfor er stedsnavnloven en helt reell tradisjonsbærer på vegne av oss alle. Mange stedsnavn ville ha gått tapt dersom ikke loven sikret en videreføring. Når grunneierne får en større innvirkning på videreføringen av stedsnavnene, gir vi dem tillit og ansvar som tradisjonsbærere. Derfor er forslaget vårt at de også skal kunne be om en navnefaglig tilrådning hvis de ønsker det. det. Jeg håper og tror forslaget til lovendring fører til færre konflikter mellom vedtaksorgan og grunneiere. Det er godt for rettsoppfatningen og bygger ned unødvendig byråkrati. Jeg håper samtidig at forståelsen for hvorfor stedsnavnene trenger forvaltning som umistelige kulturminner, kan styrkes. Det åpnes for replikkordskifte.

Jeg vil også påpeke at navnefaglige instanser mener at bruksnavn er felles eie og felles kulturarv, og ikke eiendommen til en enkelt grunneier. Mitt spørsmål til statsråden blir: Vil denne endringen styrke kulturminneverdien eller svekke den i i Norge? Jeg merker meg selvfølgelig de motforestillingene som er kommet fra noen av høringene, bl.a. fra navnefaglige miljøer. Men det vi har foreslått, er jo en avgrenset liberalisering som tilgodeser grunneieren på en rimelig måte, og det er bare navn på privat eiendom som er omfattet av denne endringen. For alle andre stedsnavn er reglene sånn som de har vært før. før. Vi har tydeliggjort hvorfor offisiell normering av stedsnavn er viktig og nødvendig, og jeg mener at dette ikke er med på å svekke den situasjonen, men det er absolutt med på å styrke den. Jeg bare minner om at dette var det jo et enstemmig storting som vedtok, da det behandlet Dokument 8-forslaget i sin tid, og også tidligere statsråd Trond Giske

Men jeg ønsker å spørre statsråden om hvilke virkemidler hun vil bruke for å opprettholde et høyt kulturminnevern, også med hensyn til bruksnavn i tiden framover. Jeg mener at det at loven er slik som den er, og slik som den fortsatt vil være, vil være grunnlaget for at vi er med på å opprettholde dette i årene framover.

men den som bor på bruket, har altså en sterkere tilknytning til dette navnet enn det kanskje vi andre har. Den personlige identifiseringen med navnet og eiendommen må også anerkjennes, og det gjør ikke dagens lov. Derfor er det utrolig viktig at man gjør denne endringen. Jeg nevner igjen at det faktisk var et enstemmig storting som ga signal om at det var behov for å endre loven, i 2008 da man hadde denne diskusjonen men det er altså noen av partiene som har endret synspunkt på det. Replikkordskiftet er omme. Flere har ikke bedt om ordet til sak nr. 10. Etter ønske fra komiteen vil presidenten foreslå at sakene nr. 11 og 12 behandles under ett. – Det anses vedtatt. Etter ønske fra familie- og kulturkomiteen vil presidenten foreslå at taletiden begrenses til 5 minutter til hver partigruppe og 5 minutter til medlem av

for sakene. Først vil jeg takke komiteen for et godt arbeid i denne saken. Det har vært en sak hvor det har vært enighet i komiteen, enighet om at vi skal ratifisere, og enighet om hvordan vi skal gjennomføre konvensjonen i norsk rett. Barn kan ha tilknytning til flere land. Et barn kan være statsborger i og ulike lovregler og manglende kommunikasjon over landegrensene gjør at disse barna vanskeligere får hjelp hvis de f.eks. utsettes for omsorgssvikt eller bortføres av foreldrene sine. Derfor er det viktig å gi disse barna økt beskyttelse og økt rettssikkerhet. 41 stater har til nå sluttet seg til konvensjonen, herunder EU-statene. Derfor var det nå på høy tid at også Norge tok dette skrittet. Konvensjonen foreslås gjennomført ved inkorporasjon. Dette betyr at konvensjonen gjelder som norsk rett. Det foreslås en egen lov om gjennomføring av konvensjonen. I tillegg er det også foreslått endringer i barnevernsloven, ekteskapsloven og barneloven for å tilpasse seg konvensjonen. Konvensjonen regulerer beskyttelsestiltak rettet mot barn. Den berører foreldreansvar, fast bosted, samvær, vergemål, plassering i fosterhjem og institusjon samt forvaltning av barnets formue. Komiteen har valgt å knytte noen bemerkninger til enkelte av endringene. For å kunne samarbeide med andre land er det foreslått bestemmelser om overføring av personopplysninger. Noen av høringsinstansene har hatt bemerkninger til dette. Det redegjøres for dette i proposisjonen. Her vises det til konvensjonens bestemmelser om at personopplysninger skal behandles konfidensielt og kun benyttes til det formålet opplysningene er knyttet til. Videre skal ikke opplysningene utleveres dersom dette vil sette barnet eller dets formue i fare, eller utgjøre en trussel mot barnets familie. Konvensjonens grunnleggende hensyn er barnets beste, og dette kan begrunne at også mindre alvorlige trusler eller andre negative konsekvenser hindrer utlevering av opplysninger. Jurisdiksjonsbestemmelsene endres til det stedet barnet har vanlig bosted. Det betyr f.eks. at foreldre ikke kan unndra seg et barnevernstiltak ved å ta barnet ut av landet dersom barnet har vanlig bosted i Norge. Foreldre som ikke blir enige ved flytting ut av landet, får mulighet til å reise sak for domstolen. Barns rett til å bli hørt i saker om flytting styrkes. Det ble diskutert for barns medbestemmelsesrett skulle være 12 år eller 15 år, og komiteen mener det var en riktig avgjørelse å gi barn medbestemmelse fra 12 år. Det innføres en bestemmelse som gir mulighet til frivillig fosterhjems- og institusjonsplassering i andre konvensjonsland for barn som oppholder seg i utlandet, men har vanlig opphold i Norge. Det er begrenset hvor god oppfølging norske myndigheter kan ha på slike plasseringer, og det støttes at det skal være en restriktiv praksis. Formålet med Haagkonvensjonen er å gi økt vern for barn i internasjonale situasjoner og øke internasjonalt samarbeid. Vi voksne beveger oss i større grad over landegrensene nå enn det vi gjorde for bare noen tiår siden. Dette betyr at også flere barn er mer internasjonale. Det er viktig å ha samarbeid mellom landene slik at ikke disse barna blir kasteballer mellom ulike system som ikke snakker sammen. Ratifikasjonen av konvensjonen vil gi Norge et nytt virkemiddel for å forebygge og løse internasjonale foreldretvister, barnevernssaker og barnebortføringssaker. Takk, saksordfører, for et godt samarbeid i komiteen og et godt, fyldig saksframlegg. Når det gjelder ratifikasjonen av konvensjonen, er det

endringene. Det er viktig å vite at denne konvensjonen ikke gjelder fastsetting av farskap og morskap. Det at vi innfører konvensjonen, får derfor ikke noen direkte betydning for å overføre eller regulere foreldreskap, men den regulerer altså foreldremyndigheten. Spørsmålet som er aktuelt i den forbindelse, er surrogati. den forbindelse, er surrogati. Denne saken gjelder altså ikke surrogati, men man viser til at utenlandske surrogatikontrakter og avgjørelser er kontraktsrettslige forhold som ikke nødvendigvis refererer seg til foreldreskap og foreldremyndighet. Det er verdt å merke seg at de stater som har sluttet seg til konvensjonen, heller ikke er stater som tilbyr kommersiell surrogati til Loven presiserer hva som er et felles foreldreansvar. Dette er viktig for å kunne tydeliggjøre at det er begge foreldre som skal samtykke når det gjelder f.eks. kortere feriereiser. Den presiserer også at det skal innhentes samtykke ved forlengelse av opphold og ved endringer hvis man har avtalt å flytte – noe som er ganske flyttemønster. Barneloven § 40 slår fast at foreldre ikke kan flytte barn ut av landet der det er uenighet, og saken ikke er «avgjort» og rettskraftig. Det er viktig med tanke på barnebortføringer og å sikre barns beste. Det har vært en del saker i media i den siste tida der noen ønsker å la barnets bosted eller tilhørighet være unntatt fra barnevernstiltak og omsorg i Norge, f.eks. ved å følge egne lands lover – jf. kritikken som er kommet fra andre land. Sånn er det altså ikke.

Mange barn oppholder seg i andre land, men har til vanlig bosted i Norge. Endringen i § 1-2 gjør at barnevernstjenesten kan undersøke bekymringsmeldinger som kommer for disse – noe som er positivt og bra for barn som ikke har det greit i utlandet, noe vi dessverre vet skjer altfor ofte. Endringen i § 1-2 innebærer også at fylkesnemnda skal treffe vedtak om omsorgsovertakelse og adferdsplassering på institusjon, selv om barnet har forlatt landet, men anses å ha vanlig bosted i Norge. At det kan treffes vedtak om plassering, gjør at barn kan sikres også hvis de oppholder seg i utlandet, og at de får den nødvendige oppfølging og beskyttelse som vi mener er viktig. Dette er viktige tiltak som ivaretar barns beste. Da kan vi følge opp barna om de er i landet, eller også om de er i utlandet. Det er vurdert om det skal utarbeides en særbestemmelse i barneloven kapittel 8 om hvilken kommune som har ansvar for barn som oppholder seg i utlandet, men som har vanlig bosted i Norge. Komiteen har merket seg det. Det er viktig at det gjøres, og at kommunene får vite hva som er deres ansvar. Jeg håper at statsråden også følger opp dette. Lovendringene og tilslutning til konvensjonen vil bidra til bedre beskyttelse av barn, og Arbeiderpartiet støtter endringene.

og det kan være ekstra krevende å beskytte dem. Et barn kan være statsborger i én stat, bo i en annen og oppholde seg i en tredje. Både departementene og utenriksstasjonene har de siste årene hatt økende pågang fra utenlandske myndigheter, særlig på barnevernsområdet, der de blir bedt om å gripe inn i eller løse enkeltsaker. Uten de rette virkemidlene kan dette være vanskelig. vanskelig. Tilslutning til denne konvensjonen innebærer at internasjonale foreldretvister og barnevernssaker i større grad kan forebygges og løses av norske myndigheter, i god dialog med utenlandske myndigheter. Konvensjonen regulerer internasjonal privatrett og samarbeid når det gjelder foreldremyndighet og beskyttelsestiltak for barn. Konvensjonen skal gjelde i saker om foreldreansvar, fast bosted, samvær, vergemål, plasseringer i fosterhjem og institusjon samt forvaltning av barnets formue. Et sentralt formål er å forebygge barnebortføring. Norge er tilsluttet Haagkonvensjonen 1980 om barnebortføring. Konvensjonene 1996 og 1980 er ment å virke sammen. Haagkonvensjonen 1996 kan bidra til at barnebortføringssaker forebygges, og at barnet gis en stabil omsorgsløsning etter en tilbakeføring. Konvensjonen fastsetter at landet der barnet har vanlig bosted, kan treffe beskyttelsestiltak. Landet som barnet oppholder seg i, kan likevel treffe midlertidige tiltak og tiltak i hastesituasjoner. En sak kan overføres til en annen stat når dette er til barnets beste. Konvensjonen har også regler om lovvalg og regler om anerkjennelse og gjennomføring av beskyttelsestiltak som er truffet i andre stater. Konvensjonen legger videre til rette for samarbeid og informasjonsutveksling mellom landene. landene. Konvensjonen forutsetter at hvert land oppretter en sentralmyndighet som skal samarbeide med sentralmyndighetene i andre konvensjonsstater, veilede om konvensjonen og informere om lover og tjenester. For at Norge skal kunne tilslutte seg denne konvensjonen, er det nødvendig å gjøre en del lovendringer. Det er også ønskelig med enkelte endringer for å legge til rette for at norsk rett er godt tilpasset konvensjonen og dens formål. Regjeringen foreslår derfor i proposisjonen endringer i barneloven for å forebygge barnebortføring og hindre at barn etterlates i utlandet. Når det foreslås endringer i barneloven, er det også sett hen til at det er et sentralt formål med Haagkonvensjonen 1996 å legge til rette for at forelder og barn fortsatt kan ha samvær og kontakt, selv om barnet og den andre forelderen flytter til en annen stat. Vi foreslår bl.a. at foreldre som ikke blir enige, får mulighet til å reise egen sak for domstolen om å flytte med barnet ut av landet. Vi foreslår bl.a. at foreldre som ikke blir enige, får mulighet til å reise egen sak for domstolen om å flytte med barnet ut av landet. Det foreslås også at barn over 12 år skal samtykke for å kunne flytte til utlandet alene. Dette blir spesielt viktig for å forebygge tvangsgifte eller kjønnslemlestelse. Vi vet at dette ofte skjer ved sterk tvang fra foreldrene, og uten at barnet

Regjeringen foreslår også å åpne for mulighet til frivillig fosterhjems- og institusjonsplassering i andre konvensjonsland. Det stilles da krav om at foreldre og barn over 12 år samtykker til plasseringen, og at plasseringen er forsvarlig og til barnets beste. Det er på høy tid at Norge tar del i dette internasjonale samarbeidet. 41 stater er nå tilsluttet Haagkonvensjonen 1996, også EU-statene. Regjeringen har prioritert arbeidet med denne proposisjonen. Jeg er glad for at Stortinget i Regjeringen har prioritert arbeidet med denne proposisjonen. Jeg er glad for at Stortinget i dag støtter Norges tilslutning til Haagkonvensjonen 1996, som vil bidra til økt beskyttelse av barn med tilknytning til flere land. Flere har ikke bedt om ordet til sakene nr. 11 og 12. Etter ønske fra familie- og kulturkomiteen vil presidenten foreslå at taletiden blir begrenset til

er representanten Erlend Wiborg, som er ordfører for saken, deretter

Hele 78 av 87 høringsinstanser som har konkludert, har konkludert positivt og støtter dette. Barnevernet kan i dag pålegge hjelpetiltak utenfor hjemmet, men ikke i hjemmet. Jeg tror mange av oss i komiteen jevnlig får henvendelser der foreldre har vært litt skeptiske og redde og takket nei til hjelpetiltak, man da utilsiktet har endt med en situasjon hvor man rett og slett mister barna, og at de tas ut av hjemmet. Dette er etter komiteens syn en sak som vil gjøre situasjonen bedre. Det skal jobbes mer forebyggende, rett og slett for å kunne forhindre og forebygge omsorgsovertagelse der grunnlaget er til stede. Det betyr at nå vil jobbe mer med familiene, mer forebyggende, og i denne saken mener komiteen at det er et skritt i riktig retning, der målet er å hjelpe foreldrene mer med å bli gode omsorgspersoner sammen, der det er mulig. Før jeg går videre, vil jeg gjerne anbefale komiteens tilråding, på vegne av Arbeiderpartiet, Høyre og Fremskrittspartiet,

en litt fortvilt situasjon. Og når vi ser at systemet er utsatt for en manglende tillit etter hvert, tenker jeg at det er vi som kan gjøre noe med det. Vi skal bidra. Ja, barnevernet gjør mye riktig og mye bra, men det kan også gjøres feil. Vi må legge til rette for at det blir flere trinn i trappa, sånn som denne saken legger opp til, men jeg tror også at vi kanskje må gjøre enda flere endringer. Jeg hilser en sånn debatt velkommen. Jeg har også fått – i likhet med komiteen, som så sent som i går fikk det samme, vet jeg – en henvendelse i form av et brev fra bl.a. Norges ME-forening, om eksempelvis sykdom. Der blir det sagt at man mister omsorgsretten hvis man har syke barn som ikke møter på skolen. Det er ting vi skal ta på alvor, forhold rundt sykdomstilstander også. Jeg håper statsråden tar det også med seg videre: videre: Man skal ha respekt for at noen er syke, og det er ikke dermed sagt at det er omsorgssvikt. Vi må hele tiden bestrebe oss på at dersom vi kan forebygge og forhindre omsorgsovertagelse ved å jobbe sammen med foreldrene og lære dem til å bli gode omsorgspersoner, så må det være det absolutt beste for alle i samfunnet, ikke minst for barna og familiene, så fremt det ikke er snakk om vold, overgrep eller grov omsorgssvikt, for da skal barna ut. Jeg tror dette er en god dag for norske barn og norske foreldre, som lettere skal få hjelp, som lettere skal jobbe sammen, som lettere skal kunne leve det gode liv, som lettere skal kunne holde familien samlet – det er samfunnet tjent med. Tidligere i dag ble resultatkrav i skoler debattert i en annen komité. Ja, det plasserer ansvar. Ta det på alvor, gjør noe med det. De som jobber i systemet, sier jo selv at systemet er i ferd med å ødelegge. Da må vi hjelpe. Hvordan kan vi nå legge til rette for å få et mer velfungerende, bedre og tryggere barnevern for framtiden? Representanten Morten Stordalen har tatt opp det forslaget han

Men dessverre er det slik at i noen tilfeller kan det være helt nødvendig å ha mer kraft bak tiltakene der det ikke oppnås enighet med foreldrene. Mange høringsinstanser har vært klare på at et pålegg om å ta imot hjelpetiltak er en viktig brikke i helheten for et godt barnevern. Alle er enige om at barn har det best i egen familie, om det går an, men noen ganger er det ikke mulig. Arbeiderpartiet vil presisere nok en gang at det å sette inn hjelpetiltak må ikke forhindre eller utsette omsorgsovertakelse der det er rett å gjøre. Barnas beste må gå foran foreldrevern. Det er slik at noen ganger vil hjelpetiltak vi setter inn, avdekke raskere om det er nødvendig med omsorgsovertakelse eller ikke, og det er positivt. Derfor støtter vi den endringen. Arbeiderpartiet vil også understreke at det er viktig at alle frivillige tiltak skal være prøvd før en går inn og pålegger tiltak. Mulighetene som i dag finnes, som f.eks. å kunne pålegge barnehage, bør brukes enda mer. Det er bra å bruke barnehage og SFO, men vi deler den bekymringen som FUG kommer med når det gjelder kompetanse, særlig hos ansatte i SFO. SFO. Særlig innenfor SFO kan det være de ansatte som må møte foreldre som egentlig ikke vil bruke det tilbudet, og som må ha de vanskelige daglige møtene. Derfor er det viktig å tilføre kompetanse i de sakene der det er aktuelt, slik at hjelpetiltaket får best mulig forutsetninger for å lykkes. Det er også nødvendig at vi evaluerer tiltakene tidlig og fortløpende.

Arbeiderpartiet mener at det må være rom for at barnevernet med sin store kompetanse sjøl kan vurdere om nødvendige hjelpetiltak som skal settes inn, har effekt. Kompetanse og godt faglig tilbud må være det viktigste. Når det gjelder det å kunne pålegge foreldre–barn-senter – et pålegg om å bruke det – har vi vært opptatt av at det tiltaket skal også kunne brukes forebyggende og i en tidlig fase, ikke bare i de vanskeligste og mest alvorlige sakene, men at de settes inn før det blir for tilspisset. Derfor er Arbeiderpartiet med på å stryke § 4-4 fjerde ledd og på å la senterne underlegges samme vilkår som andre omsorgsendrende tiltak og kontrolltiltak, og ikke etter de strenge reglene i § 4-12. Flere høringsinstanser nevner i sine svar at det er en viktig arena å bruke. Det er fylkesnemndene som skal avgjøre om de pålagte hjelpetiltakene skal iverksettes, det er bra. Men jeg vil likevel påpeke en bekymring for at det allerede i dag er ventetid for behandling i nemnda, og mener at enda flere oppgaver vil kunne øke ventetida. Det håper jeg statsråden følger nøye med på, og dersom ventetida øker ytterligere på grunn av de tiltakene vi nå setter inn, må nemnda styrkes. Forslaget til endring i § 4-4 reiser også et spørsmål om taushetsplikten, som representanten Stordalen var inne på, og utveksling av informasjon. Vi må sikre at endringen ikke er til hinder for utveksling av viktige opplysninger. Derfor er det bra at vi har et fellesforslag om at dette bør ses nærmere på. Intensjonen er jo at barna skal få mer og bedre hjelp, og vi må ikke skape vansker slik at de ikke får det.

men idet de gjør det, lukker familien seg. De møter opp, de snakker med barnevernet, men er stolte og nekter å ta imot noen hjelp. Kanskje finner barnevernet at familien strever litt for tiden. Mor har mistet jobben, far forsøker å kompensere så godt han kan, og begge sliter med å sette barna først i denne situasjonen. Foreldrene har lite nettverk rundt seg. De blir tilbudt et besøkshjem og kanskje et kurs om å takle foreldrerollen. De takker fortsatt nei – dette klarer de selv. Tidligere kunne barnevernet sette familien på obs-listen og følge utviklingen, i den grad de fikk det til i en stresset hverdag. Kanskje ville den lille familien klare brasene helt selv. Men kanskje eskalerer situasjonen, og det hele ender i et akuttvedtak med plassering av barna utenfor hjemmet. Hele barnevernets system er at vi skal ta i bruk de minst inngripende tiltakene først. Allikevel øker antallet akuttvedtak. Vi har alle opplevd tøffe situasjoner i livet. Når en står midt oppe i det, er en ikke mest mottakelig for hjelp. Men barnevernets rolle er ikke bare å se foreldre; de har plikt til å se barna, høre deres stemme og hjelpe dem med å få oppfylt sine rettigheter. Lider barn under foreldres krise og foreldrene ikke takler å ta imot hjelp, er det faktisk barnevernets plikt å hjelpe barna allikevel. I denne saken gis barnevernet denne muligheten. Vi skal fortsatt forsøke de minst inngripende tiltakene først. Barnevernet skal skal fortsatt bruke tid på å bygge tillit, være ute i barnehagene, bli kjent med foreldrene, bygge den gode relasjonen før noe skjer, slik at foreldre tør å ta kontakt og motta hjelp. Men når en til tross for all denne tillitsbyggingen allikevel ikke når fram, må barns rettigheter få forrang, og barnevernet må kunne gå inn med tiltak for å beskytte barnet, Den mangfoldige familien er en god ramme rundt de fleste barns oppvekst, men vi må aldri la familiens fire vegger bli så tykke at vi ikke ser barn som trenger vår hjelp. Ideelt sett skulle ingen barn og familier trenge hjelp fra barnevernet, og ideelt sett skulle det aldri vært behov for at det offentlige pålegger hjelpetiltak. Men så vet vi at noen familier trenger ekstra støtte fra samfunnet for å fungere, og vi har som samfunn og som myndigheter plikt til å stille opp og gripe inn når vi ser at barn trenger vår hjelp. Noen ganger ser vi som mennesker at vi trenger hjelp fra andre. Andre ganger mener vi selv at vi ikke trenger hjelp. Det er ikke så vanskelig å forstå at det er utfordrende når andre griper inn i familiesfæren og pålegger deg og barnet ditt tiltak du ikke selv ser behov for. Men noen ganger er dette nødvendig. Derfor mener Kristelig Folkeparti at det er riktig både å lempe noe på vilkårene for å pålegge og å utvide adgangen til å omfatte flere typer tiltak enn i dag. Kristelig Folkeparti er enig i departementets vurderinger når det gjelder behovet for en uttømmende liste over kompenserende tiltak. Pålegg av hjelpetiltak er inngripende. Vi mener departementet i sitt forslag har funnet en god innretning av dette som sikrer rettssikkerhetshensynet, forutsigbarhet og trygghet for alle parter. Dersom det viser seg at denne listen ikke oppleves å treffe behovene, er det fornuftig at Stortinget vurderer eventuelle endringer av listen etter at den nye loven har fått virke en stund. Kristelig Folkeparti kommer derfor til å votere mot forslaget om ny § 4-4 tredje og fjerde ledd fram til første punktum. Vi er enig i lovendringen, men vi er ikke enig i tillegget fra flertallet i komiteen, som lyder «eller andre lignende kompenserende tiltak». For Kristelig Folkeparti er det også viktig å understreke at barnevernet er helt avhengig av tillit i samfunnet og godt samarbeid med familiene og barna de er til for. Flere høringsinstanser har påpekt at det kan være vanskelig å få til et godt samarbeid når tiltak pålegges. Det er viktig at frivillige tiltak er prøvd før en pålegger hjelpetiltak. Det er viktig alltid å tenke samarbeid til barnets beste, å bygge gode relasjoner til barnet og til familien, og å arbeide for å etablere tillit. Det er viktig for barnet, og det er viktig at barnet blir lyttet til i forkant av vurderingene om å pålegge tiltak, underveis i prosessen og i etterkant. Pålegg av tiltak innebærer at barn må etablere nye relasjoner mot foreldrenes Vi risikerer altså at barnet utsettes for et sterkt krysspress og en veldig vanskelig lojalitetskonflikt. Dette er sterke emosjonelle beslutninger for barnet, og det er så viktig at dette håndteres godt av alle som står rundt barnet. Svært tidlig avdekking av omsorgssvikt er helt avgjørende. De aller minste barna som utsettes som utsettes for det, har størst sannsynlighet for å bli påført store, ofte irreversible, skader gjennom omsorgssvikt. Samtidig skal ikke barnevernstjenesten treffe mer inngripende tiltak enn det som er nødvendig, og terskelen er og bør være høy for å skille barn og foreldre. For mange barn og familier er imidlertid ikke et tilbud om kompenserende hjelpetiltak i hjemmet et forsvarlig alternativ. I kategorien mellom kompenserende tiltak og omsorgsovertagelse finnes omsorgsendrende tiltak som foreldreveiledning og opphold i sentre for foreldre og barn. Dette kan være gode og nødvendige tiltak for mange familier. Et opphold på et foreldre/barn-senter kan forhindre at barnet påføres alvorlige skader, enten ved unødig adskillelse fra foreldre eller ved at observasjon og veiledning hindrer at barnet I noen tilfeller kan omsorgsovertagelse forhindres, og i andre tilfeller vil omsorgsovertagelse være anbefalt. I begge fall vil oppholdet på et slikt senter ha en svært viktig funksjon. Stortinget vedtar i dag at et opphold i senter for foreldre og barn kan pålegges når det er nødvendig for å sikre barnet tilfredsstillende omsorg, og at dette vedtaket nå ser ut til å bli gjort, og vi mener at det kan forhindre skader på veldig mange små barn. Så er det slik at ved en inkurie står Kristelig Folkeparti utenfor noen merknader der vi skulle stått inne, i innstillingen. Dette gjelder merknadene til henholdsvis både Arbeiderpartiet og komiteens flertall på side 7, og likedan på side 8 – så er det i hvert fall sagt.

fornuftig. Det er òg bra at den nye lovendringa og verknadene av ho skal verta evaluerte når denne ordninga har verka ei tid. Senterpartiet støttar òg komiteens innstilling, dvs. at vi gir støtte til komiteens forslag i saka om at lista over kompenserande tiltak ikkje skal vera uttømmande. Vi legg vekt på høyringsinnspel om dette frå m.a. Bufdir, FO, Barneombodet og Redd Barna. Vi støttar altså forslaget til ny § 4-4 tredje ledd. Vi støttar òg forslaget til § 4-4 fjerde ledd om at det er for strengt å stilla som vilkår at vilkåra i barnevernslova § 4-12 må vera til stades for å påleggja opphald i senter for foreldre og barn. Så vil eg framheva som viktig Barnekonvensjonens artikkel 12 om at barn som er i stand til å danna seg eigne synspunkt, skal ha rett til å gi uttrykk for dette i alle høve som gjeld barnet, og at barns medverknad må sikrast i alle delar av ein slik prosess, både i forkant av å vurdera pålagde hjelpetiltak undervegs, og i etterkant av og i etterkant av at tiltaket er sett i verk. Eg har òg lyst til å framheva ein merknad frå Arbeidarpartiet – som kanskje Kristeleg Folkeparti skulle ha vore med på – der ein framhevar det som Foreldreutvalet for grunnopplæringa sa i høyringa, at dei uttrykte bekymring for om det er nok kompetanse når det gjeld dei hjelpetiltaka som vert pålagde, og at det er veldig viktig. Spesielt vert det vist til om tilsette i har kompetanse om kva barna treng og skal ha oppfølging på. Det er eit godt forslag som Arbeidarpartiet løfter i merknaden om at det bør vera ei evaluering etter seks månader både i barnehage og SFO for å sikra at pålegget fungerer etter intensjonen, og eg føreset at det òg kan verta ein gjennomført praksis. praksis. Jeg vil takke for etter mitt syn veldig gode og kloke innlegg i en veldig viktig debatt. Det er spennende å høre debatten. Dessverre har ikke SV anledning til å sitte i komiteen til tross for at vi brenner for barnevernet og utviklingen for barns beste. SV har lenge jobbet for at man skal ha muligheten til å pålegge hjelpetiltak. hjelpetiltak. Det handler jo i utgangspunktet om barnets rett til hjelp. Så er det klart at man ønsker tiltak med lavest mulig grad av inngripen, på lavest mulig nivå, der frivillighet står sentralt, og der barn lyttes til. Det er viktige prinsipper som barnevernet skal jobbe etter, og som dagens barnevern har som viktige grunnpilarer. Men barnevernets utgangspunkt må være den muligheten og plikten som ligger i den oppgaven det er å skulle hjelpe barn og skulle tenke barnets beste. Derfor støtter også SV tillegget om «eller andre lignende kompenserende tiltak». tiltak». Det er fordi det er vanskelig å ha en uttømmende liste i spørsmålene rundt hjelpetiltak, og vi ønsker veldig gjerne at gode og nødvendige hjelpetiltak skal bli tatt i bruk. Vi vet at barnevernsansatte står i ganske tøffe runder rundt omkring i det ganske land. Er det noen som må være stille i stormen, er det dem som på lojalt vis jobber etter prinsippet barnets beste, og som kan oppleve ganske grove hendelser kun for å ha utført jobben sin, ved å tenke nettopp barnets beste. Derfor mener vi at verktøykassa deres skal være så full som mulig, og at de faglige vurderingene ikke skal begrenses. Vi er stolte av det norske barnevernet som hver eneste dag jobber med utgangspunkt i barnets beste, og ønsker derfor denne endringen velkommen. Vi synes at det er et veldig positivt skritt Stortinget i dag skal ta. Barnevern og saker i barnevernet er i barnevernet er komplisert. Ofte hører vi om episoder der vi kommer for tidlig inn og om andre episoder der vi kommer for sent. Derfor er det så viktig å fokusere på forebygging og tidlig innsats for å kunne få hjulpet barna så tidlig som mulig i familien der det er mulig. Derfor er jeg veldig glad for at Stortinget i dag behandler Prop. 72 L med forslag til endringer i barneloven, som skal verne barn og gi barnevernet flere verktøy for å hjelpe barn mye tidligere. Proposisjonen er en oppfølging av NOU 2012: 5 Bedre beskyttelse av barns utvikling. Det følger også av Sundvolden-erklæringen at barnevernet må få større adgang til å gi nødvendige hjelpetiltak også uten samtykke der det er nødvendig også uten samtykke der det er nødvendig for å forebygge omsorgsovertakelse. Med denne lovendringen får barnevernstjenesten mulighet til å komme tidligere inn med hjelp i hjemmet også i de tilfellene der foreldrene ikke ønsker hjelp. Det samsvarer med barnevernslovens utgangspunkt. For lovens utgangspunkt er at barn skal vokse opp hos sine biologiske foreldre, og at hjelp etter barnevernsloven primært skal gis i hjemmet. hjemmet. I dag har barnevernstjenesten få virkemidler dersom foreldrene ikke samtykker til hjelpetiltak, og situasjonen ikke er så alvorlig at det er behov for omsorgsovertakelse. De senere år har flere fagmiljøer og tidligere barnevernsbarn også uttrykt at hjelpen fra barnevernet ofte kommer for sent. Forslagene som blir vedtatt i dag, vil bedre barns rettssikkerhet og bidra til at barn får nødvendig hjelp og omsorg til rett tid i samsvar med barnevernsloven. Formålet med forslaget er å bedre situasjonen til barnet og forebygge mer inngripende tiltak som omsorgsovertakelse. Jeg er veldig glad for at en samlet komité og et samlet storting er opptatt av å forebygge behov for omsorgsovertakelse, der det er mulig. mulig. Omsorgsovertakelse er et svært inngripende tiltak. Men jeg er også glad for at flere høringsinstanser har pekt på at lovendringen kan innebære at drastiske inngrep som omsorgsovertakelse kan unngås. En utvidelse av adgangen til å pålegge hjelpetiltak vil bidra til at tilstrekkelige og effektive hjelpetiltak kan etableres i rett tid, selv om foreldrene motsetter seg dette. dette. Forslaget innebærer at barnevernet kan pålegge tre nye hovedkategorier av tiltak: kompenserende tiltak, som skal redusere belastning på barnet omsorgsendrende tiltak, som skal gi foreldrene hjelp til å gi omsorg kontrolltiltak, som skal kontrollere at barn ikke utsettes for overgrep eller mishandling I tillegg er det også foreslått å lempe på vilkårene for å pålegge tilsyn i hjemmet, og det er foreslått at det er fylkesnemnda som skal kunne pålegge slike tiltak. Å legge avgjørelsen til den uavhengige fylkesnemnda vil være med på å ivareta rettssikkerheten til barn og foreldre. Det er viktig at barnevernstjenesten påser at barn også i disse sakene skal bli hørt og får medvirke i tilstrekkelig grad. Barns medvirkning er, som også komiteen omtaler, en viktig del av prosessen. Barns rett til medvirkning følger klart av barnevernsloven og skal være en selvfølgelig del av barnevernets saksbehandling. saksbehandling. Jeg har merket meg at komiteens flertall mener at lovens oppramsing av kompenserende tiltak ikke bør være uttømmende, men at det åpnes for å pålegge også «andre lignende kompenserende tiltak». Jeg mener fremdeles at det av rettssikkerhetshensyn bør gå klart fram av lovteksten hvilke tiltak som kan iverksettes. Samtidig har jeg forståelse for at komiteen ser det som hensiktsmessig at listen ikke er fullstendig uttømmende med tanke på at tiltaksbruken i barnevernet er i stadig endring. Jeg lever godt med det flertallsforslaget hvis det også kan føre til at flere barn får hjelp til rett tid. Når det gjelder opphold i foreldre og barn-sentre, har komiteen foreslått at dette skal kunne pålegges på samme vilkår som for øvrige omsorgsendrende tiltak og kontrolltiltak – altså «Når det er nødvendig for å sikre barnet tilfredsstillende omsorg». Vilkårene som komiteen foreslår, er ikke like strenge som de vilkårene som blir foreslått i proposisjonen, for i proposisjonen er det foreslått at vilkårene for omsorgsovertakelse må være oppfylt for å pålegge opphold i sentre for foreldre og barn. Pålegg om opphold i foreldre-og-barn-sentre innebærer at både foreldre og barn tvangsflyttes fra hjemmet. I tillegg til at det er svært inngripende å pålegge noen opphold utenfor hjemme, kan det også være belastende å være under konstant observasjon. Likevel har jeg i denne saken forståelse for observasjon. Likevel har jeg i denne saken forståelse for begrunnelsen som ligger i komiteens merknader, og det er godt at vi også ser at opphold i foreldre-og-barn-sentre kan være et forebyggende tiltak og ikke bare et tiltak. Det blir replikkordskifte. Jeg vet at statsråden er opptatt av barns beste. Men litt til bekymringen fra FUG, altså Foreldreutvalget for replikkordskifte. Jeg vet at statsråden er opptatt av barns beste. Men litt til bekymringen fra FUG, altså Foreldreutvalget for grunnopplæringen, om kompetansen i SFO. Jeg var inne på det i mitt innlegg, med de ansatte som skal ha den daglige omsorgen der vi plasserer barn, og særlig i SFO, for barnehagen har kanskje en annen type ansatte. Hva tenker statsråden rundt hvordan vi kan løse den utfordringen? I likhet med representanten er jeg veldig opptatt av at de som har kontakt med barn hver eneste dag, har en kompetanse til å se barn, de som har kontakt med barn hver eneste dag, har en kompetanse til å se barn, snakke med barn og avdekke det hvis det er fare for omsorgssvikt. Derfor er kompetansen hos dem som jobber i barnehager, på skoler, på helsestasjoner og ikke minst i SFO, også en viktig del av dette. Så vet vi at de som jobber i SFO, kanskje ikke har den fagutdanningen som de som jobber i barnehager. Vi vet at SFO er også en kommunal oppgave, og det er opp til hver enkelt kommune å ha god kompetanse i de stillingene. Jeg deler representantens bekymring, og det er noe jeg vil ta med meg videre for å se på hvordan vi skal kunne klare å sikre at de som jobber med barn, også i SFO, har kompetanse og kan vite hva de skal gjøre hvis de avdekker omsorgssvikt, også med hensyn til den plikten de har til å melde videre. Jeg fortsetter litt fra innlegget mitt. Statsråden var inne på fylkesnemndene i sitt innlegg. De har en stor arbeidsbyrde, og også i forrige sak tilla vi dem en del nye oppgaver. Hva tenker statsråden om fylkesnemndenes arbeidsmengde når vi stadig tilfører nye oppgaver, og vi vet at ventetida ikke blir

Vi ser likevel at fylkesnemndene har jobbet godt ved å overføre ressurser fra den ene fylkesnemnda til en annen hvis en av fylkesnemndene ikke har så mye arbeid. Vi ser også at innføringen av en sentralenhet har gjort at man har klart å koordinere dette arbeidet. Fylkesnemndene har også fått tilført ekstra ressurser både i fjor og i år, noe jeg mener vil være med på å få ned saksbehandlingstida. Men likevel: Den evalueringen vi får nå, blir viktig. Jeg kan love representanten at vi følger nøye med på hvordan situasjonen i fylkesnemndene er. Det siste spørsmålet jeg vil stille statsråden, er forslaget vi nå har fremmet i salen, sett i forhold til taushetsplikten og opplysningsplikten. Det er viktig med tanke på det leddet vi fjerner, for der ligger en del ting. Ser statsråden noen utfordringer ved den endringen vi gjør? Vi har bedt statsråden komme tilbake til dette, men ser statsråden noen umiddelbar fare ved den Nei, det gjør jeg ikke. Jeg tror vi alle er opptatt av at taushetsplikten ikke skal være til hinder for at de som trenger opplysninger for å hjelpe barn og familier, får det. Derfor er jeg glad for at Stortinget har kommet med det forslaget. Jeg kan love at jeg skal komme tilbake til Stortinget med hvordan vi skal følge opp det forslaget. Intensjonen må jo være, når vi skal hjelpe barn og familier, at taushetsplikten ikke skal ligge som et hinder. hinder. Jeg vil minne om at opplysningsplikten går foran taushetsplikten. De som trenger opplysninger for å hjelpe barn og familier, må til enhver tid få det. Jeg skal komme tilbake til Stortinget med en oppfølging av det forslaget.

Det var ikke dette jeg hadde tenkt å stille spørsmål om, men det henger litt sammen likevel, for i dagens Aftenposten er det et stort oppslag hvor mange kompetente mennesker uttrykker bekymring for kvaliteten i barnevernet flere steder. I dag vedtar vi ikke en uttømmende liste, men barnevernet får et mye større handlingsrom når det gjelder kompenserende tiltak. Vi er helt avhengige av at det er tillit til barnevernet i befolkningen. Så når det gjelder den bekymringen som kommer til uttrykk i Aftenposten i dag, om tillit, spør jeg: Hvordan vil statsråden møte dette? I likhet med dem som er bekymret i Aftenposten, har jeg sagt at jeg deler en del av de bekymringene som kommer fram, og har invitert dem til et møte for å se på hva som mangler. Samtidig er vi avhengig av at barnevernet har tillit for å kunne hjelpe familiene tidlig, og derfor har regjeringen satt i gang flere tiltak. Vi har evaluert fylkesnemndene, vi jobber med en ny struktur, vi har satt ned et lovutvalg som skal se på ny barnevernslov, og vi jobber også med en fosterhjemsmelding. Jeg kan love representanten at dette er bekymringer som vi må ta på alvor. Veldig mye av dette foregår også ute i kommunene, og det er viktig at de som jobber med barnevernet ute i kommunene, har kompetanse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

vedtatt. Saken vi behandler her i dag, har stor betydning for mange. Man kan velge å se på det som en rent teknisk justering, men allikevel berører det mange. Én del av saken er grunnbeløpet, som mange andre ytelser også baseres på. Grunnbeløpet er etter Grunnbeløpet er etter årets justering økt fra 88 370 kr til 90 068 kr, noe som utgjør en økning på 1,92 pst. Den andre delen vi behandler, er justeringen av de øvrige alderspensjonene, og der har vi en mer komplisert sak, der vi også har uenighet i denne sal, som jeg vil komme tilbake til.

berømte underreguleringen på 0,75 pst. Når vi nå har moderate lønnsoppgjør, får underreguleringen den konsekvens at man kan risikere å få en negativ kjøpekraftsutvikling. Når vi også vet at vi kan ligge an til å få moderate oppgjør i flere år fremover, er komiteens flertall samlet om at vi er meget fornøyde med at statsråden og regjeringen har tatt initiativ, sammen med de politiske partiene, til å gå gjennom prinsippene for underreguleringen, der målet er å unngå en utvikling der pensjonistene over flere, påfølgende år får redusert kjøpekraft, samtidig som lønnstakernes kjøpekraft øker. Det er som sagt delte meninger i komiteen, og jeg regner med at de som står bak komiteens flertall, de som står bak komiteens flertall, kommer til å redegjøre for sitt syn i løpet av debatten. Så nå vil jeg komme litt inn på hva som er Fremskrittspartiets syn. Fremskrittspartiet var som kjent motstander av pensjonsforliket. Fremskrittspartiet er fortsatt imot pensjonsforliket. Vi mener at pensjonsforliket i utgangspunktet var en sparereform. Vi mener at pensjon er en opptjent rettighet, og vi synes det dermed ble galt – som samtlige av de andre partiene gjorde i forbindelse med pensjonsforliket – bl.a. å vedta en underregulering på 0,75 pst. Fremskrittspartiet mener at pensjonistene bør få den samme kjøpekraftsutvikling og samme lønnsvekst som lønnsmottakere for øvrig. Og nå er man i den meget spesielle situasjonen – med tanke på det moderate oppgjøret og underreguleringen – at mange av landets pensjonister risikerer en negativ kjøpekraftsutvikling. Det er en situasjon jeg tror ingen forutså, selv ikke de partiene som vedtok pensjonsforliket. Fremskrittspartiet kan ikke akseptere dette, og det er derfor vi i dag fremmer forslag at Stortinget skal vedta klart og tydelig at negativ kjøpekraftsutvikling for landets pensjonister er noe vi ikke aksepterer. Og når man vet eksakt hva den eventuelt negative kjøpekraftsutviklingen ender på, skal regjeringen umiddelbart komme tilbake til Stortinget, sånn at Stortinget får fattet nødvendige vedtak og gitt nødvendige bevilgninger, sånn at landets pensjonister ikke får redusert sin kjøpekraft.

Fremskrittspartiet er av den oppfatning at det at landets pensjonister nå risikerer å få en redusert kjøpekraft, i høyeste grad er et særlig forhold som det bør tas hensyn til. På den bakgrunn tar jeg opp forslaget fra Fremskrittspartiet. Representanten Erlend Wiborg har tatt opp det forslaget som han refererte til. Det blir replikkordskifte.

pensjonsfinte. Da svarte finansminister Siv Jensen følgende: «Men det er hevet over tvil hva som er regjeringens styringsgrunnlag, og det har Fremskrittspartiets organer sluttet seg til.» Mitt spørsmål til representanten Wiborg er: Er Fremskrittspartiets stortingsgruppe ett av disse organene? Fremskrittspartiet og regjeringen må alltid forholde seg til det til enhver tid gjeldende flertall i Stortinget. En regjering må alltid forholde seg til de vedtak Stortinget faktisk vedtar. Men spørsmålet tyder kanskje på at representanten hadde forberedt sin replikk før hun hørte mitt innlegg, for som jeg nevnte, står det følgende i proposisjonen, da man vedtok pensjonsforliket, at man skal «vurdere om det foreligger særlige forhold som det eventuelt bør tas hensyn til.» Fremskrittspartiet er av den oppfatning at det at landets pensjonister risikerer å få redusert sin kjøpekraft, er et særlig forhold, og det er derfor vi ønsker å ta tak i det. I regjeringas politikk framgår det at pensjonsforliket skal legges til grunn. Det er også det som regjeringa har framlagt for Stortinget. Det er også det som Fremskrittspartiets gruppe i Stortinget har fulgt når det gjelder utbetalinger over statsbudsjettet, som nå kommer i 2015. Likevel er vi i den situasjonen at Fremskrittspartiet fremmer forslag om at det som en etter deres mening ikke får utbetalt i 2015, skal utbetales etterpå, i 2016. Er ikke dette å ri to hester, når en er med på alt for 2015, men sier likevel nå at en skal ha omkamp i 2016? Hadde det ikke vært greiere at stortingsgruppa sa at en i 2015 skulle bevilge det som er Fremskrittspartiets politikk? politikk? Hvis man leser merknadene til Fremskrittspartiet, ser man at vi er klare på at det skal kompenseres hvis det viser seg at man får en negativ kjøpekraftsutvikling i 2015. Men det er vanskelig å forutse hva inflasjonen blir i 2015. Det kan godt hende Lundteigen kjenner til det. Det gjør ikke undertegnede. Fremskrittspartiet kommer i dag til å stemme for regjeringens forslag, men vi kommer med en ekstra bestilling til regjeringen. til regjeringen. Det burde jo ikke være unaturlig eller ukjent for representanten Lundteigen at Stortinget foretar justeringer når en sak kommer fra regjeringen, og eventuelt bevilger mer. Jeg vet vi skal ha jordbruksoppgjøret til behandling om ikke lenge, og da er jeg kjent med at det er noen partier som kommer til å gjøre justeringer i forhold til det som er fremforhandlet. fremforhandlet. SV deler Fremskrittspartiets syn på pensjonsreformen som en sparereform. Derfor var vi i utgangspunktet imot den. I et notat som vi kunne lese i Aftenposten, sto det: «Vi tilbyr mer. Vi vet vi ikke får det vedtatt, men legger skylden på de andre partiene.» Mitt spørsmål er: Hva er det som bekymrer representanten Wiborg og Fremskrittspartiet mest? Er det økonomien til landets pensjonister, eller er det hvem som skal få skylden for den? Det er selvfølgelig økonomien til landets pensjonister. Det er derfor vi fremmer det konkrete forslaget her i dag. Det at partier har eventuelle interne notater, bør ikke være noen overraskelse for noen. Jeg regner også med at Sosialistisk Venstreparti har det, og at man også vurderer hva man tror andre partier mener om de aktuelle spørsmålene.

og deretter fratrekkes en fast faktor på 0,75 pst». … «Flertallet slutter seg til dette.» Sosialistisk Venstreparti sluttet seg altså til dette. Fremskrittspartiet gjorde ikke det, og jeg synes det er synd at Sosialistisk Venstreparti bruker dette til partipolitisk taktikk istedenfor å stå sammen med andre om å hjelpe pensjonistene. Replikkordskiftet er omme. Få saker egner seg mindre for politisk spill og

En nesten enstemmig komité anbefaler Stortinget å vedta Høyre–Frp-regjeringas forslag til pensjonsoppgjør for 2015, i tråd med arbeids- og sosialministerens anbefaling av 29. mai i år. Bare SV har varslet at de i revidert nasjonalbudsjett vil fremme forslag om å øke rammene for oppgjøret. Et like bredt flertall, det vil si alle partier konstaterer i en felles merknad at årets forslag til regulering av grunnbeløp, pensjoner under opptjening og løpende pensjoner er i tråd med pensjonsforliket, som igjen er en del av det grunnlaget sittende regjering styrer på. Så langt er det meste som det pleier. Det er tradisjon for at Stortinget vedtar pensjonsoppgjøret slik det foreligger fra regjeringas hånd. Det ligger det an til også i år, anbefalt av en nesten enstemmig selv om det er noen roller som er byttet litt om på, f.eks. Fremskrittspartiets. Det som er annerledes i år, er to ting: For det første har fire av organisasjonene unnlatt å signere årets protokoll etter drøftingsmøtene med statsråden. Vi vet alle hvorfor – fordi pensjonistene, med unntak av de med bare minstepensjon, kan risikere å få en negativ realutvikling i pensjonen i år, slik det ser ut akkurat nå, med ca. 47 kr per uke. uke. For det andre har vi sett tendenser til opprør i Fremskrittspartiets stortingsgruppe mot det pensjonsoppgjøret partiets egen minister har anbefalt regjeringa å legge fram for Stortinget. Nå er dette bare min tredje periode på Stortinget, men jeg kan ikke huske å ha opplevd noe lignende. På Fremskrittspartiets landsmøte i begynnelsen av mai i år sa Fremskrittsparti-leder og finansminister Siv Jensen tydelig at pensjonsforliket er en del av og at reguleringa i fjor var i tråd med dette. Så bekrefter hun at årets tilsynelatende negative resultat også er i tråd med systemet. Så spør hun retorisk: Så stortingsflertallet for seg en slik situasjon, som vi nå ser? Svaret på det er ja. Det er grundig beskrevet i Ot.prp. nr. 37 for 2008–2009, der man valgte et fradrag på 0,75 pst. i stedet for å regne gjennomsnitt av lønn og pris. pris. Jeg går ut fra at også Siv Jensen og Robert Eriksson visste det før Fremskrittspartiet signerte Sundvolden-erklæringa. Men det står litt mer, som jeg regner med at Fremskrittspartiet også er kjent med. I proposisjonen fra den gang er det i tekst og figurer vist at i tida fra folketrygdens tilblivelse fram til gjennomføringa av pensjonsoppgjøret ville en teknisk faktor på 0,75 pst. gitt en langt bedre realutvikling av pensjonene enn å regne gjennomsnitt. Det har også vært tilfellet siden 2011. I årets proposisjon viser regjeringa til det initiativet den har tatt overfor de parlamentariske lederne i Stortinget. For å hindre flere år på rad med redusert kjøpekraft for pensjonister, mens andre får mer, ble de enige om å gjennomgå prinsippene for de årlige reguleringene, basert på tre forutsetninger: Dette skal ikke påvirke årets oppgjør. Det skal ikke gis noen garanti mot redusert kjøpekraft det enkelte år, og eventuelle endringer skal ikke svekke bærekraften i pensjonssystemet. Jeg har ikke hørt annet enn at Fremskrittspartiet var med i de samtalene og ga sin støtte til regjeringas opplegg. Men også her er det forsøk på dobbeltkommunikasjon, når Fremskrittspartiet på side 3 i innstillinga støtter regjeringas opplegg, men alt i neste avsnitt sier at de ikke støtter det likevel. Et siste eksempel på forskjellen på Frp 1 og Frp 2, som noen har begynt å kalle det: Statsråden viser til at lovverket binder ham på hender og føtter. Han kan ikke gi ei krone mer. La oss kalle han og de andre Frp-statsrådene Frp Frp 2, som da blir Frp i Stortinget, mener at det må tas hensyn til negativ kjøpekraftsutvikling og bevilges mer, noe Frp 1 altså mener er ulovlig, men som Frp 1 synes det er fint å ha et Frp 2 til å fortelle til pensjonistene, for da kan regjeringspartner Høyre få skylda, hvis utviklinga blir negativ. Vel, det er ikke sånn vi er vant til å drive politikk i Arbeiderpartiet. Vi står ved pensjonsreformen. Den hadde sin helt klare begrunnelse som fortsatt gjelder. Vi støtter regjeringa og statsråd Eriksson og stemmer for deres forslag til pensjonsoppgjør for 2015, og vi har, i motsetning til Fremskrittspartiet, sagt at vi støtter regjeringas opplegg for gjennomgang av reguleringsprinsippene, og så tar vi stilling til resultatet av arbeidet når det foreligger. Det blir replikkordskifte.

replikkordskifte. Våre pensjonister har brukt et helt liv på å bygge opp Norge på nytt. Fremskrittspartiet merker seg at Arbeiderpartiet ikke ønsker at pensjonistene skal følge den økonomiske utviklingen, og dermed ikke få økt kjøpekraft i år med moderate lønnsoppgjør. Hva er logikken i dette, og hvor er rettferdigheten? Takk for spørsmålet. Som jeg sa i mitt innlegg, står Arbeiderpartiet ved pensjonsforliket. Det var en nødvendig reform, særlig når en ser det i et generasjonsperspektiv. Vi som nå etter hvert blir pensjonister, tjener opp mer og mer i pensjon, og vi blir flere og flere i forhold til dem som skal betale skatt i yrkesaktiv alder og betale for våre pensjoner og i tillegg tjene opp til sine egne. Arbeiderpartiet har, som jeg også sa i mitt innlegg, ikke sagt at vi ikke er med på å diskutere årets situasjon. Tvert imot har vi sagt at det forslaget som statsråd Robert Eriksson har tatt initiativet til etter sterk anmodning fra partileder Siv Jensen, skal vi være med på. Det er Fremskrittspartiet som har sagt at de ikke støtter sin statsråds opplegg for de drøftingene, ikke Arbeiderpartiet. Arbeiderpartiet. Jeg skal ikke kommentere det siste svaret fra representanten Christoffersen med annet enn at det er direkte feil at vi ikke støtter regjeringens forslag, det gjør vi, men vi kommer med ytterligere justeringer. Jeg synes representanten kunne vist noe mer respekt for landets pensjonister. Man har et innlegg på i landets nasjonalforsamling, der vi faktisk skal behandle hvilken inntektsutvikling landets pensjonister som har jobbet et langt liv, skal ha. Da fortjener landets pensjonister at Arbeiderpartiet faktisk forteller hvorfor de går imot Fremskrittspartiets forslag om å sørge for at landets pensjonister skal få samme kjøpekraftsutvikling som alle andre.

at det er en viss forskjell i hva vi tenker på når vi snakker om respekt for landets pensjonister. Arbeiderpartiet er ærlige og tydelige på hva vi står for. Det finnes ikke noe Arbeiderpartiet 1 og Arbeiderpartiet 2 i denne saken. Det gjør det når det gjelder Fremskrittspartiet. Fremskrittspartiet driver et spill hvor en ikke vil vedstå seg det som egen regjering har presentert for Stortinget. En vil ikke vedstå seg det en selv har vært med på å undertegne i Det er helt fair at Fremskrittspartiet i sin tid stemte mot pensjonsforliket, men for å komme i regjering har Fremskrittspartiet også undertegnet på at det er pensjonsforliket som gjelder. Jeg synes det er mer respektfullt overfor landets pensjonister faktisk å stå for det en har signert på. Alternativet ville være å gå ut av regjering, og det hadde det stått mer respekt av enn det spillet som foregår nå. Jeg fikk ikke svar på mitt spørsmål. Jeg registrerer at representanten fortsetter å bruke all sin taletid på å snakke om Fremskrittspartiet og eventuelle interne forhold i Fremskrittspartiet. I dag skal vi votere over konkrete forslag. Arbeiderpartiet har så langt, med mindre de snur, vært klare på at de stemmer for å redusere kjøpekraften til landets pensjonister. Fremskrittspartiet stemmer for å opprettholde kjøpekraften til landets pensjonister. Jeg ber nå representanten svare på hvorfor hun ikke vil stemme for Fremskrittspartiets forslag om at pensjonister skal få opprettholdt sin kjøpekraft. Jeg ber representanten svare på spørsmålet i stedet for å bortforklare det med å snakke om Fremskrittspartiet.
Arbeiderpartiet valgt det alternativet som regjeringa presenterer, og som regjeringa har invitert Stortinget med på en drøfting av – opp mot det spillet Fremskrittspartiet bedriver i Stortinget i denne saken. Vi synes at regjeringa og Fremskrittsparti-statsrådens initiativ er det beste og det mest ryddige. Regjeringa har selv sagt at hva som kommer ut av det, det regnestykket, kan komme til å få virkninger for det man konkluderer med her i dag. Vi har sagt at det er mest ryddig å vente og se hva statsråden fra Fremskrittspartiet og regjeringa presenterer for Stortinget. Så tar vi stilling til det da.

omme. Denne saken er godt forankret og i tråd med politiske føringer – både pensjonsforliket på Stortinget, som regjeringspartiene stiller seg bak, og Sundvolden-erklæringen. Saken i dag dreier seg om to saker. Den ene saken er at grunnbeløpet i folketrygden blir økt fra 88 370 kr til 90 068 kr fra 1. mai 2015, noe som utgjør en økning på Den samme økningen vil også gjelde for uføretrygdede og andre som får pensjoner og ytelser regulert gjennom endringer i grunnbeløpet. Jeg har oppfattet at det er ingen som har vært uenig i størrelsen på grunnbeløpet for 2015. Når det gjelder alderspensjon under utbetaling, skal dette reguleres som vanlig, med et gjennomsnitt av pris- og lønnsvekst. Det skjer i praksis ved at pensjonen blir regulert tilsvarende lønnsøkningen og fratrukket en fast faktor på Lønnsøkningen for 2015 er forventet å bli 2,7 pst., slik regjeringen legger til grunn i revidert nasjonalbudsjett for 2015. Det har ennå ikke skjedd at alderspensjonister har fått en negativ kjøpekraftsutvikling. I år har det vært et svært moderat lønnsoppgjør, og realiteten på veldig mange arbeidsplasser er i beste fall nulloppgjør. Vi har tusenvis som nå mister jobben, enda flere står i fare for å miste jobben, og mange er under permittering. Høyre har stor respekt for modellen der vi har drøftinger med ulike parter før regjeringen fatter sin beslutning og legger den fram for Stortinget til endelig vedtak. Jeg har ikke kunnskap om at Stortinget har endret regjeringens forslag i trygdeoppgjørene her i stortingssalen. Det har vært sterkt medvirkende til at den til enhver tid sittende statsråd fra en rekke regjeringer har kunnet drøfte med de ulike organisasjonene med en visshet om at det regjeringen bestemmer, blir det flertall for og lite politisk støy ut av. Det er etter mitt skjønn en meget god modell, som står seg godt overfor både frontfagsmodellen i norsk arbeidsliv, som er premissgivende for lønnsoppgjørene, og trepartssamarbeidet. Det vil være svært krevende om det fester seg en praksis der behandlingen av trygdeoppgjør, fastsettelse av grunnbeløpet og alderspensjoner medfører en politisk debatt samtidig som drøftinger pågår. Det er med på å svekke drøftingsinstituttet og muligheten for stabile rammebetingelser. Beregningene for 2015 viser at anslaget for lønnsvekst, prisvekst og 0,75-regelen tilsier at løpende alderspensjoner kan få en realnedgang på 0,15 pst. i år. Det er noe usikkerhet om dette fordi de endelige tallene ikke er klare før prisstigningen er klar når 2015 er ferdig. Så vi kan faktisk ha en diskusjon her som i praksis ikke er reell når vi kommer til slutten av året 2015. På denne bakgrunn mener Høyre at det er fornuftig først å se an utviklingen for 2015 og deretter parallelt jobbe med saken for å finne mekanismer som i framtiden ikke vil medføre at pensjonistene får redusert kjøpekraft i mange år på rad dersom arbeidstakerne i samme periode får økt kjøpekraft. Høyre er fornøyd med at både statsråden og Stortinget presiserer at en slik gjennomgang ikke skal svekke bærekraften i pensjonssystemet i Norge. Man kan heller ikke gi noen garantier mot redusert kjøpekraft i enkelte år og at man skal justere for eventuelle avvik mellom forventet og faktisk lønnsvekst de to siste årene, som er vanlig praksis. Gjennomgangen som regjeringen foreslår, får i dag enstemmig støtte i Stortinget. Det er jeg fornøyd med. En gjennomgang vil ta noe tid, eventuelle justeringer vil derfor uansett ikke kunne gjelde for 2015-oppgjøret. Om eventuelle endringer skal gjelde fra 2016, er vi nødt til å komme tilbake til når vi ser saken, i likhet med det Arbeiderpartiet nevner. Høyre er fornøyd med at statsråden valgte å invitere til møte med alle de parlamentariske lederne på Stortinget for å få signaler før statsråden gikk i drøftinger med organisasjonene. Det vitner om at regjeringen legger vekt på pensjonsforliket i Stortinget, respekterer lønnsoppgjøret og respekterer trepartssamarbeidet, samtidig som man ønsker å vurdere uforutsette konsekvenser i framtiden. Avslutningsvis vil jeg takke komiteen for et godt arbeid. Jeg synes det er bra at vi til tross for noe politisk støy ender opp med en enstemmighet om sakens realiteter, som regjeringen har lagt fram. Det gleder meg. Høyre står fast på pensjonsforliket og kommer alltid til å gjøre det. Det blir replikkordskifte.

og i tråd med Sundvolden-erklæringen? Jeg er først og fremst fornøyd med det som regjeringen foreslo for Stortinget, og at komiteens innstilling i dag ser ut til å bli enstemmig vedtatt. Jeg setter pris på at stortingsgruppene i alle partier støtter det. Det er en utfordring at vi har en situasjon Stortinget tidligere ikke har opplevd, nemlig at rammene for trygdeoppgjøret har blitt sånn at man har fått et nulloppgjør. Min anbefaling har vært, også til Fremskrittspartiet, at regjeringens forslag ville dekke situasjonen for 2015 uten å bryte Sundvolden-erklæringen eller annet. Vi stemmer likt i en rekke saker, vi burde også stemt helt likt i denne saken i dag. Pensjonsoppgjøret følger kalenderåret. Det har aldri vært noen tvil om det, og det er

til drøftingsmøtet med organisasjonene, som en del av underlagsmaterialet for statsråden, har det vært regnskapstallene for det foregående året man har brukt før man går inn i realitetene i tilbudet for inneværende år. Den premissen vil også gjelde for neste år. Dersom det blir sånn – når vi vet prisstigningen for 2015, det vet vi ved starten av 2016 Dersom det blir sånn – når vi vet prisstigningen for 2015, det vet vi ved starten av 2016 – har regjeringen varslet at for å unngå mange år på rad med en slik endring, bør man finne et system med en utglattingsmekanisme. Til dagens votering har Høyre sagt at 2015-oppgjøret er ferdig når Stortinget har behandlet året 2015, og det blir et eget oppgjør for det som kommer for 2016 og

grunnbeløpet i folketrygden skulle reguleres med et beløp som var mindre enn det som var den regnskapsmessige lønnsveksten for gjennomsnittet. Mener nå representanten Kambe at en skal gå vekk fra det prinsippet ved å begynne å etterregne og se mange år på rad? Det forandrer ikke det som var kjernen, nemlig at en skulle ha en annerledes utvikling i G-en enn det som var snittet at lønnsmottakernes inntekt det kalenderåret. Da tror jeg at representanten Lundteigen enten har hørt feil eller tolket meg feil. Det som jeg sier i dag, og som står i våre merknader, er at vi støtter dagens modell, vi stemmer for dagens modell. Så sier vi, i likhet med Senterpartiet i sine merknader og voteringen i dag, at i 2016 skal regjeringen foreta en utredning hvordan dette eventuelt skal gjøres i framtiden. Om det blir et forslag eller det ikke blir et forslag til en ny løsning, må vi komme tilbake til når den saken kommer opp. For Høyre er det ingen endringer i måten man regulerer dette på. Replikkordskiftet er omme. Det vi behandler i dag, er en utrolig viktig sak. Det er en sak som gjelder den økonomiske tryggheten for pensjonistene og for dem som får sine ytelser ut fra det omme. Det vi behandler i dag, er en utrolig viktig sak. Det er en sak som gjelder den økonomiske tryggheten for pensjonistene og for dem som får sine ytelser ut fra det grunnbeløp som blir besluttet i dag. Det er en ny situasjon i Norge i dag. Vi er i en situasjon hvor det som var en sterk realinntektsøkning for de aller fleste grupper, grupper, er snudd. Vi erfarer at mange ikke har realinntektsøkning, og vi erfarer at betydelige grupper har nominell inntektsnedgang for sitt arbeid. Det er et bakteppe en bør ha med seg i denne diskusjonen. Som det går fram av innstillinga, var det et avvik mellom budsjett og regnskap på 0,2 prosentpoeng for 2014,

økt vekst i forhold til det generelle grunnbeløpet, og veksten er på 1,42 pst. Det er beskjedent, men det er dog prinsipielt viktig. Det gjør at minstepensjonister på ordinær sats nå får 162 566 kr, og det er mindre enn

samfunnet. Derfor har Senterpartiet en spesiell oppmerksomhet på minstepensjonistene, for der er det største behovet for å sikre at en får en forbedring, også reelt, framover. Når det gjelder tida framover, er Senterpartiet med på merknader om at en skal gjennomgå den årlige reguleringa, en regulering sånn at pensjonister over flere år kan få redusert sin kjøpekraft, mens lønnstakernes kjøpekraft øker. Dette er det relative forholdet, men vi må være klar over – som representanten Kambe var inne på, og som han bekreftet – at det som ligger i pensjonsforliket, er at man skal ha en underregulering av Det var prinsipielt noe som etter vår vurdering skulle gjelde uavhengig av om det var stor eller liten realinntektsøkning, eller om det endog var den motsatte veien. som nevnt, problemet med denne reguleringa minstepensjonistene. Problemet er at det er prosentregulering, og at vi ikke har en kroneregulering, som ville virket mye mer utjevnende. Men det er et helt annet system.

Det som ellers er interessant å merke seg, er, som nevnt i replikkordskiftet, Fremskrittspartiets forslag. Sjølsagt står Fremskrittspartiet, som ethvert annet parti her i denne sal, fritt til å fremme forslag om satser i pensjonsoppgjøret som er annerledes enn det som framgår av oppgjøret. som framgår av oppgjøret. Det framgår av vår konstitusjon at pensjonsoppgjøret er en forberedelse til Stortingets behandling, og i henhold til Grunnloven § 75 er det Stortinget som foretar de endelige vedtak. Men det som er problemet, er at Fremskrittspartiet rir to hester. Representanten Wiborg sa i replikkordvekslingen med meg at det ligger i forslaget at en skulle se på den reelle lønnsveksten, altså justert i forholdet mellom budsjett og regnskap.

det fallet vi har sett. Titusenvis av menneske mistar jobben. Mange menneske har låg lønsvekst eller negativ lønsvekst. I den situasjonen har partane i arbeidslivet teke ansvar og gjennomført eit moderat lønsoppgjer. Det er sjølvsagt krevjande for alle dei det gjeld, men for norsk økonomi og norsk konkurransekraft, som denne regjeringa er svært oppteken av, Så har vi eit pensjonsforlik som alle parti på Stortinget på eitt eller anna tidspunkt har stilt seg bak, som medfører den situasjonen vi no diskuterer. Men det eg synest, er at vi må ikkje som parlamentarikarar, som medlemer av landets nasjonalforsamling, stadig gje inntrykk av at Stortinget ikkje har visst kva det gjorde, eller forstått kva det gjorde. Vi har hatt ein slik diskusjon om uførereforma, som tredde i kraft i år, og no har vi den same diskusjonen igjen. Ein uventa situasjon har oppstått, så dette kunne vi ikkje føresjå. Eg trur vi skal ha så pass tiltru til forgjengarane våre i denne salen, til tidlegare og noverande regjeringar, at dei stort sett veit godt kva dei gjer, og det er det gode grunnar for. Det at ein har den reguleringa av pensjonar som ein har, er viktig for berekrafta til systemet, og det er viktig i eit generasjonssolidaritetsperspektiv. Så seier Venstre, til liks med andre parti her på Stortinget, at vi er opne for å ta diskusjonar på parlamentarisk nivå rundt korleis vi skal halde oss til dette i åra som kjem. Det er heilt ok, og det kan godt vere nødvendig. Men då vil eg seie veldig tydeleg og veldig klart at slike diskusjonar kan ikkje munne ut i eit system der vi

klok politikk og fornuftig politikk, og det er bra at stortingsfleirtalet tek ansvar. Så har dette blitt mykje ein debatt om korleis Framstegspartiet ter seg. Eg trur nok dei skal vere så pass ærlege med seg sjølv og sjå at når dei fremjar forslag i Stortinget, som går ikkje berre mot dei summane, men mot dei prinsippa som deira eiga regjering styrer etter, så pass ærlege med seg sjølv og sjå at når dei fremjar forslag i Stortinget, som går ikkje berre mot dei summane, men mot dei prinsippa som deira eiga regjering styrer etter, er det ikkje ei justering. Då er det to ulike politiske kursar. For meg og for Venstre er dette ganske enkelt: Vi held oss til det som arbeidsministeren føreslår. Vi held oss til det regjeringa legg fram, og vi synest det regjeringa har lagt fram, er klokt. Så vil vi heilt sikkert få diskusjonar framover om vere der. Når det er tøffe tider for norsk økonomi, må alle vere med og bidra. Eg trur vi skal forstå at det er krevjande for mange, men alternativet er atskilleg meir krevjande. Flere har påpekt at det er

krevjande. Flere har påpekt at det er en viktig debatt vi har. Det vil jeg slutte meg til. Det tror jeg mange der ute også er enige med representantene om. Nå er det lagt fram et forslag til trygdeoppgjør som vil gjøre at pensjonistene får mindre kjøpekraft. Pensjonistforbundet, sammen med flere, har nektet å skrive under protokollen. Det er et sterkt signal til Stortinget. Etter SVs syn er det urimelig at pensjonister skal få redusert kjøpekraft. En pensjon å leve av sikrer en verdig alderdom. Det gir grunnlag for velferd, for rettferdig fordeling, for trygghet og for frihet. Grunnen til at alderspensjonistene taper i årets oppgjør, er at flertallet på Stortinget ved pensjonsreformen i 2009 ble enig om at alderspensjonene skulle reguleres på linje med lønnsveksten, og så skulle 0,75 pst. trekkes fra beløpet. I år vil lønnsveksten være så lav at man ender med et nivå lavere enn prisveksten, altså vil pensjonistene få mindre utbetalt enn prisveksten.

Etter vårt syn er noe annet faktisk usosialt. Derfor foreslår vi at pensjonistene skal få like høy inntektsvekst som prisveksten i årets oppgjør. Vi ønsker ikke velferd i revers. Da den nye pensjonsreformen ble vedtatt før valget i 2005, foreslo SV en løsning som ville sikret pensjonistene en lønnsutvikling på linje med arbeidstakere. Det var det ikke flertall for. Vi respekterte det flertallet, og derfor jobbet vi i regjering for å gjøre innføringen av reformen så sosial som mulig. Det var vårt utgangspunkt som regjeringsparti. Jeg vil minne om at det på ingen måte sto i vår regjeringserklæring at alderspensjonen for uføre skulle levealderjusteres. Det gjør det i Sundvolden-erklæringen, og det ble vedtatt i Stortinget i fjor. Prislappen:

Etter vårt syn er det positivt at regjeringen ser at noe må gjøres, men en eventuell kompensasjon i ettertid blir usikkert for dem som er bekymret for økonomien i morgen. Fra SVs side ser vi fram til en evaluering av pensjonsreformen, og vi ser fram til en debatt om hva prinsippene i den fører til, fordi vi frykter i dag det vi fryktet før valget i 2005, nemlig innsparinger. Jeg vil i dag varsle om at SV vil stemme imot et trygdeoppgjør som gir pensjonister svekket kjøpekraft, og at SV vil løfte eget forslag. Skal representanten Kirsti Bergstø fremme SVs forslag? Ja, jeg tar opp SVs forslag. Da har representanten Kirsti Bergstø fremmet SVs forslag. Det blir replikkordskifte. SV er eit parti som er Sveinung Rotevatn,

rikaste aldersgruppe? Jeg vil anta at representanten Rotevatn vil fram til at en del eldre har greie økonomiske forhold. Det synes SV er positivt. Vi ønsker at mennesker skal ha en verdig alderdom, og vi mener også at vi framtiden har råd til å ha en verdig alderdom. For ti år siden var jeg med i en allianse med ungdom mot pensjonsranet. Vi hadde et pensjonsopprør nettopp på vegne av framtidige generasjoner, for vi kjøpte ikke fortellingen om at det er dagens pensjonister som har for gullkantede avtaler, men fremmet budskapet nettopp om det vi fryktet, at framtidige generasjoner vil måtte tape. Det ser vi også på beregningene av hvor lenge en 30-åring i dag må stå i jobb for å få en tilsvarende pensjon som man ville fått med gammelt system. Det er ingen tvil om at det ein del eldre og ein del pensjonistar som har låg inntekt. Det finst mange minstepensjonistar, og dei får ikkje svekt kjøpekraft med dette oppgjeret. Det er ikkje dei vi snakkar om – vi snakkar om alderspensjonistane, som er landets desidert rikaste aldersgruppe. Det er ei heilt ærleg sak å vere mot at ein skal gjennomføre den underreguleringa som ligg i og eg er einig i at vi skal vere opptekne av framtidige generasjonar. Men eg lurer litt: SV har sete i Finansdepartementet. Dersom ein skal la vere å underregulere, kor stor kjem då den rekninga til å bli som blir skuva over til dagens 18- og 19-åringar, til dei som kanskje ikkje får jobb, til dei som kanskje nettopp har mista jobben, når dei blir alderspensjonistar? Kor mange milliardar snakkar vi om?

pensjoner, er ikke et utgangspunkt som SV støtter. Det er helt riktig, som det påpekes, at SV er opptatt av omfordeling, av velferd, av et fritt og selvstendig liv. Det er nettopp derfor vi fremmer en politikk der man har en rettferdig omfordeling gjennom skattesystemet. Vi mener det ikke er nødvendig med et framtidig pensjonsran for å sikre en verdig alderdom for kommende generasjoner. Det er generasjoner. Det er mange måter å se sannheten på. Fordelen er at vi kan gå tilbake og se hva de respektive partiene mente og stemte da pensjonsforliket sist ble behandlet. Sosialistisk Venstreparti var en del av flertallet, som vedtok at man skulle ha en underregulering på 0,75 pst. Fremskrittspartiet var imot. At Sosialistisk Venstreparti har snudd, gleder undertegnede.

som ble presset gjennom i Stortinget før valget i 2005. Vi ønsket at prinsippene for pensjonsreformen skulle være en valgkampsak, at det skulle være noe folk kunne si sin mening om ved valget. Så er det klart at som valget. Så er det klart at som regjeringsparti respekterte vi stortingsflertallet, vi respekterte pensjonsreformen og jobbet for å gjøre den så sosial som mulig. Det gjorde vi sammen med våre regjeringskolleger. Vi ser at vi har litt ulik stil når det gjelder det. Avslutningsvis vil jeg svare på om vi subsidiært vil støtte Fremskrittspartiets forslag: Ja, det gjør vi. Vi kommer først til å stemme for vårt forslag som vil sikre pensjonistene i årets oppgjør. Deretter vil vi stemme for Fremskrittspartiets forslag hvis vårt forslag ikke får flertall. Replikkordskiftet er omme. Vi er omme. Vi behandler i dag trygdeoppgjøret for inneværende år, som har virkning fra 1. mai, et trygdeoppgjør som gir en økning i grunnbeløpet på 1,92 pst., for alderspensjonister og for minstepensjonister som har særtillegg, på 1,42 pst. Det vil si at vi får et nytt grunnbeløp på 90 068 kr. Mye av denne debatten, registrerer jeg, har dreid seg om hva de ulike partiene har sagt og gjort. Jeg har vært med på alle behandlingene av pensjonssakene i Stortinget, så jeg vet utmerket godt hva som er sagt og gjort i denne

at de skal foreta en gjennomgang av reguleringsprinsippene i god tid før neste trygdeoppgjør. Der har vi allerede startet samtaler med de andre parlamentariske lederne. Dette spørsmålet har også vært oppe i tidligere år. Jeg vil si det så sterkt at med denne regjering – med Fremskrittspartiet i regjering – er det første gang man setter seg ned og begynner å gå igjennom reguleringsprinsippene. Det synes jeg flertallet i denne sal bør være glad for, og jeg tror også norske pensjonister i utgangspunktet er glade for det. Dette handler ikke om 47 kr i måneden, det handler om et prinsipp. Derfor har regjeringen sagt tre viktige ting: Det er viktig å opprettholde bærekraften i pensjonssystemene våre. Det er viktig å sørge for at man kan se på det som

for pensjonistene i 2015, så kan man vurdere om det skal kompenseres i oppgjøret i 2016. At man gjør det til et problem og enkelte stiller spørsmål rundt det, synes jeg også virker litt underlig. For trygdeoppgjørene har i alle år vært sånn at man har regulert for etterslep og overheng i påfølgende år. De prinsippene har alltid vært der. At man forsterker de prinsippene og går igjennom reguleringsprinsippene, er bra for norske pensjonister. Så registrerer jeg med forslaget fra SV, forslaget som også en del pensjonister tar til orde for, at man føler seg sveket ved årets oppgjør. Ingen har bedt om at man også skal foreta en kompensasjon for tjenestepensjoner. Heller ikke SVs forslag går på det. Det går på alderspensjonistene. Hva med alle de hundre tusen pensjonistene som har tjenestepensjoner, som med SVs forslag nå eventuelt skulle gått litt opp i folketrygden, som har blitt kompensert ned gjennom samordningsreglene med tjenestepensjon og ergo fortsatt kommer negativt ut? Denne regjeringen er også opptatt av alle dem med tjenestepensjoner, derfor vil det være fornuftig å gå igjennom prinsippene på en ryddig og god måte for å forhindre at det oppstår, også når vi skal vurdere det flere år på rad. Jeg må få lov til å kommentere litt det som SV var inne på, som drar opp levealdersjustering for uføretrygdede. De uføretrygdede har ingen levealdersjustering. Alderspensjonister har levealdersjustering. Å si at det ikke sto i den gamle regjeringsplattformen som SV var med i, men skjedde på vår vakt – nei, vitterlig, jeg tror vi skal være såpass ryddige og erkjenne at levealderjustering i alderspensjon i folketrygden ble vedtatt og innført i 2011, under forrige regjering. Det er et faktum. Det kan ingen komme seg bort levealderjustering i alderspensjon i folketrygden ble vedtatt og innført i 2011, under forrige regjering. Det er et faktum. Det kan ingen komme seg bort fra. Levealdersjusteringen ble innført og vedtatt i Stortinget under den forrige regjeringen. Det er ikke noe denne regjeringen har gjort og vedtatt. Det virker som man prøver å komme seg unna det man tidligere har stått for – det minner meg litt om DDEs vise «Klovna i manesjen» – og det synes jeg man skal holde seg for god til når man er

regjeringa og partene kan «foreta en vurdering av om det foreligger særlige forhold som det eventuelt bør tas hensyn til» i forbindelse med oppgjøret, og Fremskrittspartiet sier i sin egen merknad at negativ kjøpekraftsutvikling er et slikt særlig forhold. Hva er grunnen til at regjeringa ikke har benyttet den åpninga som Stortinget faktisk ga i 2009, og dermed heller ikke har vurdert en sånn anmodning fra statsrådens egen stortingsgruppe? Ja, det svaret er veldig enkelt. Denne regjeringen ser at det kan oppstå en situasjon med flere år med moderate lønnsoppgjør der pensjonistene kan få en negativ kjøpekraftsutvikling. Som jeg nettopp sa i mitt innlegg: Vi er både opptatt av alderspensjonistene, og vi er opptatt av dem med tjenestepensjoner. Derfor foretar vi nå en gjennomgang av de reguleringsprinsippene for å vurdere om man kan finne en mekanisme som forhindrer dette. Jeg registrerer at Christoffersen peker på en tidligere proposisjon. Det

pensjonsforliket. Der står det jo med all tydelighet – det er ikke noe denne regjeringa ser som de første her i landet – at det kan oppstå en slik situasjon. Det står tydelig beskrevet både i ord, tall og figurer. Da Stortinget vedtok Ot.prp. nr. 37, var statsråden sjøl stortingsrepresentant, jeg bare understreker det. Hvorfor har en da ikke benyttet seg av den åpninga som Stortinget ga til å kunne vurdere andre hensyn enn en ren teknisk regulering? Det jeg kunne tenke meg å spørre om, er følgende: Statsråden kritiserte SV i sitt innlegg

flere år med moderate lønnsoppgjør, der vi får vurdert tjenestepensjonsordningen, og der vi får vurdert alderspensjonene. Det synes jeg er klokt. Det er en bra tilnærming, og det skal være klart i god tid før trygdeoppgjøret i 2016. 2016. Regjeringa vil gå gjennom reguleringsprinsippene framover. Samtidig la statsråden vekt på bærekraft. Hva betyr så bærekraft? Sånn som jeg forstår det, er det å ha tilpasset utgiftene på pensjonssida og ytelsessida ellers til det som er fellesskapets evne totalt framover. For Senterpartiet er det fordeles på en sånn måte at en sikrer jambyrdighet mellom folk i en mer krevende tid. Det siste blir utrolig krevende. Så antydet statsråden at en kunne gå inn på et endret reguleringsprinsipp med glatting, altså at en tok en tidsperiode. Dess lengre tidsperiode en da tar bakover, dess relativt sett vil pensjonistene få en økt pensjon i forhold til om en bruker dagens system. Det er jo en måte å gjøre det på, det kan jo være interessant når det går nedover.

Det betyr at minstepensjoner skal reguleres med lønnsvekst, mens hovedregelen for alderspensjonister og dem med tjenestepensjoner er at pensjonen skal reguleres med lønnsvekst minus et de facto-fradrag på 0,75 pst. Så det som er Fremskrittspartiets forståelse av den situasjonen vi nå er i, er at systemet med regulering av minstepensjoner skal fortsette, regulering av minstepensjoner skal fortsette, regulering av generelle pensjoner skal fortsette, og så er den eneste endringa et spørsmål om antall år som en i tilfelle skal glatte dette ut over, på den måten at hvis en går mange år tilbake i tid – la oss si fem år – da det var en høy realinntektsvekst, vil pensjonistene relativt sett komme bedre ut nå på kort sikt når det går den andre veien. Er det rett forstått? forstått? Nei, det er ikke riktig forstått. Det vi har lagt fram i trygdeoppgjøret, er at vi skal vurdere en slik glattingsmekanisme, og vurdere, hvis det blir en negativ kjøpekraftsutvikling for pensjonistene i 2015, om det skal ha en innvirkning for 2016. Så må det gå fremover på samme måte som man har hatt ved trygdeoppgjør tidligere. For eksempel hadde vi i 2009 et etterslep som ble kompensert året etterpå. På samme måte kan man gjøre dette ved å utglatte i trygdeoppgjøret i 2016. Det

trygdeoppgjør. Media har jo avslørt hvordan Fremskrittspartiet har forsøkt å spille dobbelt – å planlegge å skylde på andre når de ikke gjennomfører et trygdeoppgjør som burde vært sikret mot kutt for minstepensjonistene. Sånn kan jo stortingsgruppa holde på, men en statsråd må snakke sant. Statsråden sa nå nettopp at uføres alderspensjon ble bestemt i pensjonsforliket. Nei, det ble den ikke. Den ble bestemt da vi behandlet uføretrygden i Stortinget, og da ble det vedtatt at uføres alderspensjon skulle ha halv levealdersjustering. Det hadde Stortinget vedtatt, men i regjeringserklæringen sto det at det skulle vekk. Det er, når det blir fullt innført, 6 mrd. kr fra uføre alderspensjonister til staten – hilsen Fremskrittspartiet, Høyre, Venstre og Kristelig Folkeparti. Jeg vil spørre statsråden: Hvorfor er det staten, og ikke de uføre alderspensjonistene, som skal ha de seks milliardene? For det første vil jeg ha meg frabedt å ikke snakke sant. Representanten Andersen bekrefter nettopp at jeg sto på talerstolen og snakket sant, der hun sier at Stortinget tidligere har innført halv levealdersjustering for de uføretrygdedes alderspensjon. Jeg sa fra talerstolen at prinsippet om levealdersjustering, som ble vedtatt av den forrige regjeringen, gjaldt også for uførepensjonistene når de var kommet over på alderspensjon. Det er ingen løgn fra min side. Det er et faktum, det er bare å gå tilbake i tilbake i innstillingene og se. Så la regjeringen frem et forslag der vi mente det var riktig at de som sto til de var 67 år, ikke skulle ha dårligere alderspensjon og strengere levealdersjustering enn dem som trakk seg ut av arbeidslivet og ble uføretrygdet ved 65 år, f.eks. Det synes jeg er et fair prinsipp. Så registrerer jeg at Stortinget har vedtatt noe annet, og regjeringen forholder seg til stortingsvedtaket.

omme. Jeg vil først takke for debatten så langt. Det har dessverre vært en forutsigbar debatt, der vekten har vært lagt på å angripe Fremskrittspartiet for å unngå å snakke om sakens realiteter. Men heldigvis er det fortsatt tid til å tegne seg, og jeg ber fortsatt om svar fra de partiene som sto bak pensjonsforliket, på hva de mente med setningen som har vært nevnt flere ganger – at man skal foreta en vurdering av om det foreligger særlige forhold som det eventuelt bør tas hensyn til. Hvis det at landets pensjonister skal få redusert sin inntekt, ikke er et særlig forhold, lurer jeg på hva et særlig forhold eventuelt kan være. Så må jeg si at det er ikke måte på

å ta imot 8 000 syrere. Da er det ikke snakk om hva det koster – det er helt uvesentlig, for det har man råd til – mens landets pensjonister skal få redusert sin pensjon. Jeg har lite sans for det. men kommer med et tillegg til det regjeringen har foreslått. Det kan hende det er litt parlamentarisk utradisjonelt, men jeg har lyst til å komme med en anmodning til presidentskapet. Det er at man muligens bør tilby representantene elementær opplæring i maktfordelingsprinsippet. For det at en regjering kommer med et forslag til Stortinget, det at en regjering følger flertallsvedtak i Stortinget, og det at en regjering følger de lover som til enhver tid gjelder, synes jeg er bra, og det tar jeg følger de lover som til enhver tid gjelder, synes jeg er bra, og det tar jeg som en selvfølge, men Stortinget står selvfølgelig fritt til å foreta de vurderinger man måtte ønske av de forskjellige forslag. Her i dag har vi to konkrete forslag vi skal votere over – om pensjonistene skal få redusert kjøpekraft eller ikke. Presidenten vil bemerke at det kan høres ut som det er behov for et slikt kurs.

er opptatt av hvordan vi sørger for at pensjonistene i dette landet skal ha det. Jeg forstår pensjonister som jeg møter, og som lurer på hvorfor det er sånn at man skal bli fratatt 0,75 pst. hvert år ved underregulering av pensjonen. De fleste forstår ikke det, pensjonen. De fleste forstår ikke det, og de synes heller ikke at de får noen logisk forklaring. Mange sier i hvert fall – nå må jeg passe på – at de opplever dette som et ran. Det er i hvert fall de tilbakemeldingene vi får fra pensjonister, for de skjønner ikke hvorfor de skal miste mer enn det andre grupper gjør. Jeg hørte på representanten Rotevatns interessante innlegg og er veldig enig i mange av bekymringene hans for noe av det vi nå ser arbeidslivet – at det er tøffere på arbeidsmarkedet enn det har vært på lenge. Men jeg synes det er viktig å ha med seg at de som har vært pensjonister noen år, faktisk har vært med og bidratt ganske godt, også når det har gått oppover og man har hatt gode tider. Så har man altså blitt trukket 0,75 pst. av pensjonen. Er det noen som har bidratt, Så har man altså blitt trukket 0,75 pst. av pensjonen. Er det noen som har bidratt, er det vel akkurat denne gruppen, etter pensjonsforliket i 2011. Jeg synes det er bra at vi har en regjering som ser at dette kanskje får noen helt spesielle konsekvenser, nemlig at man risikerer en negativ utvikling. Ja, så har man en statsråd som sier at dette faktisk er noe som han ønsker å se på, sammen med på, sammen med regjeringen, og nå heldigvis sammen med alle de andre partiene, som har sagt at det er greit at man nå skal se på dette. Senere kan man komme tilbake og se på konsekvensene, og så er det mulig å rette opp i det. Det er jo det som er hele hensikten med det forslaget som Fremskrittspartiet fremmer. Vi ønsker ikke at man skal risikere å komme dårligere ut i år enn i fjor.

ordne det slik at ingen pensjonister taper pensjon i år? Det gjorde ikke regjeringen. Da handler det vel enten om at man er klønete, eller om at man ikke har fått lov av Høyre. Eller kanskje er det sånn at Fremskrittspartiet i regjering ikke hadde disse pengene allikevel når de skulle prioritere mellom sine formål? I hvert fall er jeg overbevist om at det er ingen av de parlamentariske lederne som på det tidspunktet ville ha sagt nei, mens håndteringen i dag har gjort at både Høyre og Arbeiderpartiet og alle de andre «fadderne» for pensjonsforliket nå forsvarer prinsippet. Jeg må si jeg er veldig skuffet. Til uføres alderspensjon: Den ble besluttet da vi behandlet uføretrygden her. Det var halv levealdersjustering som ble vedtatt, for hvis man er ufør, er det ikke sånn som statsråden sier, at man har valgt å trekke seg tilbake – da er man ufør. Man kan ikke jobbe lenger, slik som vi som er friske, kan, og nulle ut virkningen av levealdersjusteringen. Derfor fikk vi dette gjennom, med ganske stor kamp, må jeg si. si. Vi fikk regnet ut at fullt gjennomført ville de uføre alderspensjonistene fått 6 mrd. kr med vårt opplegg, som var vedtatt av Stortinget – og som denne regjeringen, med sine støttepartier, har bestemt at de uføre alderspensjonistene ikke skal få. Dette er mennesker som ikke kan gå ut i arbeidslivet når de fyller 67 år, hvis de har vært uføre før det. Dette er ikke mennesker som har hatt noe valg, som det høres ut som statsråden tror. Det er ganske forstemmende, for dette er den statsråden som har ansvaret for uføretrygden, og som har ansvaret for dem som er så uheldige å komme i en slik situasjon. Da burde Stortinget stått ved det vi hadde lovet før, nemlig at hvis man er så uheldig at man er ufør, skal man ikke utsettes for denne mekanismen, som er lagt der for at friske folk skal jobbe lenger. Men det var det første man bestemte seg for, og jeg var for så vidt ikke så overrasket, for dette hadde de også snakket om før valget. Men jeg må si at jeg har vært forferdelig overrasket, særlig over at Kristelig Folkeparti har gått med på dette kuttet, over at støttepartiene synes at det er god politikk at uføre alderspensjonister ikke skal slippe med halv

Representanten Bård Hoksrud var igjen ute på galeien med «pensjonistran». Det var yndlingsuttrykket til statsråden tidligere, han har sluttet å bruke det etter at han ble statsråd. Jeg synes fortsatt det er et dårlig uttrykk, det er ikke sånn at vi kutter i pensjonene med 0,75 pst. Vi har vedtatt at pensjonistene skal få sin del av produktivitetsutviklinga i samfunnet, men ikke like mye som lønnsmottakerne. Vi har valgt 0,75 pst. – en teknisk sak i stedet for å regne på gjennomsnitt av pris og lønn. I det lange løp, og også siden 2011, har pensjonistene faktisk tjent på det. Når en velger å bruke bilder som «ran», håper jeg også presidenten tillater at jeg fortsetter å bruke det samme bildet. Det betyr i realiteten, med Sundvolden-erklæringa, at Fremskrittspartiet har slått seg sammen med ranerne, og at Fremskrittspartiets del av ransutbyttet var en plass i regjering. Jeg ville hatt mye mer respekt for Fremskrittspartiet i denne saken hvis man hadde sagt at dette pensjonsoppgjøret og det forslaget regjeringa har presentert, blir for vanskelig for oss, det kan ikke Fremskrittspartiet gå med på og velger derfor å trekke seg ut av regjering. Det hadde det stått respekt av, men ikke det å snakke ut av begge munnviker, snakke med to tunger. Det er mye visdom i gamle ordspråk, det er et som heter at «tomme tønner ramler mest». Men vi skal gi regjeringa en sjanse, og vi skal ta stilling til det regjeringa kommer med. Det kan hende at vi på det tidspunktet regjeringa presenterer et opplegg for oss, finner ut at hvis vi har 300 mill. kr til overs, kanskje heller ønsker å bruke dem på de uførepensjonistene som etter uførereformen har tapt mye mer enn 47 kr per uke, og som foreløpig ikke har fått støtte verken fra FrP 1 eller Presidenten vil bemerke at uttrykket «ran» om lovlig fattede stortingsvedtak er langt utenfor parlamentarisk skikk og bruk. Det gjelder flere som har brukt dette. Det er i hvert fall parlamentarisk å si at en slutter seg til den holdning og de verdier som representanten Det er i hvert fall parlamentarisk å si at en slutter seg til den holdning og de verdier som representanten Christoffersen nå la til grunn. Jeg har lyst til å si noe rundt det begrepet at pensjonsoppgjøret skal se hen til «særlige forhold». Det er en klok formulering. Det som ikke minst er krevende når det gjelder særlige forhold, er utviklinga i arbeidslivet: trygghet for inntekt, trygghet for solide arbeidsvilkår. Det kommer til å bli meget krevende å sikre at det ikke går enda lenger i retning av Forskjells-Norge, at en dermed kan bruke pensjonsoppgjørene til å medvirke til jambyrdighet mellom grupper – og ikke minst det som representanten Christoffersen, og også representanten Karin Andersen fra SV, har påpekt når det gjelder uførepensjonistene. Det er utrolig sentralt, og det blir spennende å se hvordan regjeringa vil følge det opp. Representanten Wiborg karakteriserte denne underreguleringa som respektløst, underforstått at de som har innbetalt trygdeavgift, nærmest har rett på at den trygdeavgiften skal komme den enkelte til gode når en er pensjonist. Det er en helt annerledes forståelse enn det som er vårt system. Vi har et system hvor en i løpet av et langt liv betaler skatt og avgifter basert på, til en viss grad, skatt etter evne. Trygdeavgiften er en del av det, og trygdeavgiften blir i mange henseender sett på som en skatt. Det er ikke gitt at den skatten som er innbetalt, eller enkelte deler av den, skal komme tilbake i full størrelse til den som har innbetalt.

Det er et folkevalgt standpunkt at ulike partier har ulike standpunkt til hvordan man vil fordele statens verdier. Det er greit, men å karakterisere det som ran er ganske grovt. Helt til slutt: Maktfordelingsprinsippet til Wiborg, forholdet mellom regjering og storting, er de fleste av oss godt kjent med. Det som er klart, er at Stortinget står fritt til å mene det en vil om det som kommer fra regjeringa.

jeg reagerte på i representanten Hoksruds innlegg, i motsetning til representanten Wiborgs innlegg, er at det som Fremskrittspartiet foreslår i salen her i dag, er et reelt nulloppgjør for pensjonistene. Det er av andre partier i dag blitt karakterisert som Det har nok hendt før i politikken at ulike partier forsøker seg på dobbeltkommunikasjon. Det er noe som Høyre prøver å unngå. Det som er enda verre, er hvis man i tillegg prøver seg på trippelkommunikasjon. Det opplever jeg at representanten Hoksrud gjorde da han begynte innlegget sitt med å angripe Det er jo ikke noe som Fremskrittspartiet i dag har foreslått. Jeg har heller ikke hørt noen andre fra Fremskrittspartiet i dag som foreslår å gjøre det. Dessuten: Før representanten Hoksrud ble statssekretær, var han medlem av Fremskrittspartiets stortingsgruppe, som godkjente Sundvolden-erklæringen, som var basis for den regjeringen han var statssekretær i. Der står det på side 10: «For å sikre økonomisk bærekraft i velferdssamfunnet skal pensjonsforliket ligge fast.»

kunne håndtert den mekanismen som allerede er i dag, i 2016-trygdeoppgjøret. Dersom Høyres stortingsgruppe ønsker å endre regjeringens politikk, tar vi det opp med regjeringen – helst i forkant og så står vi på den politikken. Husk på – det er en anmodning også til representanten Hoksrud – at Fremskrittspartiets stortingsgruppe har akseptert pensjonsforliket på 0,75 pst. Det vil bli meget krevende dersom denne saken hele tiden skal komme opp igjen, hvis man argumenterer med vitende og vilje. Men jeg er enig med representanten Hoksrud: Det er vel enklere å snakke om sviller, baner, veier og tuneller.

nå vet ikke jeg om det var et etterslep i 2010, så ikke bruk det imot meg, det var ment som et eksempel. Men for å tydeliggjøre hva jeg mener, kan jeg si det på følgende måte: Det har vært et prinsipp i trygdeoppgjørene tidligere, det er det i dag og vil også være det i fremtiden, at hvis faktisk lønnsutvikling f.eks. er høyere enn den beregnede, vil pensjonistene få mer i påfølgende år. Det

Det er den mekanismen jeg mener man bør se på gjennom en ny utglattingsmekanisme, der man går igjennom reguleringsprinsippene for også å se på om man kan ha en bestemmelse som forhindrer at landets pensjonister, år etter år med moderate lønnsoppgjør, får en negativ kjøpekraftsutvikling – altså får kjøpt mindre melk og brød neste år enn i år for de samme pengene. Det er snakk om å se på om man kan utvide og utvikle det prinsippet på en bedre måte. håper det var et tydeligere svar til Lundteigen, men jeg føler iallfall selv at det var et bedre svar enn det som ble gitt under replikkordvekslingen. Så har jeg lyst til å si til representanten Karin Andersen, som jeg også sa i replikkordvekslingen: Levealdersjustering for uføretrygdede ble innført under den forrige regjeringen. Jeg tror faktisk det var statsråd Bjurstrøm som la det

ha lavere alderspensjon enn den som er uføretrygdet? Jeg mener det er et godt prinsipp at man skal ha lik alderspensjon – begge disse skal ha lik alderspensjon. Det var det prinsippet vi foreslo i det første statsbudsjettet, som ikke ble vedtatt i Stortinget, og vi forholder oss til de vedtak som Stortinget har fattet. Jeg er

til å nulle ut levealdersjusteringen ved å jobbe lenger. Prinsippet i den nye pensjonsreformen var jo nettopp at folk skulle jobbe lenger. Men hvis man er uføretrygdet, kan man ikke det. Jeg registrerer at statsråden fortsetter å late som om situasjonen er den samme for den som kan jobbe til man er 67 år, og den som ikke kan det fordi man er blitt ufør. ufør. Da får alle pensjonister merke seg at slik er det. Det er ganske mange alderspensjonister som har kommet fra uføretrygden. Grunnen til at det ble enighet om dette i forrige regjering, var at man så den urimeligheten. Da er veldig jeg glad for at Venstre og Kristelig Folkeparti også har støttet opp om det nå. Det virker som om Fremskrittspartiet har litt av hvert å rydde opp i i egne rekker. Jeg merket meg innlegget fra representanten Kambe, som riktignok påpeker at denne regjeringen har lagt pensjonsforliket til grunn, nettopp som den forrige regjeringen hadde gjort det. Men det hadde ikke vært noe i veien for at statsråden og regjeringen hadde kommet til Stortinget i vår da man oppdaget denne effekten av levealdersjusteringen, og bedt om at Stortinget raskt

hvis problemer oppstår, og ikke vente. Jeg pleier stort sett å være ganske tydelig i det jeg sier, men det kan godt hende at enten så var det noen som misforsto meg, eller så sa jeg noe feil. Jeg prøvde å påpeke hva pensjonister mente. Det gjaldt både det jeg sa – som jeg ikke skulle få lov å si

oppklare det som oppsto. Det var ikke hensikten å prøve med noen som helst trippelkommunikasjon eller noe annet. Jeg prøvde å fortelle om noe av den bekymringen som man får fra pensjonister – det var det budskapet jeg ønsket å få fram her. Jeg synes debatten her er veldig bra. Alle er enige om at pensjonistene er viktige. Heldigvis er alle også enige om at man skal følge opp det som statsråden har ønsket å følge opp. Så får vi se hva resultatet blir. Men jeg er veldig fornøyd med det forslaget som Fremskrittspartiet har lagt fram. Det ligger også – etter det jeg har klart å få med meg – i avtalen fra 2011 at når det oppstår den type spesielle situasjoner, skal man kunne se på det en gang til. Representanten Per Olaf Lundteigen har hatt ordet to ganger tidligere og får ordet til en kort merknad, begrenset til 1 minutt. Det var statsrådens svar som gjorde at jeg måtte ta ordet til et innlegg, for jeg ble ikke spesielt klokere. Jeg forstår det sånn – punkt 1 – at justeringa for avvik mellom ventet og faktisk lønnsutvikling de siste to år skal stå fast framover. Punkt 2: Underreguleringa på 0,75 pst. skal stå fast framover.

som nå – over et kalenderår. Er det rett forstått? Neste taler er representanten Erlend Wiborg, som er ordfører for saken, deretter statsråd Robert Eriksson. Presidenten håper at glatte prinsipper også gjelder de siste innleggene. Det var representanten Karin Andersens innlegg som fikk meg til å tegne meg igjen. Jeg er helt enig med representanten Andersen i at regjeringen har mye å rydde opp i. Jeg er helt enig med representanten, men jeg synes det er litt spesielt at vi får kritikk for at ikke vi er raske nok når det gjelder å endre de vedtak som representanten Karin Andersen og SV gjorde i 2011. Som jeg leste opp tidligere i dag, skyldes de utfordringene landets pensjonister nå står overfor, vedtaket som representanten Karin Andersen var med og der man hadde en underregulering på 0,75 pst. Så er jeg veldig glad for – som jeg sa i sted – at SV nå har snudd. Det er bra. Da håper vi også at SV kan bruke tiden sin på å være konstruktiv med hensyn til hvordan vi kan få en permanent endring av dette systemet. I et tidligere innlegg i dag utfordret jeg de øvrige partiene, og spesielt Arbeiderpartiet, på

hvordan man skal finne en eventuell glattingsmekanisme, hvordan man skal forhindre at landets pensjonister år etter år får negativ kjøpekraftsutvikling, altså får kjøpt mindre melk og brød neste år enn hva de får kjøpt for det samme beløpet i år: Dette er noe vi skal se nøye på – sammen med de partiene som sitter på Stortinget – utrede og komme tilbake til i god tid før neste års trygdeoppgjør. Det er det vi har lagt til grunn, det er det som står i proposisjonen, og det er det vi forholder oss til. Så til representanten Andersen, som spør om hvorfor vi ikke kom tidligere, da dette var kjent helt tilbake til 2008. Hvorfor gikk SV allerede i 2009 imot en garantibestemmelse, når denne problemstillingen var kjent? Og så skal vi få kritikk for at vi har gjort det som Karin Andersen etterlyser! Det første jeg gjorde, var å samle de parlamentariske lederne og vise hvordan vi skulle angripe disse problemstillingene. Vi diskuterte med alle partiene i Stortinget. Vi har en felles forståelse for at det er viktig å utrede og å se på de konsekvensene det kan ha for tjenestepensjonene – at man tar dette grundig inn over seg, og at man skal legge det frem i god tid før trygdeoppgjøret i 2016. Det er denne felles forståelsen som et flertall i denne sal – før vi startet trygdeforhandlingene – ga signaler om. At SV mener at alle de andre har villet støtte oss i noe helt annet enn det man ga signaler om – nei, SV var de eneste som ga andre signaler.

så venter vi og ser til neste år om vi får gjort noe da. Det er det vi har kritisert. Man kunne ha gjort det nå. Det er helt riktig, som statsråden sier, at da var det bare SV som tok til orde for det. Da gjorde ikke Fremskrittspartiet det. Det er noe de har funnet på i ettertid. Så til Wiborg: Pensjonsforliket stemte SV, som Fremskrittspartiet, mot. Jo, det gjorde vi, og vi hadde et eget opplegg, og det Så til Wiborg: Pensjonsforliket stemte SV, som Fremskrittspartiet, mot. Jo, det gjorde vi, og vi hadde et eget opplegg, og det kan vi dokumentere. Da vi inngikk regjeringserklæring i regjering, aksepterte vi det forliket som var vedtatt i Stortinget mot Fremskrittspartiets og SVs stemmer, som grunnlag for vår regjering, akkurat det samme som Fremskrittspartiet nå har gjort. Så den kritikken som blir framført, kan like gjerne framføres mot Fremskrittspartiet. Representanten Arve Kambe har hatt ordet to ganger og får ordet til en minutt. Først vil jeg kvittere ut representanten Hoksruds klargjøring av at det ikke var hans intensjon å komme i skade for å så tvil om at Fremskrittspartiet i dag støtter 0,75 pst.-avkortingen, som han selv har stemt for i Sundvolden-erklæringen. Det setter jeg pris på. Dermed er den saken ute av verden, og jeg regner ikke med at det blir skapt inntrykk av at noe annet har skjedd. Så til Karin Andersen, som allerede flere ganger fra talerstolen i dag har måttet beklage sin unøyaktighet. Nå har hun angrepet regjeringen for ikke å ha sett denne avkortingen komme, tidsnok. Vel, i statsbudsjettet var prognosen 3,3 pst. lønnsvekst. I revidert statsbudsjett, etter lønnsoppgjøret, som var ferdig i mai, bare for noen uker siden, ble det klart at lønnsoppgjøret var

Når Wiborg sier at regjeringa får kritikk fordi en ikke er rask nok til å endre, vil jeg svare Wiborg tilbake: Det står ikke i den tidligere odelstingsproposisjonen at en først må bli enig om et opplegg for minus, og at en så må komme til Stortinget med en lovendring. Det står at regjeringa med partene kan foreta den vurderinga når en vurderer hvilket pensjonistopplegg en skal fremme for Stortinget. Så det kunne vært gjort før saken ble fremmet for Stortinget, det er hele poenget med den bemerkningen i odelstingsproposisjonen. Flere har ikke bedt om ordet til sak nr. 14. Ingen har bedt om ordet. Etter ønske fra arbeids- og sosialkomiteen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

Dette har sekretariatet og komitésekretæren tatt på strak arm. Vi har fått service og behjelpelighet i store mengder. Det er vi takknemlige for. Så til saken. Noen mennesker regner suksessen til en velferdsordning etter hvor mye den koster, etter hvor mange som er på den, eller hvor høyt tilfall den har. Det gjør ikke vi. Suksessen til en velferdsordning avhenger av hvor mange mennesker den bidrar til å hjelpe tilbake i arbeid, til selvforsørgelse. Her ligger den grunnleggende forskjellen i synet på velferd mellom høyresiden og venstresiden. Det er grunnen til at venstresiden kaller høyresiden for usosial. Det er ikke en beskrivelse av reelle intensjoner eller engasjement, selv om det kan virke som om de tror det. Det kommer av at høyresiden i én ordning vil kombinere ulike virkemidler, slik at stønaden samlet sett blir en god ordning. Overgangsstønaden har hjulpet mange, men for enkelte har den også blitt en utfordring. Fram til 1998 var overgangsstønaden på ti år. De fleste partiene på Stortinget var da enige om at det var for lenge, og den ble redusert fra ti til tre år. Høyre og Arbeiderpartiet sto sammen om den endringen. Rikstrygdeverket evaluerte endringen i 2004 og kom bl.a. fram til: «For gruppen med marginal tilknytning til arbeidslivet innebar det å miste overgangsstønaden at «For gruppen med marginal tilknytning til arbeidslivet innebar det å miste overgangsstønaden at andelen sysselsatte ble fordoblet.» Det var debatt om dette. Ville dette gjøre ordningen bedre, eller risikerte man at fattigdommen ville øke? Det gjorde ordningen bedre. Senere har man justert overgangsstønaden på flere måter. Man har endret vilkårene, gjort dem tydeligere – og noen vil si strengere. Resultatet var at flere kom raskere i jobb. I dag er det flertall for alle regjeringens forslag, med unntak av ett. Jeg mener samlet sett at vi gjør ordningen bedre. I litt ulike konstellasjoner på forskjellige forslag gjør vi justeringer i tråd med det man har gjort tidligere. Ingenting bekjemper fattigdom som det å ha en jobb å gå til. Det burde være grunnlaget for enhver som ønsker å ha en vellykket sosialpolitikk, og det er grunnlaget for endringene som er foreslått. Vi sikrer at den utdanningen som tas, skal være relevant for å kunne få seg en jobb. Her har Nav en viktig veiledningsoppgave, men det er riktig at dette er et krav, for å hindre at man er på stønad lenger enn nødvendig. Vi tydeliggjør Navs veiledningsansvar, nettopp fordi vi vet hvor viktig tett oppfølging er. Som videreføring av hovedregelen, nemlig den at man skal oppholde seg i Norge, reduserer vi muligheten til å motta penger i utlandet til seks uker. Denne er i dag på seks måneder, langt lenger enn det som er mulig for de aller fleste andre å reise ut av landet i forbindelse med ferier. Det understreker viktigheten av at det er i Norge man må være hvis man skal ha god oppfølging, og det styrker kontrollmulighetene til Nav. Det bringer meg til neste punkt: Mulighetene for kontroll styrkes. Mellom januar og april er det anmeldt juks på stønad til enslig mor eller far på 14 mill. kr. Det er viktig at reglene er enkle å forstå, enkle å følge og enkle å forvalte. Det gjør vi noe med. Det er ingen hemmelighet at jeg skulle ønske at vi også gjorde noe med aldersgrensen. Sett i sammenheng med de veldig positive virkningene justeringer i vilkår og varighet har hatt tidligere, nemlig at det har hjulpet folk raskere i arbeid, mener jeg forslaget er godt og viktig. Dessverre var det ikke flertall for det i dag. Til sist vil jeg si noe om språk. Vi skriver og snakker om innlåsingseffekt, hensiktsmessighet, vilkår, sanksjoner og tilfall. Det er viktig å være faglig og presis når man omtaler disse spørsmålene. Samtidig skal vi aldri miste av syne at dette dreier seg om mennesker. Det handler om å gi hjelp, det handler om å gi muligheter til å stå på egne ben. Regelverksspråk kan være fremmedgjørende og – i mangel av et bedre ord – kaldt. Der må vi være bevisste – antageligvis mer enn vi er. For øvrig tar jeg opp forslaget fra Høyre, Fremskrittspartiet og Kristelig Folkeparti. Forslaget er, i likhet med andre forslag vi vedtar i dag, med på å gjøre ordningen mer treffsikker, og at man bruker ressursene på det viktigste, nemlig å hjelpe folk i arbeid. Representanten Stefan Heggelund har tatt opp det forslaget han refererte til. Det blir replikkordskifte. Jeg er enig med representanten

Trettebergstuen og Arbeiderpartiet nå delvis forlater den store enigheten som har vært om overgangsstønaden. Det Arbeiderpartiet har vært med på å gjøre tidligere, har vært tiltak som skal hjelpe folk raskere i arbeid. Arbeiderpartiet har vært bevisst på at denne stønaden har risiko for innlåsing, og alle vet at det er mye bedre for en familie å ha en sikker arbeidsinntekt enn å være på stønad. Derfor tydeliggjør vi Navs veiledningsansvar, Derfor tydeliggjør vi Navs veiledningsansvar, derfor gjør vi noe med vilkårene, men derfor ville vi også senke aldersgrensen, nettopp fordi det ville vært et bidrag til å hjelpe folk raskere i arbeid. Jeg forstår ikke hvordan det å ekskludere folk fra muligheten til å kunne få overgangsstønad er et virkemiddel for å få folk raskere i arbeid. Som sagt: Overgangsstønaden er, etter åtte rød-grønne år, en treffsikker kvalifiseringsstønad som hindrer fattigdom, og som skaper varig endring. Det regjeringen nå gjør, er bare et forsøk på nok en gang å kutte i ordningen, slik som man gjorde da de rød-grønne styrte, slik som man gjorde under i fjor høst, og slik som man nå også gjør. Det eneste man med en innskrenking av aldersgrensen kommer til å oppnå, er at flere ikke kan få overgangsstønad, og man sparer 200 mill. kr. Forklar meg – nok en gang – hvordan det å kutte i aldersgrensen får folk raskere ut i arbeid. Trettebergstuen er nødt til å se dette i sammenheng med de andre forslagene – tydeliggjøring av Navs veiledningsansvar, og vi endrer vilkåret på utdanning alle disse tingene som skal sikre at folk kommer raskere i arbeid eller øker sin stillingsbrøk. Så vet vi at det er bedre å ha en sikker arbeidsinntekt i bunnen enn å gå på stønad. Derfor øker vi insentivene for at dette skal gå raskere. Hver gang man har gjort noe med insentivene i denne ordningen, har det vært slik at folk har kommet raskere i arbeid. Glemte Trettebergstuen det jeg nettopp sto og sa, om Rikstrygdeverkets evaluering fra glemte hun det – det som ble sagt, og som står i en felles merknad, det som der står skrevet om hva som skjedde med dem som mistet overgangsstønaden, da vi sammen reduserte varigheten fra ti til tre år? Trettebergstuen vet at disse tiltakene virker, men hun finner det opportunt ikke å være for dem, det er faktum. Grunnen til at venstresiden kaller høyresiden for usosial, er

innskjerpelse. Mitt spørsmål er: Hvorfor mener representanten Heggelund at det er viktigere at en aleneforsørger for en seksåring kvalifiserer seg til en trygg jobb enn en aleneforsørger for en åtteåring? Jeg vil at man så raskt som mulig skal komme i arbeid, og så raskt som mulig få økt sin stillingsbrøk. Hvorfor det? Jo, fordi inntekten i de aller fleste tilfeller er de aller fleste tilfeller er bedre med 100 pst. jobb enn å oppfylle et aktivitetskrav og så gå på stønad. Det er bra mot barnefattigdom. Men det overrasker meg ikke at Sosialistisk Venstreparti er imot forslaget. Sosialistisk Venstreparti er imot omtrent enhver endring som foreslås i velferdsordninger for å gjøre dem bedre. Og det er jo ikke første gangen Sosialistisk Venstreparti har tatt feil av denne stønaden. De var blant de partiene som var imot endringen man gjorde på 1990-tallet, med en kraftig reduksjon i varighet, en reduksjon på syv år. Den var de imot, det var usosialt. Så viste det seg å være veldig sosialt. Så SV burde ikke være en guide i hvordan man utformer velferdsordninger. Da er replikkordskiftet over. Barnefattigdom er seg å være veldig sosialt. Så SV burde ikke være en guide i hvordan man utformer velferdsordninger. Da er replikkordskiftet over. Barnefattigdom er en skamplett på vårt rike velferdssamfunn. Ikke noe parti i denne salen har gjort nok for å bekjempe den. La det være sagt. Men det er en vesensforskjell på og den rød-grønne, som styrte i åtte år, når det kommer til fordelingspolitikken, til viljen og til evnen til å bekjempe fattigdom. Barnefattigdom bekjempes ikke ved å legge fram handlingsplaner med fine ord for så i skattepolitikken å bedrive usosial fordeling ved å pøse ut skattekutt til dem av oss som har mest, samtidig som man – slik vi ser her i dag – stadig fremmer angrep på de treffsikre ordningene vi har, og som vi vet er med på å sørge for at de familiene der de fattige barna bor, får det litt bedre. Overgangsstønaden er en slik ordning. Som støtte til enslige forsørgere i en ofte svært vanskelig situasjon er stønaden fattigdomsreduserende. Og nettopp fordi den stiller krav om at mottaker skal delta i jobbkvalifiserende aktivitet mens man mottar trygden, sørger den for at man bruker trygden til å oppnå varig endring, selvforsørgelse, i den andre enden. Det er som kjent den viktigste veien ut av fattigdom. Slik sett er overgangsstønaden en treffsikker kvalifiseringsstønad som oppnår flere mål samtidig, og er således et av de viktigste våpnene mot fattigdom. La det være sagt: Hoveddelen av de endringene som vedtas her i dag, er endringer som vi i Arbeiderpartiet støtter. Det er endringer som bidrar til å minske sjansene for misbruk. misbruk. Det er avgjørende for velferdsstatens og trygdeordningenes legitimitet at misbruk forhindres og slås ned på, og at ordningene innrettes slik at det blir vanskeligere å misbruke dem. Mange av dagens forslag bidrar til det, og det er Arbeiderpartiet selvsagt for. Vi skiller imidlertid lag med regjeringen på et par punkter. Det ene er forslaget om at stønaden skal bortfalle fra dag én når man inngår et samboerskap. Det er ingen som mener at man skal få støtte enslig forsørger mens man er samboer. Således kan det virke litt snodig at dagens lovverk gir en mulighet til å beholde stønaden i inntil et år mens man er i et samboerskap. Det kan også sikkert virke litt snodig at Arbeiderpartiet foreslår at man skal miste stønaden etter seks måneders samboerskap. Men livet er som kjent ikke like enkelt eller like sort/hvitt som et skjema og et papir og en lovparagraf. Alle som har vært i en slik situasjon, vet veldig godt at man slutter ikke å være eneforsørger for sitt barn fra den dagen en ny kjæreste flytter inn. Noen blir det aldri. For noen går det kort tid, for andre går det lang tid. Det er derfor behov for en viss fleksibilitet, slik at folk skal tørre å begi seg inn i nye forhold, slik at man i disse nye forholdene reelt sett sannsynligvis er to forsørgere før stønaden bortfaller. Seks måneder synes vi er en grei fleksibilitet som vekter disse hensynene. Det andre vi stemmer imot, er forslaget om å kutte i stønaden. Det er forslaget om å innskrenke aldersgrensen fra åtte til seks år. Det er ikke slik, som representanten Heggelund sa, at det er nok en vri som kommer til å få folk raskere ut i jobb. Nei, det eneste man oppnår ved å kutte i aldersgrensen fra åtte til seks år, er at man ekskluderer folk fra å kunne motta overgangsstønad. Alternativet til å motta overgangsstønad og slik sett ha rett til kvalifiseringstiltak og en økt mulighet til å komme seg ut i selvforsørgende arbeid i den andre enden, er å bli gående på f.eks. sosialstønad. Den reelle motivasjonen til regjeringen bak det å kutte i aldersgrensen er et ønske om å kutte i overgangsordningen. Det er ikke et nytt ønske. Vi har sett det før. Vi så det senest i budsjettbehandlingen i fjor, og vi så det år etter år mens de rød-grønne styrte. Jeg er veldig glad for at et stortingsflertall i dag nok en gang sier nei til regjeringens forsøk og angrep på en treffsikker, fattigdomsreduserende og kvalifiserende stønad. Ønsker representanten å ta opp de forslagene som er omdelt i salen? Jeg tar opp Arbeiderpartiets forslag. I tillegg vil jeg gi en stemmeforklaring. Det har kommet et nytt forslag over bordet her i kveld, forslag nr. 5, fra Høyre, Fremskrittspartiet og Kristelig Folkeparti. Det stemmer Arbeiderpartiet imot. Representanten Anette Trettebergstuen har tatt opp de forslagene hun refererte til. Det blir replikkordskifte. Samboerskap er blitt en vanlig samlivsform. Det er

overgangsstønad. Når reglene for samboerskap og ekteskap blir harmonisert og likestilt, bør det ikke være ulike regler ved inngåelse av samboerskap og inngåelse av ekteskap. For mener Arbeiderpartiet at seks måneders overgangsordning også skal gjelde ved inngåelse av ekteskap? Det er faktisk noen som velger å gifte seg før de flytter sammen, selv om den ene har barn fra før. Jeg tror ikke at et regelverk for en trygdeordning noen gang kommer til å kunne ta innover seg alle seg alle de spesielle tilfellene der det kanskje rammer skjevt. Men det er nå fortsatt engang sånn at de fleste ekteskap begynner med et samboerskap. Det er ikke slik at alle ekteskap varer, men det er slett ikke slik at alle samboerskap varer heller. Vi lytter til dem som på høringen ytret seg sterkt imot forslaget om at stønaden skal bortfalle fra dag én, fordi det kommer til å føre til at mange kvier seg for å inngå nye forhold, at mange kvier seg for å inngå nye forhold, og mange kommer til å miste stønaden i kortvarige samboerskap der man reelt sett fortsatt er eneforsørger. Og det er Arbeiderpartiet imot. Trettebergstuen og Arbeiderpartiet nevnte barnefattigdom. Hvilket vågestykke – for barnefattigdommen økte under den rød-grønne regjeringen. Det var flere fattige barn under den rød-grønne regjeringen. Da er det ganske modig å stå her og nærmest framstille det som at det er denne regjeringen – som har levert en nasjonal strategi mot barnefattigdom – som ikke ønsker å ta tak i denne utfordringen. svar som ikke kommer fra Arbeiderpartiet. Det er at når man ser at hver gang man gjør justeringer i vilkår og varighet i overgangsstønaden, bidrar det til at folk kommer raskere i arbeid, eller at folk raskere øker sin stillingsbrøk. Hvorfor er da Trettebergstuen imot et sånt forslag i dag? Vi har gjort justeringer i vilkår og varighet tidligere. Vi innførte aktivitetskrav. Det viser seg å fungere godt. Vi har også justert ned de årene man kan motta overgangsstønad. Før var det ti år, nå er det tre år. Det har også vist seg å fungere. Men poenget er at det å kutte i aldersgrensen for ikke vil ha den typen effekt. Det eneste man oppnår med det grepet, er at det ekskluderer folk fra å kunne motta overgangsstønad, fra å kunne få ekstra økonomisk hjelp samtidig som man får muligheten til å kvalifisere seg til å bli selvforsørgende. Alternativet til det er f.eks. å gå på sosialhjelp. Det er ikke fattigdomsreduserende og er ikke en del av

strømmen, Internett, avisabonnement og mat, som gjør at den samlede økonomien for den familien blir dramatisk bedre, både fordi man har to inntekter, og fordi det er to som deler inntektene fra dag én. Derfor mener Høyre–Fremskrittsparti-regjeringen at det er et poeng at den dagen man har samboer, endrer økonomien seg i den familien,

Slik er ikke livet. Det finnes mange skjebner der ute, og det er mange grunner til at man f.eks. kan ta inn en kjæreste som f.eks. mister husværet på et korttids samboerskap uten at det betyr at den personen kan bidra økonomisk. Disse tilfellene, det reelle livet, er det Arbeiderpartiet ser og ønsker å ta hensyn til. Derfor mener vi at en seks måneders overgangsordning vil innebære den type fleksibilitet som vi ønsker, slik at det ikke rammer skjevt disse menneskene.

hvor det står klart at regjeringen vil legge om overgangsstønaden og innføre klarere krav til aktivitet. Det har vært en klar målsetting for denne regjeringen – det å bedre de ordninger, stønader og virkemidler vi har, for å få flere mennesker ut i arbeid, for å kunne hjelpe flere mennesker til å kunne være selvforsørgende. selvforsørgende. Det er fristende å si at overgangsstønaden er noe av en anakronisme, altså en ordning som ble laget i en tid der samfunnet var organisert annerledes, og som nå ikke i særlig stor grad har samme relevans. Overgangsstønaden skal sikre inntekt til livsopphold for dem som er enslige eller alene om omsorgen for barn etter et samlivsbrudd. Men da ordningen ble etablert,

hadde vært utenfor arbeidslivet noen år mens barna var små, og at de fikk problemer med å få seg jobb igjen når de trengte det. Men tidene forandrer seg. Nå er det langt vanligere at begge foreldrene jobber. Det er langt vanligere at begge foreldrene får delt omsorg for barna etter samlivsbrudd. Nå er det etablert skolefritidsordninger. er det etablert skolefritidsordninger. Det er etablert et bredt utvalg av barnehageplasser til dem som ønsker det. Skolestartsalderen har blitt redusert. Det er også gode ordninger for foreldre med dårlig økonomi med tanke på reduserte priser på barnehageplass, noe også denne regjeringen har bidratt til – å redusere prisene på barnehageplass for dem med svakest økonomi. Men når tidene endrer seg, samfunnet endrer seg, er det samtidig viktig at vi går gjennom de ordninger og ytelser vi har, og ser om de ytelsene er riktig virkemiddel for å hjelpe dem vi ønsker. ønsker. Da må jeg si at jeg er skuffet over enkelte partier her i dag som velger et politisk spill og bare skal forsvare det bestående i stedet for å være med og finne ut hvordan vi kan tilpasse overgangsstønaden til å være mest mulig treffsikker. Vi har også sett i mange år at ordningen med overgangsstønad strekkes veldig langt av enkelte mottakere. et spørsmål til daværende arbeidsminister Anniken Huitfeldt i 2012, handlet om en enslig forsørger som endret studieretning rett før hun var ferdig med sin bachelor, fordi hun da kunne motta overgangsstønad lenger. Det tror jeg alle er enige om er et uheldig utslag. Men når vi ser den typen utslag, er det viktig å ta de grepene vi kan for å tette igjen eventuelle smutthull i ordningen. Vi vet også at vi har hatt mange eksempler på at en rekke mottakere har fått nye barn med dem de har – visstnok – flyttet fra. Disse smutthullene ønsker vi nå å tette igjen.

replikkordskifte. Representanten Wiborg snakket hjertelig og lenge om tiltakene man får flertall for i denne salen. De fleste av disse støtter Arbeiderpartiet – det er riktige tiltak. Han snakket ikke så mye om tiltaket – det store forsøket på kutt i ordningen – der man i et jafs skal spare nesten 200 mill. kr årlig ved at færre aleneforsørgere får mulighet til å få økonomisk støtte mens de kvalifiserer seg til arbeid – når alternativet kanskje er Det er et forslag som stortingsflertallet heldigvis ikke støtter. Jeg vil tro at det ikke gjør nevneverdig inntrykk på Fremskrittspartiet, men hva synes representanten Wiborg om at Aleneforeldreforeningen, FO, NTL – alle som var på høringen – advarer mot det forslaget, nettopp fordi det vil føre til at flere aleneforsørgere går på andre, passive stønader og det samtidig vil øke, ikke redusere, barnefattigdommen. Gjør dette inntrykk? inntrykk? Hvis representanten hadde fulgt med under mitt innlegg, ville hun forstått at jeg var klar på at ordningen må justeres i forhold til den tiden man lever i når forutsetninger og samfunnsforhold endres. Da overgangsordningen i sin tid ble vedtatt og innført, så samfunnet helt annerledes ut enn i dag. Det er flere strukturelle grep. Det ene jeg var inne på, var bl.a. at skolestart har endret seg fra syv år til seks år. Da synes vi det er naturlig, når skolestart endrer seg, å fremme forslag om at overgangsstønaden som hovedregel skal kunne gå til barna er seks år, da de kan begynne på skole, skolefritidsordning osv. Selv om «tidene forandrer seg», blir det ikke billigere eller enklere å være aleneforsørger eller barn av aleneforsørger når man begynner på skolen. Jeg ønsker at forandrer seg», blir det ikke billigere eller enklere å være aleneforsørger eller barn av aleneforsørger når man begynner på skolen. Jeg ønsker at representanten Wiborg skal fortelle meg hvorfor det er naturlig å kutte, fra åtte år til seks år, fordi barnet begynner på skolen når det er seks år. Man har barnehageplass i dag, det kan ikke handle om barnetilsyn. Hva er det som gjør at akkurat seks år gjør det så innmari mye enklere å være aleneforsørger og så innmari mye enklere å være barn av aleneforsørger? Vi mener tvert imot at seks år, skolestart, er en sårbar fase for mange, og det er behov for å kunne ha denne stønaden som en ekstra trygghet og støtte også på det tidspunktet. tidspunktet. Man må se hvilke ordninger man benytter for å hjelpe mennesker med utfordringene de har. Det er mange småbarnsforeldre som har det tøft økonomisk. Det er ikke bare dem som relativt nylig har opplevd et samlivsbrudd som har det tøft økonomisk. Det er heldigvis regjeringen i gang med å gjøre mye med, men jeg skal ikke dra opp den store skatte- og avgiftsdebatten her i dag. men jeg skal ikke dra opp den store skatte- og avgiftsdebatten her i dag. Vi har en regjering som kommer med konkrete og målrettede tiltak for dem som sliter økonomisk. Jeg var inne på at regjeringen velger å redusere barnehageprisene for foreldre med svak økonomi. Arbeiderpartiet er uenig i det. Vi gjør det enklere for flere å kunne komme seg raskere inn i arbeidslivet. Vi må følge opp hvilke ordninger man ønsker å benytte for å hjelpe mennesker i ulike

livsfaser. Tidene forandrer seg, sa representanten Wiborg. Det er mennesker som forandrer samfunnet, tiden gjør ikke nødvendigvis noe som helst. De som har endret samfunnet de siste årene, har hatt likestilling og velferd som mål og har prøvd å skape et arbeidsliv som man kan stå i med begge beina. beina. Vi som prøvde å endre samfunnet i den retningen, gjorde også overgangsstønaden enda mer treffsikker, i takt med tiden. Det er en ting jeg ikke forstår, og som jeg hittil heller ikke er blitt klokere av i replikkrunden, og det er hva det er som gjør ordningen mer treffsikker ved at man tar bort muligheten for å motta overgangsstønad hvis man blir aleneforsørger for en åtteåring? Jeg er veldig glad for spørsmålet. Når man snakker om likestilling – og likestilling er et viktig tema – mener jeg den absolutt viktigste faktoren for å sørge for likestilling er å hjelpe mennesker til å kunne være økonomisk selvstendig og slippe å være avhengig av å få penger – om det er fra en mann aller andre. Det er det viktigste. Det er akkurat dette regjeringen gjør også i denne saken. Man legger bedre til rette for at mennesker skal kunne komme seg i utdanning og i arbeid – og dermed kan forsørge seg selv. Sosialistisk Venstreparti lever godt med at mennesker skal leve mange

gode debatten som har vært, og det viktige fokuset som har vært på ordninga, som faktisk fungerer. Tilfellet er jo, som flere har vært inne på, at den har vært justert – den har vært forbedret underveis, og den er med på å hjelpe de menneskene som lever i fattigdom, i hvert fall mange av dem, og som har unger som lever i fattigdom, tilbake igjen i arbeid og aktivitet for på for på den måten å komme varig ut av fattigdom. Å lykkes med det er det viktige målet vi som politikere må ha. Arbeid er nøkkelen til å komme ut av fattigdom. Kristelig Folkeparti opplever at proposisjonen har mange gode forenklinger og forbedringer. Det er noe liberalisering, og det er en del viktige innstramminger på noe. Kristelig Folkeparti støtter innstillinga til komiteen,

som er i fengsel, at de bør være berettiget til overgangsstønad, og ber regjeringa se på det. Det synes jeg er et interessant forslag, og jeg håper at regjeringa kan vurdere om det er en mulighet, da det er partnere som er i en krevende situasjon, og som også kan nyte godt av overgangsstønaden fordi den kan hjelpe dem i aktivitet, f.eks. gjøre det mulig å komme inn i arbeid igjen hvis de ikke har det. Overgangsstønaden er

det. Overgangsstønaden er en viktig ordning fordi den gjør det mulig for enslige foreldre å gi barn stabilitet og trygghet, samtidig som den har krav til seg på den måten at stønadsmottakeren gis mulighet til å kvalifisere seg for arbeid. arbeid. Det er nettopp denne kombinasjonen som er en flott kombinasjon og en viktig ordning å videreføre. Det er med denne ordninga som med mange andre ordninger, at det har vært endringer. Nå er, som flere har vært inne på, stønadsperioden redusert til tre år, samtidig som kravet til aktivitet er innskjerpet. Jeg vil understreke at det er veldig viktig at vi her har målrettede ordninger som også skaper nødvendig tillit ute blant andre, som er i en heldigere situasjon, slik at vi kan få vekk den mistenksomheten som mange enslige mødre og fedre dessverre opplever. Derfor er det viktig systematisk å systematisk å ha for øye å lage et regelverk som er enkelt å forstå og forholde seg til for den det gjelder, og en forvaltning som også har et enkelt regelverk, slik at en kan få en lettere håndheving og en mindre byråkratisk ordning, og – som sagt – en ordning som legger til rette for at folk kan komme i arbeid og For, som det står i forslaget, er jo hele poenget at det skal være en midlertidig hjelp til sjølhjelp, og overgangsordninga består av fire ytelser – en overgangsstønad som gis til livsopphold, mens det også er stønad til barnetilsyn, utdanningsstønad og tilskudd til flytting, som er stønader til dekning av utgifter. Når det gjelder den endringa som går på å begrense adgangen til utbetaling av stønad ved opphold i utlandet, støtter Senterpartiet det. Der blir nå adgangen til å oppholde seg ute seks uker i løpet av ett år. Som flere har vært inne på, er det å være i Norge nødvendig for å få en god oppfølging. Det er også nødvendig for å få en tillit til

retten til overgangsstønad skal bortfalle etter samboerskap av seks måneders varighet, og at stønad kun kan mottas under ett samboerskap én gang i løpet av stønadsperioden. Det er viktig, som det er blitt sagt fra Arbeiderpartiets side, at det er en viss fleksibilitet her. Jeg synes også det er viktig at en skal ha trygghet for å gå inn i et nytt forhold, og at det er bra at en går inn i et nytt forhold, for dermed vil muligheten for ungene til et godt livsopphold bli bedre. Det er da vesentlig at vi har den seksmånedersregelen før en kutter stønaden. Det er også etter min vurdering lettere å praktisere en slik seksmånedersregel. Ellers står Senterpartiet på at aldersgrensene på henholdsvis åtte og i spesielle unntakstilfeller ti år skal beholdes. Når vi står på åtteårsregelen i stedet for å redusere til seks år, er det fordi overgangen fra barnehage til skole er en sårbar overgang. Det er viktig at vi da har en overgangsstønad, slik at det i hvert fall ikke også skal kunne komme inn økonomiske forhold som gjør den overgangen vanskelig.

Høyre, Fremskrittspartiet og Kristelig Folkeparti, vil Senterpartiet stemme imot det. Det vil ikke være en ansvarlig behandling å stemme for det forslaget, siden det verken er drøftet i proposisjonen eller i komiteen. Det blir replikkordskifte. Alder og modenhet er

er det ikke slik, også etter Senterpartiets mening, at det er et mål å komme i arbeid eller utdanning raskest mulig, slik at man kan forebygge barnefattigdom? Jo, det å komme i arbeid raskest mulig, er poenget. De som kommer i arbeid, de kommer dermed i en ny situasjon – en har en bedre mulighet til det

familier som er i en slik situasjon. Og om vi går litt lenger enn det kanskje enkelte mener er riktig, tror jeg det er en klok tilnærming. Det er bedre å investere litt – for å si det på den måten – i framtida enn å gå for raskt fram. Så det er en klok avveining som flertallet heldigvis – også med Venstre og Kristelig Folkepartis

svindel. I så måte meiner eg at regjeringa har føreslått mykje fornuftig i proposisjonen til Stortinget, og dei får også brei støtte i Stortinget i dag. Frå Venstre si side støttar vi mange av forslaga som ligg føre, men vi støttar ikkje alle. Det er

alder – å endre frå åtte år til seks år. Vi grunngjev i innstillinga kvifor Venstre har teke det standpunktet som vi har gjort, og det er – i likskap med det fleire andre har vurdert det til – at her er vi i ein sårbar fase i eit barns liv. Det er ein vanskeleg overgang for mange å gå frå barnehage til skule, og vi trur ikkje at det å påføre aleinemødrer og -fedrar auka økonomiske bekymringar i ein slik fase er ein klok veg å gå. Dette er også eit forslag som har fått ganske brei kritikk i høyringsrunden, både her på Stortinget og i forkant av det. Når det gjeld dei omdelte forslaga frå Arbeidarpartiet, går det fram i innstillinga at vi kjem til å stemme imot desse. Så er det eit nytt forslag, frå Høgre, Framstegspartiet og Kristeleg Folkeparti. Det kjem vi også til å stemme imot. Grunngjevinga for det er at overgangsstønaden er meint å hjelpe einslege foreldre i ein krevjande situasjon, og kven det er som er far eller mor til dine barn, endrar ikkje på din situasjon som einsleg forelder, så vi har utfordringar med å sjå kva føremålet med det forslaget skal vere. Det fekk også ganske tøff kritikk då det var ute på høyring tidlegare i år. Så eg vil ta opp Venstre sine forslag i innstillinga og takke for trass alt ei god komitébehandling. Det har vore tøffe fristar, og det har vore vanskeleg å få alt til å hengje saman, men med eit godt arbeid frå både saksordføraren, frå sekretariatet og frå alle medlemane i komiteen, så trur eg vi skal klare å kome i mål på ein måte som representerer det som er Stortingets vilje i dei ulike spørsmåla, og det er trass alt derfor vi

til. Jeg vil starte med å takke Venstre og Kristelig Folkeparti for å bidra til et flertall som hindrer den mest alvorlige innstrammingen i overgangsstønaden, nemlig å redusere inngangen på barnets alder fra Jeg synes det er veldig alvorlig at regjeringen foreslo et slikt angrep, men jeg synes det er gledelig at regjeringspartiene ble satt på plass av støttepartiene. Og hvorfor det? Jo, det er fordi aleneforsørgere har økt risiko for fattigdom. Det er tøft å forsørge Hvis man i tillegg har løs tilknytning til arbeidslivet, ja så blir situasjonen veldig krevende. Det er derfor overgangsstønaden er så bra, og det er derfor den er så viktig, fordi den skal gi nettopp økonomisk støtte til aleneforsørgere i perioder der man trenger jobb eller utdanner seg. Vi er stolt av den overgangsstønaden som vi i vår regjeringsperiode var med på å forme, og det er fordi vi vet at den virker, og at den er treffsikker. Mer enn ni av ti mottakere er kvinner, og når ordningen strammes inn, blir hverdagen tøffere for mange alenemødre, og vi risikerer at flere unger blir i fattigdom.

til å få støtte til utdanning også i tilfeller der man trenger omskolering for å få jobb med en arbeidstid som passer med barnehagens åpningstid. Folk bør ha mulighet til å kvalifisere seg til en trygg jobb, som lar seg kombinere med nettopp livssituasjonen som aleneforsørger. Jeg vil også takke saksordføreren, ikke nødvendigvis for å være så politisk bevegelig, men for å være veldig behjelpelig med den korte tidsfristen vi har hatt. Saksordføreren har tidligere beskyldt SV for å være imot alt. Det er ikke riktig. Vi støtter veldig mange av de endringene som faktisk ligger her – endringene i arbeidsmarkedsloven, forenklingene i folketrygdloven, at det er sivilstand som skal avgjøre inngangen til stønaden, at man skal ha tydeligere bestemmelser for Navs ansvar og ikke minst at man skal innføre både sanksjonsregler og felles forskrift for arbeidsrettet tiltak og også bestemmelser knyttet til barnetilsyn.

Vi er imot at man skal miste overgangsstønaden fra første dag med nytt samboerskap og ønsker primært å beholde dagens regelverk. Sekundært vil vi stemme for Arbeiderpartiets forslag. Og vi er selvfølgelig imot å endre aldersgrensen fra åtte år til seks år og oppheve unntaksregelen for barns alder ved samlivsbrudd. Så vil jeg til slutt nevne at vi kommer til å stemme imot det nye omdelte forslaget, forslag nr. 5. Venstre hadde en god begrunnelse for det. Jeg må innrømme at det er verken samboerskap eller ekteskap som lager barn. Det blir replikkordskifte. Jeg vil si hjertelig takk for gode ord om sakordførerskapet, og replikkordskifte. Jeg vil si hjertelig takk for gode ord om sakordførerskapet, og jeg vil benytte anledningen til igjen å understreke den gode tonen og det gode samarbeidet vi faktisk har i komiteen til tross for til tider dype politiske uenigheter. Jeg har et spørsmål til representanten Bergstø og SV. Vi er alle enige om at formålet med overgangsstønad er å hjelpe folk til selvforsørgelse så raskt som mulig. Hvorfor skal det da være særegne krav til utdanningsvilkåret på overgangsstønad, andre krav der, enn det er på arbeidsavklaringspenger, enn det er hos dem som får utdanning som tiltak? Der er det jo strengere vilkår nettopp fordi man skal hjelpe folk raskt tilbake i arbeid. Hvorfor skal ikke det også gjelde dem på overgangsstønad? Jeg tenker at de
stønadene ikke er sammenlignbare, og det er fordi det er andre målgrupper som går på arbeidsavklaringspenger. Der er helse et eksempel som man på en annen måte er nødt til å ta utgangspunkt i. Det er lite hensiktsmessig at en som har vært sykmeldt og mottatt arbeidsavklaringspenger på grunn av en skulderskade, skal
bli lang,
f.eks. Derfor må man tenke hensiktsmessighet på et annet vis. Jeg frykter at en sånn formulering som nå foreslås, vil gjøre systemet mer rigid og vil hindre at aleneforsørgere f.eks. vil ha mulighet til å ta en nødvendig omskolering for å kunne få et arbeid som lar seg kombinere med livssituasjonen som aleneforsørger. Jeg takker for svaret. Formålet med disse ulike ordningene er jo at folk skal hjelpes tilbake i arbeid så raskt som mulig, og da er det viktig at Nav er gode til å veilede, men også at man sikrer at den utdanningen man eventuelt har, er relevant for å kunne få seg jobb så raskt som mulig. Et annet spørsmål er hvorfor man er imot det vi gjør når det gjelder utenlandsopphold. Tenk deg at du er en enslig forsørger og jobber 100 pst., da har du ikke mulighet til å reise utenlands i seks måneder. Balanserer ikke forslaget fra regjeringen om kontrollmuligheter og det faktum at man burde være i Norge for å bli fulgt godt opp av Nav, nettopp hensynet til til den muligheten de aller fleste andre har til å reise utenlands i forbindelse med ferier på en ganske god måte? Først må jeg si at vi er enig i at overgangsstønaden skal bringe folk raskt inn i arbeid, men da må det også være muligheter for trygg jobb som man kan stå i. Da tenker vi at veiledningsplikten til Nav er tilstrekkelig og god med tanke å kunne hjelpe den som skal seg til å få en jobb som man kan kombinere med livssituasjonen og med arbeidsmarkedets behov. Det er mange som har en jobb og er utdannet som én ting og jobber innenfor brede sektorer. Jeg ønsker ikke å begrense folks utdanningsvalg på et sånt vis. vis. Så mener jeg at det er tydelige inngangskrav for stønaden og at det er aktivitetsplikt med sanksjonsmuligheter, det at man må stille opp hvis man blir kalt inn til møte, man må være i aktivitet. I de få tilfellene der man kan leve opp til aktivitetsplikten og være i utdanning f.eks. i tilknytning til foreldrepenger, så bør det gå an.

er omme. Jeg synes saksordføreren på en glimrende måte redegjorde for sakens innhold, men jeg har likevel lyst å komme med noen få betraktninger rundt det. Hele hovedformålet med den saken som er lagt frem, og som behandles her i dag, har to klare innretninger: For det første er det for å stimulere stønadsmottakerne til på en raskere og mer effektiv måte å komme i arbeid. i arbeid. Det andre er å forenkle regelverket og gjøre bestemmelsene mer forståelige og lettere tilgjengelige for dem som skal bruke dem. Det mener jeg er to gode hensyn som man bør ivareta i lovgivning. Jeg er glad for at det er bred støtte til de aller fleste av de forslagene som er lagt frem her i dag, for hele målet jo være at folk

gjør det enklere og bedre å komme inn i arbeidslivet og oppleve den friheten. Høyre–Fremskrittsparti-regjeringen mener det er et av de viktigste grepene man kan ta for å forhindre at familier blir lavinntektsfamilier, og at unger vokser opp med lav inntekt og i fattigdom. Derfor synes jeg også det er bra at man nå reduserer muligheten for å ta med seg overgangsstønaden til utlandet i seks måneder, og at man reduserer det til seks uker. Hvorfor er det bra? Jo, det er bra av to grunner. Det er bra fordi det gjør det enklere for Nav å drive tettere oppfølging med yrkesrettet aktivitet for den enkelte, f.eks. en som enslig forsørger til ett barn, og som skal tilbake til arbeidslivet. Det er lettere for Nav i Verdal å følge opp vedkommende hvis vedkommende er i Verdal og ikke i Paris. Da er det lettere å drive yrkesrettet opplæring og oppfølging på en god måte. Samtidig gir det klarere vilkår for å sjekke og kontrollere at vilkårene for ytelsen er oppfylt. Det synes jeg er bra, når vi for en tid tilbake så at en av de ordningene som ble mest misbrukt, var overgangsstønaden. Jeg ønsker ikke ordninger som inviterer til misbruk, men jeg ønsker ordninger som er gode og godt innrettet for dem som virkelig trenger hjelp til å komme seg tilbake til arbeidslivet, og som trenger de ordningene. Den oppryddingen gjør denne regjeringen nå. jeg ønsker ordninger som er gode og godt innrettet for dem som virkelig trenger hjelp til å komme seg tilbake til arbeidslivet, og som trenger de ordningene. Den oppryddingen gjør denne regjeringen nå. For å være tydelig på det som gjelder aldersgrense: Det vi snakker om, er kun overgangsstønaden. Barnetilsyn vil fortsatt være uberørt av dette. Det vil fortsatt være sånn at man kan få det til det fjerde klassetrinn for ungen. Så la oss ikke det beste virkemiddelet for å unngå fattigdom er å hjelpe folk tilbake til arbeidslivet. Jeg mener det beste virkemiddelet man kan bruke da, er det som denne regjeringen har lagt frem her. Jeg skulle også ønsket at man hadde fått vedtatt å endre aldersgrensen fra åtte år til seks år, nettopp fordi jeg ønsker at folk skal komme raskest mulig inn i arbeidslivet, og at de skal få oppleve gleden og friheten ved å ved å være selvforsørget med egen arbeidsinntekt så raskt som overhodet mulig. Vi må også huske at over 50 pst. av dem som mottar overgangsstønad, har en fot innenfor arbeidslivet og kombinerer det med å være i arbeidslivet. Da må vi legge til rette for at de kan komme raskere inn i arbeidslivet og få økt stillingen sin, sånn at de kan være

minutter. En endring i folketrygdloven under kapittel 15 vil føre til et forenklet regelverk når det gjelder både livsoppholdsytelsen – altså overgangsstønad – og stønad til barnetilsyn. Regelverket vil bli tydeligere og lettere å forstå. Slik det er i dag, er reglene i kapittel 15 vanskelige å forstå for vanlige folk, og de kan være vanskelige å praktisere. Formålet er å forenkle regelverket slik at det blir en omstrukturering, og å styrke motivasjonen til å komme seg ut i arbeid. Sett i sammenheng handler dette om å sikre den enslige forsørgeren og barn inntekt i en begrenset periode. Det er en forberedelse til å ta eget ansvar og forsørge seg selv og barn ved egen inntekt. Å komme seg ut i arbeid er den mest effektive måten å bekjempe fattigdom på selv. Hvis man